Jeg tror Siv Jensen har rett når hun flere ganger de siste ukene har sagt at nå er det slutt på at Fremskrittspartiets politikk blir stemt ned i Stortinget, nå er det flertall for denne politikken. Hun har rett. Kristelig Folkeparti og Venstre sikrer nå flertall for en politikk for mer privatisering av fellesskapets velferd, som vil føre til økte forskjeller – i sum en politikk som forandrer Norge. Høyre og Fremskrittspartiet får nå flertall for en skattepolitikk med store kutt til dem som har mest fra før. Vi vil heller gi en million nordmenn rett til opptjent pensjon fra første krone fra første dag de jobber, så de har en pensjon å leve av når de blir gamle. Høyre og Fremskrittspartiet får nå flertall for en politikk som skal legge «til rette for å la private tilbydere konkurrere om å levere offentlig finansierte tjenester der det er fornuftig». Noen har sagt at fornuften er en ensom ting – hva er fornuftig? I Fremskrittspartiets prinsipprogram er det ingen forskjell på salg av varer og tjenester og behandling på et sykehjem. Markedets tilbud og etterspørsel skal avgjøre innenfor nær sagt alt det offentlige driver i dag – sykehus, skoler, eldreomsorg. Med denne regjeringen vil veksten i privatskoler fortsette. Med denne regjeringen vil privatisering av sykehus fortsette. Med denne regjeringen vil privatiseringen av eldreomsorgen fortsette. Vi kan bedre. Arbeiderpartiet vil heller satse på kvalitet og nok folk i eldreomsorgen, billigere barnehage og skolemat til alle barn. Med denne regjeringen vil folk måtte betale mer for å være organisert og tåle midlertidighet og utrygghet. Vi har en passiv regjering i møte med sosial dumping. Arbeiderpartiet vil ha mobilisering for et anstendig arbeidsliv – i stat og kommuner. Dette er hovedbildet: mer makt til Høyre og Fremskrittspartiet på områdene økonomi, velferd og arbeidsliv – så viktig i vanlige folks hverdag. At denne politikken nå får flertall med Kristelig Folkeparti, er et paradoks og beklagelig. Arbeiderpartiet mener at Norge kan bedre – en annen retning – at vi som fellesskap kan løse de viktigste oppgavene sammen, og bidra til et mer rettferdig og varmere samfunn. Vi skal ikke bare sette mål, men drive en politikk som får ned klimagassutslippene, ikke nøye oss med nøytral næringspolitikk, men virkelig satse på de områdene der vi har naturlige fortrinn. Lave barnehagepriser, kreftmedisiner tilgjengelig for alle, en fastlegeordning som fungerer også i distriktene, politifolk på jobb nær deg, og domstoler som har ressurser til å gjøre rettsstatens jobb – det er eksempler på fellesskapsløsninger som gir folk mer trygghet og mer makt over eget liv. Det handler om folks hverdag. Da er det få områder som griper så direkte inn i menneskers liv som politikken for bioteknologi og retten til selvbestemt abort. Derfor er det så provoserende at Høyre og Fremskrittspartiet, for å sikre seg makt, har begrenset kvinners rettigheter og gått med på å fryse bioteknologiloven og gi veto på videre utvikling. De strammer inn selvbestemmelse i abortloven for første gang siden loven kom. nei til livreddende kunnskap som vi kunne fått gjennom tidlig ultralyd, nei til NIPT-tester for flere gravide kvinner, nei til eggdonasjon og nei til assistert befruktning for enslige. Flere kvinner og par som sterkt ønsker seg barn, mister nå den muligheten, til tross for at det er et bredt flertall for det på Stortinget. Noen vil da reise til utlandet og betale for behandling, andre vil ikke ha råd til det. det. Dermed er vi tilbake der vi startet: Dette er en regjering for økte forskjeller. Dette er en plattform som svekker fellesskapet og de mulighetene vi har til sammen å gi alle, ikke bare noen få, mer makt og frihet i eget liv. Arbeiderpartiet vil møte regjeringen med saklig og tydelig opposisjon, fremme våre egne forslag, finne sammen med de partiene i Stortinget som ønsker en annen kurs, og som alltid, der det er mulig, ha vilje til å bidra til gode, felles løsninger for landet. Det blir replikkordskifte.

i hans egne rekker er mangel på iallfall samhold og konsistens når det gjelder to viktige pilarer i norsk økonomi, nemlig leterefusjonsordningen for olje og gass, altså stabile rammevilkår for norsk energinæring, der Vestlandet og miljøtalsmann Barth Eide ønsker å endre dette, mens Schjøtt-Pedersen sier at en skal bevare det. Samtidig ser vi en debatt i LO og Arbeiderpartiet om å endre eller skrinlegge Hvor glad – på en skala fra 1 til 10 – er Støre for at vi har en regjeringserklæring og fire regjeringspartier som er krystallklare på å beholde forutsigbare rammer og EØS-avtalen, når det i hans egne rekker er så stor usikkerhet? Jeg lever etter en annen skala, men jeg er fornøyd med at det her i Stortinget er et bredt flertall som sikrer stabile rammevilkår for olje- og gassindustrien, og at selskaper kan bruke god Det står Arbeiderpartiet bak, det står i vårt program, og vi er garantister for det. Jeg er glad for at det er et bredt flertall her i Stortinget for en EØS-avtale, som sikrer Norge adgang til et stort marked, og som gir oss mulighet til å være trygge innenfor rettsregler i en verden hvor flere land søker ut av samarbeid. Så er jeg veldig glad for at det i bunnen for vårt demokrati ligger debatt, og jeg frykter den ikke. Jeg ønsker den velkommen. Det kan være debatt om oljepolitikk og klima. Det kan være debatt om hvordan vi innretter det europeiske samarbeidet. Det kan være debatt om hvordan vi vil ha samfunnsretningen. Og jeg tror – i mitt innlegg snakker jeg om retningen for samfunnet – at Kristelig Folkeparti kunne fått påvirke i en annen retning om de hadde tatt et annet valg. Jeg har respekt for valget de har tatt, men det er en regjering hvor Høyre og Fremskrittspartiet setter retningen for den viktige kursen for Norge, og det var det jeg belyste i mitt

Så ser vi at det eneste disse partiene er enige om, er å kaste regjeringen Solberg. De er ikke enige om felles retning. Det spriker. Senterpartiet kritiserer grønne avgifter, mens SV, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartiet vil gå i motsatt retning. SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne vil bygge mindre vei, mens Senterpartiet vil det motsatte. SV og Rødt vil liberalisere innvandringspolitikken, mens Senterpartiet vil stramme inn. Senterpartiet vil skyte flere ulver, mens SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne vil gå i motsatt retning. Senterpartiet, Rødt og SV sier nei til EØS-avtalen, mens Arbeiderpartiet sier at de står bak den. Dette spriket – hvordan vil representanten Støre karakterisere det når det skulle komme til regjeringsforhandlinger? Er ikke det et fullstendig kaos? Jeg er glad for at representanten Helleland er glad for å referere meningsmålinger . Jeg er glad for at det avtegner seg meningsmålinger i Norge som viser et flertall for en annen politikk, et flertall som ønsker en politikk hvor fellesskapet tar ressursene i bruk for å sikre folk makt og frihet over eget liv. Jeg er glad for at vi har et flertall som ser at i denne regjeringen er det også stort sprik og manglende entusiasme for det prosjektet som kommer. Om hovedretning i det norske samfunn, om styring av økonomien, om ansvarlig økonomisk politikk og fellesskapets ansvar er det bred enighet i denne opposisjonen. Arbeiderpartiet har vist, som Høyre viser nå, at vi kan finne kompromisser med andre partier for å ta ansvar for landet. Jeg tror representanten Helleland skal konsentrere seg om sitt eget mangfold i regjeringen, så skal Arbeiderpartiet sørge for at vi har en politikk for vårt parti, som kan ta ansvar. Vi skal kunne vise velgerne i 2021 at om denne regjeringen mister flertallet, vil et nytt flertall kunne ta ansvar for landet. Jeg er glad for at denne debatten starter i en sånn men spørsmålet til Støre er vel egentlig om han anerkjenner – eller innrømmer – at et alternativ til den sittende regjering hviler på at han er nødt til å søke støtte i Stortinget fra partier som Rødt og Miljøpartiet De Grønne, som har en helt annen innfallsvinkel til verdiskaping, til EU-samarbeid, til EØS-samarbeid osv. Betyr det at Støre nå anerkjenner og aksepterer at Rødt og Miljøpartiet De Grønne vil være en del av hans parlamentariske grunnlag dersom han skulle måtte overta? Jeg er ikke glad for at representanten Hellelands parti har valgt, som det eneste partiet i Norden, å gå inn i bindende regjeringssamarbeid med ytre høyre – og Høyre er jo merket av det i den økonomiske politikken og på en lang rekke andre områder. Det er for tidlig å spekulere om hva som blir et regjeringsgrunnlag i 2021, men jeg har respekt for de velgerne som sier at den kursen denne regjeringen legger ut på, er feil. Norge tar ikke mulighetene sine i bruk. Vi forandrer samfunnet vårt. Forskjellene øker. Vi gjør ikke nok for å få ned klimagassutslippene. Vi gjør ikke nok for å rydde opp i arbeidslivet. Så får vi se når vi nærmer oss 2021. Jeg er trygg på at nytt flertall vil ha et sterkt Arbeiderpartiet, og da vil vi kunne ta ansvar for en annen kurs for landet.

Eiendomsskatt er en av de mest usosiale skattene, som rammer mest dem som har minst. Rekordfå kommuner er på ROBEK-listen. Det går godt også i Kommune-Norge. Likevel opplever man mange steder at Arbeiderpartiet står i spissen for å straffe egne innbyggere med mer skatt på familiens hjem. I Arbeiderparti-styrte Oslo går man med 2,5 mrd. kr i overskudd. Uten å ha eiendomsskatt

er måten fellesskapet finansierer spleiselaget på. Denne regjeringen vil kutte i skatt over stat, mest kutt til dem som har mest. Nå vil de også kutte i kommunene. Tradisjonen i Norge har vært at vi lar kommunene avgjøre dette. De gjør det på litt ulikt vis ut fra hvilke oppgaver de har, hvordan de løser dem, og hvordan de skal betale for dem. I en lang rekke Høyre- og Fremskrittsparti-styrte kommuner har eiendomsskatten økt. Det er ikke fordi det er spesielt gøy å øke eiendomsskatten – det er det aldri – men fordi det er nødvendig for å sikre eldreomsorg og barnehageplasser. barnehageplasser. Jeg merket meg at den tidligere ordføreren i Hadsel i Vesterålen, representanten Freiberg, som nå er statsråd for Fremskrittspartiet, sa til partilederen at hvis skattene går ned, går velferden ned. Det er nødvendig for å løse oppgavene. Det tror jeg er et veldig praktisk uttrykk fra en ordfører som visste hva den hverdagen handlet om. Og det er det dette opplegget kommer til å føre til: dårligere velferd.

Det finnes også mange kommuner som greier seg utmerket godt uten. Jeg vil anbefale representanten Støre å ta seg en tur til Os kommune utenfor Bergen, som er et utrolig flott utstillingsvindu for f.eks. god eldreomsorg. Der greier man å drive kommunen fantastisk effektivt, med gode tjenester. Så jeg vil spørre nok en gang: Hvorfor er eiendomsskatten så viktig å kjempe for, når man ser at kommunene og likevel er man veldig opptatt av å tømme lommebøkene til innbyggerne sine? Mine kolleger i Arbeiderpartiet som jobber ute i kommunepolitikken, står i kø for å kjempe for god velferd. Det viktigste for velferden til folk avgjøres i kommunene – nok barnehager, kvalitet i barnehager, en trygg eldreomsorg, et trygt miljø, å rydde opp i arbeidslivet. Det er de tiltakene som treffes lokalt. De jobber for dette – nok pleiere på sykehjemmet, nok lærere i skolen. Det er deres ansvar. De skriver ikke ut én krone mer enn de trenger for å løse de oppgavene, men en frihet de skal ha, er å gjøre det på denne måten. Resultatet av Sylvi Listhaugs og Fremskrittspartiets politikk er privatisering av disse oppgavene – kommuner med dårlig råd og folk med penger som vender seg en annen vei. Det har vi klart å stå imot i Norge, med likeverdige tilbud til alle. Men dette er en oppskrift for økte forskjeller. Det ligger i regjeringsplattformen, det skal bli mer av det over staten, og nå skal det også komme til kommunene. Og jeg er overrasket over at Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti er med på dette og svekker kommunenes egen rett til å finansiere og løse sine velferdsoppgaver.

erfaringene du har med privat eldreomsorg og private tjenester, så dårlige? Er det det som er grunnlaget for den nedrakkingen som vi hører, av disse private aktørene? Presidenten må minne om at talen skal gå gjennom presidenten, så det er lurt f.eks. å bytte ut ordet «du» med «representanten». Dette skal presidenten få slippe å svare på, for jeg kan fortelle representanten at jeg én gang i uken, to ganger i uken, tre ganger i uken er på et sykehjem i Oslo og besøker min mor min mor – og, inntil han døde, også min far Det er et sykehjem som drives under Lovisenberg sykehus. Det er en ideell organisasjon med avtale med kommunen – et offentlig tilbud, et stolt tilbud. Det er vi fornøyd med. Det får vi igjen for fordi Oslo og dette flotte sykehjemmet er i stand til å levere gode sykehjemstjenester. Da Arbeiderpartiet fikk ansvaret i Oslo i 2015, var det forbud i Oslo mot å starte kommunale barnehager. Det er ideologiske Da Arbeiderpartiet fikk ansvaret i Oslo i 2015, var det forbud i Oslo mot å starte kommunale barnehager. Det er ideologiske skylapper! Det var forbud mot å starte det. Her skal det åpnes for konkurranse, de private skal sluses inn og gis fortrinnsrett. Man skal gjøre det til en svensk modell – en svensk modell som viser at det er et «fast track» for private, og de ideelle skvises ut. De eldre får ikke økt valgfrihet, det er bare 3–4 pst. som bytter. Men der kan altså nå de som gir velferd, gå konkurs. ikke. Barnetrygden har stått stille siden begynnelsen av 1990-tallet, og velferdsforskere er klare på at det i seg selv er en medvirkende årsak til at barnefattigdommen har økt i samme periode. Spesielt aleneforsørgere og innvandrerfamilier er overrepresentert i statistikken over barn som vokser opp i fattigdom. Økt barnetrygd er derfor god samfunnsøkonomi Færre barn som vokser opp i fattige familier, vil føre til bedre oppvekstsvilkår og bedre helse for befolkningen som helhet. Vi vet at Arbeiderpartiet er opptatt av å redusere fattigdom i Norge. Hvorfor velger Arbeiderpartiet, til tross for denne godt dokumenterte kunnskapen om hva som virker, å si nei til økt barnetrygd, et av de målrettede tiltakene mot økt

Men det er jo slik at de 80 kr som man får i økt barnetrygd i år, ikke rekker til å betale økningen i barnehageprisen. La meg legge til et spørsmål, en oppfølging av dette: Da Kristelig Folkeparti i høst foreslo å øke barnetrygden, ville Arbeiderpartiet vært åpen for å diskutere det, men det var jo en del to i det forslaget: Hvordan skal det finansieres? Kristelig Folkeparti sa i det jeg mener er god Kristelig Folkeparti-stil, at det et nytt nivå i trinnskatten som gjør at vi kan finansiere det på en rettferdig måte. Det er ute av erklæringen, og dermed blir det vanlige folk, vanlige foreldre som må betale for dette. Det er urettferdig. I haust kom det ein FN-rapport som viser at det dessverre hastar meir enn nokon gong med å redusera klimagassutslepp, utan at det har utan at det har bidrege til at representanten Støre brukte særleg taletid på klima. Lukkast verda med å nærma seg 1,5-gradarsmålet i 2050, kjem verda t.d. til å flauma over av olje og gass ein ikkje har bruk for. Konkurransen for fossil energi-produsentar vert truleg betydeleg tøffare. tøffare. I tillegg til klimarisikoen tek Noreg ein stor finansiell risiko og ein risiko på vegner av ei stor næring, og me prolongerer svært kraftfulle statlege rammevilkår utan å vera villige til å vurdera endringar. I så måte var initiativet representanten Barth Eide tok i førre veke om ein oljeskatteregimedebatt i samband med programarbeidet for 2021, viktig. Dessverre parkerte partileiar Støre Når meiner representanten Støre at Arbeidarpartiet skal ta den debatten, med tanke på kor mykje som står på spel både klimamessig og for viktige norske arbeidsplassar? Den debatten må vi ta hele tiden, om både finansiell risiko, klimarisiko, teknologisk risiko, hvordan Norge skal være i front for å kunne hente ut sine naturressurser på en effektiv måte. Jeg vet ikke om representanten nå stilte spørsmålet på vegne av Venstre eller regjeringen, men jeg går ut fra at det er litt begge deler. Det har nå kommet en viktig NOU om den finansielle risikoen i forbindelse med utviklingen av global oppvarming. Det må vi legge stor vekt på, og vi må utvikle skatt og rammevilkår som stemmer med den rollen Norge skal ta. Men når det gjelder skatt og ordninger som aktører skal forholde seg til når de skal investere, er det viktig at det også er stabilitet og forutsigbarhet. Derfor har Arbeiderpartiet sagt at leterefusjonsordningen er godt utviklet, den inviterer inn mindre selskaper på sokkelen, vi får tilgang til ny teknologi, ny kunnskap. Den ligger fast. Vi står bak den. Så får vi ta en debatt om den finansielle risikoen, hvordan Norge eksponerer seg både med de pengene vi har tjent gjennom oljefondet, og hvordan staten for øvrig har sitt eierskap. Men Arbeiderpartiets posisjon er helt klar her.
replikkordskiftet omme, og vi går tilbake til den ordinære talerlisten.
omme. I Høyres historie har ønsket om samarbeid på ikke-sosialistisk side stått sentralt. Ikke uten grunn het første bind av Høyres historie «Drømmen om borgerlig samling». Og her er vi, januar 2019, nesten hundre år senere, og Granavolden-plattformen er signert av Drømmen om borgerlig samling er blitt virkelighet. Norge har fått en ikke-sosialistisk flertallsregjering med et ambisiøst program for Norge. Der man i andre land sliter med politisk ustabilitet, har vi i Norge klart å diskutere oss fram til en felles retning for landet. Vi skal trygge Norge for framtiden og bygge et bærekraftig velferdssamfunn. Et bærekraftig velferdssamfunn trenger bedrifter som ansetter, og folk som er i jobb. Derfor vil regjeringspartiene at det skal lønne seg å jobbe og investere. Vi skal satse på infrastruktur og kompetanse. I god konservativ ånd skal vi overlevere kloden i god stand til neste generasjon, også miljømessig. Derfor skal Norge lede an i klimapolitikken. Utslippene skal ned og virkemidlene trappes opp. Norge er i dag et land med sterk tillit mellom folk og små forskjeller. Denne sosiale bærekraften må vi bevare. Derfor vil regjeringen redusere utenforskapet, integrere flere innvandrere og føre en kunnskapspolitikk som gjør at folk kan leve frie og selvstendige liv. Vi kan ikke nyte frihet uten trygghet. Derfor vil regjeringen også satse på politiet, og ikke minst et sterkt og troverdig forsvar, slik statsministeren redegjorde for i gårsdagens erklæring. Enigheten mellom de fire ikke-sosialistiske partiene startet ikke i januar 2019. Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har litt fram og tilbake de siste 15 årene diskutert seg fram til løsninger på de fleste politikkområder. Granavolden-plattformen bygger videre på denne enigheten. Da regjeringspartiene vant valget i 2013, opplevde vi et Norge der folk sto i lang kø for å få helsehjelp. Det var en uverdig situasjon for pasientene. Siden den gang er helsekøene dramatisk redusert, bl.a. gjennom et tettere samarbeid med privat sektor. Nå er målet en ytterligere reduksjon.

Senest de to siste ukene har vi fått gladmeldinger fra norsk skole. Mobbingen går ned, rekordmange lærlinger får læreplass, og fraværsgrensen får ned fraværet. Flertallspartiene skal fortsette satsingen. Vi vil innføre obligatorisk engelsk i Vg2 og Vg3, én ekstra realfagstime og øke antallet lærerspesialister med 3 000 innen fire år. På den måten skal skolen gi elevene flere

samferdsel. De store veiprosjektene Ryfast, Rogfast og Hordfast vil gi mer effektive transportløsninger på Vestlandet. Nye Veier bygger motorveier billigere i Trøndelag, Agder, Telemark og Innlandet. I Oslo vil ny sentrumstunnel og Fornebubanen åpne for ny kollektivtransport til og fra Oslo. Og i nord får vi nye flyplasser i Bodø og Mo i Rana. Jeg kunne fortsatt i evigheter. Bompengeandelen går ned samtidig som bevilgningene til opprustning og fornying av fylkesveinettet er Samtidig fortsetter den storstilte utbyggingen av jernbanen for fullt. Det er ingenting som skaper mer vekst og utvikling i distriktene enn samferdselspolitikken. Det som er bra, er at vi bygger vei samtidig som utslippet fra veitrafikken går ned med 10 pst. Hver tredje nye bil som selges, er nå en elbil, og det er ingen land som er i nærheten. Vi klarer nemlig å lage en klimapolitikk som folk liker. Jeg ser fram til å høre opposisjonens alternativ. Det eneste partiene har til felles, er at de vil fjerne Erna Solberg som statsminister. Ellers er de rykende uenig om det aller meste. Jeg ser derfor fram til en debatt hvor vi skal snakke om regjeringens politikk på de store utfordringene Norge står overfor. Og jeg er mer motivert enn noen gang til å kjempe for at Erna Solberg er statsminister for Norge også etter valget i 2021. Det blir replikkordskifte.

men når me ser på kven som høyrer til dei med den lågaste 10-prosenten, er det folk med laus tilknyting til arbeidslivet. Det er korte og mellombelse kontraktar, deltid, innleige – kort sagt folk med lite føreseielegheit for løn og framtid. Og utviklinga i arbeidslivet, kva vilkår folk jobbar under, har ein jo innverknad på, og på den måten kan ein òg påverka føresetnadene for lønsutviklinga. Så spørsmålet mitt er ganske enkelt: Kva har representanten Helleland tenkt å gjera for at lønsutviklinga skal vera meir rettferdig framover? Helleland tenkt å gjera for at lønsutviklinga skal vera meir rettferdig framover? Denne regjeringen har ett hovedmål: bærekraft. Det er sosial bærekraft og bærekraft for velferden, og hele forutsetningen for det er at flest mulig har tilknytning til arbeidslivet. Jeg mener at denne regjeringsplattformen på over hundre sider er gjennomsyret av tiltak, av målsettinger, for å gi folk muligheten til å bli inkludert, til å komme i jobb og til å skaffe seg gode liv. Bakgrunnen for det, muligheten for det, er at man har tilknytning til arbeidslivet. Arbeidsledigheten har gått ned, sysselsettingsandelen, som det var mye snakk om for noen Vi gjør en rekke tiltak for å inkludere både innvandrere og folk som har utfordringer med å komme inn i arbeidslivet. Så jeg mener at gjennomlesing av regjeringsplattformen gir mange svar på dette. Dette er jo folk som har tilknyting til arbeidslivet; tilknytinga er berre dårleg. Samfunnsøkonomisk analyse og Senter for at dei som er i den lågast lønte 10-prosenten, har nokre kjenneteikn. Dei oppsummerer med å seia at den vanlege låglønte i Noreg er ei ung, norskfødd kvinne, la oss kalla henne Ingrid. Ingrid jobbar deltid, ho er tilsett i ei verksemd utan tariffavtale, og bakgrunnstala viser òg at ho mest sannsynleg heller ikkje er fagorganisert. Når det gjeld spørsmålet om kvar ho jobbar, jobbar ho i ni av ti tilfelle i tenesteproduserande del av privat sektor, altså er ho f.eks. servitør, butikkmedarbeidar eller hotelltilsett. Då spør eg: Kva har partiet Høgre tenkt å gjera for at kvinner som Ingrid skal ha ein reell sjanse til å få høgare løn i

mener at det gjennomsyrer denne regjeringsplattformen, det er det vi satser på – fordi verdiskapingen er avhengig av at alle deltar. Igjen: Dette er folk som har ein jobb. Dei har tilknyting til arbeidslivet. Spørsmålet er kva slags jobb. Me ser at den største veksten i privat sektor har vore nettopp innanfor dei bransjane som er mest utsette, som har lågast organisasjonsgrad og lågast lønsutvikling. Med andre ord er den største veksten bygd på krumbøygde ryggar, som jobbar beinhardt for lite pengar, det er folk som er uorganiserte, og som ikkje har ordna forhold. Likevel ser me at høyreregjeringa igjen insisterer på å skriva i plattforma at dei «anerkjenner» det uorganiserte arbeidslivet, og dei lanserer ingen nye tiltak for å få opp organisasjonsgraden. Kva er grunnen til det?

arbeidslivet. Jeg kan ikke gå inn og si at du skal gå fra 10 til 20 pst., eller fra 30 til 50. Poenget er jo at man må ha et arbeidsliv som etterspør arbeidskraft, man må ha en økonomi som går godt, man må ha verdiskaping i Norge, man må ha vekst – som gjør at det blir rom for alle i arbeidslivet, at alle får anstendig lønn, og at alle har en tilknytning til

Blant dem som demonstrerte, var en rekke lokale tillitsvalgte i Høyre. Over 200 ordførere har skrevet under et ordføreropprop mot regjeringens rovdyrpolitikk, deriblant mange ordførere fra Høyre. Høyres stortingspolitikere har vært fraværende i rovdyrdebatten. Det er derfor mange som drar konklusjonen at Venstres rovdyrpolitikk har blitt Høyre sin, noe som må sies å være nytt. Det er derfor nødvendig å spørre Høyre: Er Høyre fornøyd med rovdyrpolitikken som føres av dagens regjering? Hvis en går inn i den berømte Granavolden-plattformen, står det veldig tydelig og eksplisitt at regjeringen skal følge de to rovdyrforlikene i Stortinget og flertallsforliket om ulv, som jeg selv var med på å forhandle fram

hvis de mot formodning skulle havne i en regjering med SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne, ville være like ivrige i rovdyrpolitikken som de er i opposisjon. Det har jeg mine sterke tvil om, for det var ikke mye vi hørte til Senterpartiet da de satt i regjering. Nå er det sånn at bestandstallet på ulv er langt over det det skal være. Rovviltnemndene innstilte på å ta ut tre ulveflokker, mens regjeringen svarer med kun å ta ut én som besto av to ulver. Vi ser igjen at rovviltnemndene blir overprøvd og overkjørt av dagens regjering. Hobøl og Mangen ble fredet av denne regjeringen, og Høyre er dermed med på å sette Stortingets vedtak og hele rovdyrforliket til side. Det er alvorlig, både politisk og prinsipielt. Men i dag fremmer Senterpartiet forslag om nettopp å ta ut Hobøl- og Mangen-flokken, som var rovviltnemndenes forslag. Er dette et forslag Høyre kan støtte og vil være med og støtte Senterpartiet i? Nå har vi en rovdyrforvaltning og et system for det som ikke er basert på at Stortinget i en erklæringsdebatt skal fatte vedtak om hvilke ulver som skal tas ut. Det ville være en litt useriøs måte å behandle dette spørsmålet på. Men ulveforliket ligger fast, og jeg mener at den diskusjonen som var om de tre flokkene, er relevant. Jeg synes den er vanskelig. Jeg mener at vi kanskje bør ta ut flere – det er min mening. Men det som er viktig, og som Senterpartiet veldig glatt overser, er at for første gang ble det fattet vedtak om å ta ut ulv i ulvesonen. ulvesonen. Det er et usedvanlig viktig signal. Ingen kan si at ulvesonen skal være et reservat, eller at det skal være en frisone for ulv, selv i ulvesonen kan vi ta ut ulv. Jeg mener at ulveforliket ligger fast. Det skal vi følge opp. Jeg er også glad for at Landbruksdepartementet nå skal være med på vurderingene, i tillegg til

selv om en aldri skal undervise i matematikk og har 5 eller 6 i de fagene en drømmer om å undervise i. Å sørge for at ungene våre møter en kvalifisert lærer når de kommer til skolen, er så viktig at jeg hadde håpet vi kunne ha lagt partipolitikken til side og tatt et felles ansvar for å finne en gyllen middelvei. Universitets- og høgskolerådet har et kompromissforslag, en prøveordning med et alternativt opptakskriterium hvor høy gjennomsnittskarakter kan trumfe firerkravet, altså at det kreves 40 studiepoeng istedenfor karakteren 3 i matematikk. Er dette noe Høyre kan vurdere?

står seg svært godt. Jeg mener at det å ha karakterkrav i matematikk er viktig for å heve kompetansen i realfag – det er ikke uten grunn at regjeringen nå også ønsker å innføre en ny time med realfag i skolen. Så er jeg overbevist om at den kursen regjeringen er inne på – få ned fraværet, få opp karakterene, styrke kvaliteten på lærerne gjennom etterutdanning, gjennom kompetanseløft – er riktig medisin for norsk skole. SVs medisin har aldri funket, og derfor måtte vi snu kursen etter åtte år med rød-grønt styre. Forrige uke var jeg på besøk ved min gamle lærerskole i Tromsø. Det var et veldig hyggelig gjensyn. Da jeg spurte om hva vi burde gjøre for å få bukt med lærermangelen, som er spesielt kritisk i nord, fikk jeg ett svar: Aldri gi opp å kjempe imot firerkravet i matematikk! Tromsø fyller alle sine plasser. Det er et populært studiested, og det er det mange gode grunner til. Likevel ser de en utvikling der de skjevutdanner studentene sine. Alle studentene som kommer inn, tar videreutdanning i matte og naturfag, og ingen velger norsk, for det er frivillig å ta norsk Ser virkelig ikke representanten og Høyres parlamentariske leder noen utfordringer med firerkravet, når de faglige signalene fra Universitets- og høgskolerådet, institusjonene og pedagogstudentene er så tydelige? Jeg nevnte i mitt forrige svar at vi legger opp til en ekstra realfagstime i skolen nå. Høyres svar til SV er vel da kanskje at man heller skulle være med oss og kjempe for at karakterene i matte gikk opp, og at kvaliteten på matteundervisningen og karakterene til elevene gikk opp, slik at enda flere møtte kravet om å ha 4 i matte for å komme inn på lærerutdanningen. Jeg tror det er en gå enn å si at nå har vi innført et krav, det er litt vanskelig for noen, og derfor må vi fjerne det. Det fører ikke til økt kvalitet i norsk skole. Vi ønsker en bedre og styrket realfagsundervisning. Dermed vil elevene få bedre karakterer, flere vil kvalifiseres, og jeg tror vi kommer til å få veldig mange gode lærere i realfag etter

I klimapolitikken ligger djevelen i detaljene. Denne regjeringen har som en av fanesakene innenfor klimapolitikken en flat CO 2 -avgift, som skal økes gradvis fra 2020. Men så står det et annet sted i plattformen at når det gjelder pumpeprisen, altså bensin- og dieselprisen, for Så akkurat når det gjelder personbilistene, som altså står for halvparten av utslippene fra transportsektoren – og transportsektoren er den enkeltsektoren i Norge med størst utslipp – skal man ikke merke miljøpolitikken. Spørsmålet er hvordan Høyre, som statsministerens parti, har tenkt å nå målet om å halvere utslippene i transportsektoren, når man ikke skal røre det viktigste virkemidlet, i personbiltransporten. Takk til MDG.

Det viser at elbilene har bidratt til å få ned utslippene. Det kompenserer vi gjennom avgiftspolitikken. Jeg mener at den vekslingen vi gjør der, er helt riktig, for folk investerer i elbil, det får utslippene ned – det er en god politikk. Replikkordskiftet er dermed omme. Mangt har vært sagt om den politiske høsten vi har lagt bak oss. Nå starter vi en ny politisk vår. Jeg er takknemlig og

De fire partiene på ikke-sosialistisk side som fikk flertall ved valget i 2017, har fremforhandlet et felles fundament som gir forutsigbarhet for en fortsatt god utvikling av Norge. Gratulerer og velkommen til Kristelig Folkeparti som en del av regjeringen! I over fem år har Fremskrittspartiet hatt hånden på rattet. Vi kom i posisjon, vi leverte, og vi ble gjenvalgt. Vi ønsket politiske gjennomslag, og det har vi fått. Vi styrer landet for å gjøre hverdagen enklere og bedre for folk flest. Fremskrittspartiets utgangspunkt for en flertallsregjering var at vi skulle fortsette å senke skatter og avgifter, forsterke den historiske satsingen på samferdsel og få på plass ytterligere innstramminger på innvandring. Med denne plattformen gjør vi nettopp det. Med Fremskrittspartiet i Samferdselsdepartementet har budsjettet økt med 75 pst. Vi bygger landet med trygge veier. Vi bygger mer vei, og vi bygger smartere slik at vi får mer og bedre vei for pengene. Vedlikeholdsetterslepet har gått ned, og vi har samtidig sørget for at bilistene ikke lenger er statens melkeku. Nye Veiers portefølje skal øke i kommende NTP. Vi skal innføre fradrag for bomutgifter, vi dobler infrastrukturfondet, og vi skal kutte bompenger i distriktene med ca. 1 mrd. kr årlig. Plattformen slår også fast at pumpeprisene på bensin og diesel ikke skal øke som følge av avgiftsendringer og økt innblanding av biodrivstoff. At fartsgrensen kan økes til 120 km/t i på de beste veiene, er kanskje ikke det viktigste for alle, så lenge det er lov å kjøre i 110, men jeg føler meg i hvert fall trygg på at vi gleder mangt et bilentusiast-hjerte når vi fjerner engangsavgiften ved import av biler som er eldre enn 20 år. Kommuneøkonomien er historisk god. Likevel har en rekke rød-grønne kommunepolitikere de senere årene funnet det nødvendig å øke eiendomsskatten til tross for at regjeringen har styrket kommuneøkonomien. For Fremskrittspartiet er hele eiendomsskatten en uting, og kampen mot eiendomsskatten har lenge vært en av våre aller viktigste saker. Det vil den være i høstens kommunevalg også. I Jeløya-plattformen senket vi makssatsen fra I Granavolden-plattformen kutter vi med ytterligere 1 promille. Med dette må over en tredjedel av landets kommuner kutte i eiendomsskattesatsen. Det er godt nytt for innbyggerne. Deres bolig er et hjem og ikke et skatteobjekt for politikere som ikke klarer å drifte kommunen effektivt. Det er nok av kommuner som klarer seg uten eiendomsskatt, og mange av disse kommunene er de som leverer best, med et godt tjenestetilbud og fornøyde innbyggere. Innbyggerne har allerede betalt for kommunale velferdstjenester gjennom ordinære skatter. Høy eiendomsskatt vitner om svak økonomistyring og ikke om dårlig kommuneøkonomi. Hvis kommunepolitikerne ikke klarer prioriteringene, kan velgerne hjelpe dem ved valget 9. september. Det går godt i landet vårt. Arbeidsledigheten går fortsatt ned, andelen sysselsatte øker, og vi har fortsatt rekord i antall nyetablerte bedrifter. Den mest positive utviklingen ser vi i typiske distriktsfylker – på Vestlandet, i nord og i innlandet. Vi tar hele landet i bruk, og vi legger til rette for arbeidsplasser der hvor folk bor. I den nye plattformen har vi fått gjennomslag for ytterligere forenklinger i plan- og byggesaker og for bygging og utnytting av areal uten at fylkesmann og stat kan legge hindringer for dette. Det er å ta lokaldemokratiet på alvor. I næringspolitikken får vi på plass ytterligere forenklinger og forbedringer for små og mellomstore bedrifter. Beløpsgrensen for årlig innrapportering av merverdiavgift skal heves, vi forenkler regelverket for revisjon, og vi skal gjennomgå rammebetingelsene for selvstendig næringsdrivende og frilansere for å gjøre det enklere å starte egen virksomhet. I tillegg skal vi legge frem en egen strategi for å styrke små og mellomstore bedrifter. I sum vil dette gjøre det enklere å etablere bedrifter og virksomheter, og det trenger vi. Vi er opptatt av å legge best mulig til rette for folk som vil skape og utvikle arbeidsplasser, og resultatene av den offensive næringspolitikken er både at bedrifter flytter hjem virksomhet, og at flere velger å etablere seg i Norge. Det er godt nytt for et land med en liten og åpen økonomi, og det betyr at vi gjør noe veldig riktig.

Taxfree-kvoten er tilbake for dem som kan bære tungt, og for helsepolitikkens del ser vi noen tydelige knepp mot høyre og iveren etter å privatisere, da på bekostning av vår felles helsetjeneste, som er til stede overalt for alle. Man løfter noen ambisjoner på rus og psykiatri, mens realiteten der ute for folk flest er at man opplever at det kuttes i denne tjenesten. I Møre og Romsdal legges det ned plasser til rus og psykiatri, på Sjøholt i helsepolitiker Sylvi Listhaugs hjemmeområde, hvor man uttaler at dette ikke er akseptabelt. Så mitt spørsmål er: Vil man også i denne regjeringen oppleve ett FrP i Stortinget, ett FrP i lokalmedia og ett FrP i regjering?

gitt. Det skal vi fortsatt gjøre, og det bærer også den nye plattformen preg av. Det er viktig å etablere gode tilbud for dem som har rusproblemer, og derfor skal vi sørge for at ventetiden og behandlingstilbudet blir enda bedre.

Synes representanten Limi at abortloven er som en hvilken som helst annen sak man kan forhandle om i en regjeringserklæring? Eller ser man fortsatt spesielt på kvinners opparbeidede rettigheter i sånne dypt alvorlige spørsmål for den enkelte? Det er jo ikke slik at vi har forhandlet bort abortloven i regjeringsforhandlingene – snarere tvert om. Vi har sikret at det ikke blir noen store endringer i abortloven, med ett unntak, og det gjelder altså tvillingabort. Det er jo litt forunderlig å tenke på at det Arbeiderpartiet i første rekke angriper den nye regjeringen for og angriper plattformen for, er enighet rundt punkter som Arbeiderpartiet ikke gjorde noe med så lenge de satt i regjeringsposisjon. De hadde åtte år på seg til å gjøre endringer både på gen og bio og i og for seg også gjøre noe med tolkningen av lovverket i forhold til tvillingabort. Det valgte de ikke å gjøre. Nå har vi gjort det fordi vi har vært enige om at vi kunne gjøre noen begrensninger, men vi har også veldig tydelig definert at det er de eneste begrensningene som kommer i gjeldende

Det har alltid vært lovlig, og det har vært praktisert i helsetjenesten. I 2016 slo helseminister Bent Høie fast at dette er selvbestemt. Det må til Stortinget, og abortloven må endres for at det skal endre seg. Det er det man har innrømmet Kristelig Folkeparti i forhandlingene, det er innskrenkninger i abortloven. Er det sånn at Limi ser annerledes på dette enn statsråd Bent Høie? Limi ser annerledes på dette enn statsråd Bent Høie? Det er det nok ikke. Jeg bare registrerer at det var først i 2016 at dette ble definert og tolket innenfor gjeldende lovverk. Og som sagt står det ganske tydelig i Granavolden-plattformen at det ikke er aktuelt å gjøre endringer i abortloven med ett unntak, og det er det som gjelder tvillingabort. Det er tydelig avgrenset og definert i den plattformen som er forhandlet frem mellom de fire partiene.

en kraftig økning av avgiftene i Norge. I løpet av de første fem årene som Fremskrittspartiet satt i regjering, økte avgiftene med 6,6 mrd. kr. Det var avgifter som rammet norske arbeidsplasser, som førte til nedlegging av flyplass, som første til investeringer som ikke ble gjort, og som førte til at arbeidsplasser gikk tapt.

Hvor mye mener Fremskrittspartiet det er fornuftig at strømprisene i Norge skal øke videre? Fremskrittspartiet mener selvfølgelig ikke det er fornuftig at strømprisene øker, det skulle bare mangle. Jeg vil minne representanten Gjelsvik om at i budsjettet for 2019 gikk elavgiften ned, den ble redusert i likhet med andre avgifter. Nå er vi i en situasjon der

ser at det etableres bedrifter – det er et rekordhøyt antall – og at arbeidsledigheten går ned. I sum er resultatene av denne politikken veldig god. Taletiden er ute – dette er en lang debattdag. Presidenten kommer nok til å være ganske streng på taletiden, og den er 1 minutt til replikkordskiftet. Da er det Gjelsviks ord som gjelder.

på momssystemet, sies det fint at en skal gjennomgå og forenkle momssystemet og redusere antall satser. Da skulle en kanskje tro at det skulle føre til at en reduserer avgiftene, reduserer momsen. Men nei, rett etter at den nye plattformen er lagt fram, kommer et mandat fra finansministeren der

Det som er realiteten, er at vi i løpet av de årene vi har sittet i regjering, har redusert skatter og avgifter med nesten 25 mrd. kr. Vi har redusert skatt både for selskaper og for lønnsmottakere, og det har også kommet dem med lave og middels inntekter til gode.

Det som er signalisert, er at man skal ha en gjennomgang av merverdiavgiftssystemet. Det er jo tydelig på andre områder i denne plattformen at det som måtte komme av endringer, bl.a. på CO2-avgiften, skal kompenseres med andre tiltak, så det er en balanse i det som er fremforhandlet.

Det vi er åpne for, er å se på litt større grad av fleksibilitet, bl.a. når det gjelder turnusordninger, som vi vet at det innenfor mange bransjer og yrkesgrupper er et stort både ønske om og behov for. Vi må hele tiden se hva arbeidslivet og samfunnet trenger, og tilpasse det regelverket vi har, for å imøtekomme de ønskene og behovene som er der. Klimaendringene fører til mer ekstremvær. Det

Vi står selvfølgelig bak hele plattformen slik den er fremforhandlet på Granavolden. Fremskrittspartiet har alltid vært opptatt av kostnadseffektive miljø- og klimatiltak. Det som ligger i denne plattformen, er bl.a. en videreføring av elbilfordelene – veldig kostbare tiltak, som man gjerne kan stille spørsmål

har ført de siste fem årene. Takk for svaret. Noen av de virkemidlene som representanten her refererer til, har Stortinget allerede fastlagt at regjeringen skal gjøre. Mye av det gjøres allerede. Det å endre på elbilfordelene i vår tid ville mildt sagt vært veldig merkelig. Det ville skapt oppstandelse internasjonalt. Jeg vil gjerne komme tilbake til spørsmålet mitt: Hva har Fremskrittspartiet jobbet for i denne plattformen, og hva er de mest stolt av når det gjelder konkrete tiltak for at vi ikke bare kutter 10 pst. de neste tolv årene, men 45 pst. i ikke-kvotepliktig sektor – det gjelder transport, landbruk, avfall og bygg? Jeg nevnte de tiltakene som har vært viktige for oss for å få folk til å ta mer miljøvennlige valg. Vi tror også at for å oppnå ambisjonene i klimapolitikken må man bruke positive virkemidler. Det kan ikke bare være pisk, det må også være noen gulrøtter. Vi ser at når vi bruker avgiftssystemet på en positiv måte, får vi også store effekter. Resultatene av det er bra. En videreføring av både avgiftspolitikken når det gjelder og de elbilinsentivene som ligger der, er riktige klimatiltak – i hvert fall i denne perioden. For øvrig har vi prioritert gjennomslag på andre områder i den plattformen som har vært viktige for Fremskrittspartiet. Replikkordskiftet er omme. Vi debatterer i dag erklæringen til en flertallsregjering. Det er det grunn til å gratulere statsministeren med. Jeg kan love at Senterpartiet skal være en stødig og
Takk

Nå har statsministeren justert sin lagoppstilling, men erklæringen viser at hovedkursen blir den samme. Det er en kurs som i sum ikke er god for Norge. Regjeringen har med knappe flertall tvunget igjennom upopulære og tvilsomme sentraliseringsreformer, som best kan beskrives som kjepphester. Regjeringen har også hatt et lettvint forhold til å påføre folk og næringsliv nye avgifter som på forhånd verken er eller drøftet med dem som blir berørt. Den utvidede regjeringen kommer derfor i stadig sterkere grad til å bli testet mot disse spørsmålene. Er de en regjering for hele landet? Er de en regjering som virkelig er villig til å ivareta norsk næringsliv og norske interesser? Dessverre har det blitt slik at regjeringen på en fartsblind måte velger å overkjøre grupper som de heller burde hatt en god dialog med. Gjennom flertallsregjeringen har sentrumspartiene mistet sin vippeposisjon i Stortinget. Den makten som sentrum har hatt for å kunne temme høyresidas forslag, er borte. Heretter er det tyngdekraften innad i regjeringen som teller – eller kanskje vi skal si kjøttvekten. Vi ser det allerede; det kommer til å bli Statsministeren varslet på sin pressekonferanse i forrige uke at hun ikke ville være som andre flertallsregjeringer, som hun sa. Vi skjønner hvem hun tenkte på da. Hun skulle være åpen for ideer fra opposisjonen i Stortinget. Da kunne jo statsministeren ha startet med å svare på det brevet om en redegjørelse om rovviltpolitikken som Arbeiderpartiet og Senterpartiet ba om for over seks uker siden, og som vi fortsatt ikke har fått svar på.

Med 22 statsråder og 48 statssekretærer setter Solberg-regjeringen rekord. Det setter også sine spor i stortingssalen. Nå er statsministeren plassert i «Ring 1», som vi ser – eller som vi senterpartister kanskje ville sagt: Hun er plassert innenfor «Ring 2». Statsministeren velger i alle fall å utvide framfor å effektivisere. Det er den bekvemme løsningen som blir

Like betenkelig er det at regjeringen er sammensatt på en slik måte at store deler av landet blir stående uten talsmenn rundt Kongens bord. Det er faktisk tre fylker som holder halve regjeringen. Det er Oslo, Bergen og Stavanger-området. Den geografiske balansen er svært skjev, enten en vekter by mot bygd eller landsdeler mot hverandre. Det mest korrekte er nok å si at dette er en Den sterke geografiske skjevheten kommer til å svekke regjeringens legitimitet i møte med flere landsdeler. Jeg forstår f.eks. godt Høyre i Trøndelag når de reagerer sterkt på mangelen på trøndere i regjeringen. Men for mange i Høyre er det vel slik som representanten Heidi Nordby Lunde sa det om Trøndelag Høyres skuffelse: «Dette er som vi sier i Oslo Høyre, storm i et Representasjonen i regjeringen er svakest i de områdene som strever med rovviltproblemene, som må kjempe for anerkjennelse av viktige næringer, som f.eks. skog- og treforedlingsindustrien og beitenæringene. Det er de fylkene som ikke har statsråder, som kjenner tøffest på kroppen politisentralisering og kommune- og fylkessammenslåinger, som ser at distriktspolitiske tiltak raderes vekk fra statsbudsjettet, og som opplever at statlige arbeidsplasser og tjenester fjernes når skattekontor, Nav, Statens vegvesen og trafikkstasjoner blir sentralisert. På mange måter synes det nesten som om staten er i ferd med å trekke seg tilbake fra deler av dette landet, samtidig som staten på den annen side fester grep om makt og inntekter på stadig flere områder, den annen side fester grep om makt og inntekter på stadig flere områder, og det skal jeg komme litt tilbake til. Denne regjeringen har i løpet av sine fem år blitt en avgiftsregjering. Skattelettelsene har gått til dem som har mest fra før. Lettelser i formuesskatten er i stor grad finansiert med avgiftsøkninger for absolutt alle. Det er en grunnleggende usosial skattepolitikk. Mange av avgiftsøkningene har også blitt kamuflert som såkalt grønne avgifter, men klimagasser. I en tid med rekordhøye strømpriser har regjeringen til og med funnet det for godt å øke avgiften på elektrisitet. Samlet sett har de økt den med 36 pst. i løpet av sin periode. Det er tøft i dag, for både forbrukere og norsk kraftkrevende industri. Noe av det første regjeringen nå skal i gang med, er nye skattemessige tellekanter skattemessige tellekanter for rabatter i arbeidsforhold eller for frivillige som gjør en dugnadsinnsats, bl.a. i Kultur-Norge. Nå skal den fordelen de har hatt av å delta på det arrangementet de gjør dugnad for, beskattes. Når en ser slike forslag, er det grunn til å spørre hvordan i alle dager regjeringen tenker. Dette kommer til å bli oppfattet – med rette – som både byråkratisk og smålig. Men det er vel dette en tenker på når en i regjeringserklæringen sier at en skal gjennomgå skattefradrag, for skal en ha lavere skattesatser, som statsministeren sa i går, må flere beskattes hardere, sjøl om det er uklokt, og da må en utvide skattegrunnlaget. Regjeringserklæringen understreker at skattegrunnlag må sikres, og at naturressurser skal beskattes slik at overskudd tilfaller fellesskapet. Spørsmålet er: Har Høyre og Fremskrittspartiet i det hele tatt tillit til at en klarer å forvalte den type inntekter lokalt, eller skal alle i hop inn til statskassen? Jeg spør fordi regjeringen nå utreder å flytte naturressursinntekter fra kommunene til staten. De kommunene som avgir natur og areal til vannkraft, vindkraft og havbruk, kan altså risikere ikke å sitte igjen med noen ting – alt skal statliggjøres. Hvis det skjer, kommer det til å skape et opprør langs hele kysten og i de næringene det gjelder, for de områdene i landet som opplever naturinngrep og sitter på naturressurser, skal også ha sin andel av verdiskapingen. Senterpartiet har ikke så veldig høye forventninger til regjeringen. Vi tror det kommer til å bli akkurat den samme sentraliserende regjeringen som vi har sett de siste fem årene. Kanskje vil mer av sentraliseringen bli en der regjeringen setter ut sentraliseringen til styrer og foretak for å holde de vanskelige nedleggingssakene utenfor den politiske debatten. Det gjorde de i politisentraliseringen, og vi ser det allerede i ambulansetjenesten, der det er helseforetakene som skal gjennomføre sentraliseringen, uten at helseministeren tar noe ansvar. Vi ser det i universitetssektoren, der styrene ved universitetene skal gjennomføre sentralisering av studiesteder, uten at statsråden tar noe ansvar.

Dette er ikke effektivisering eller modernisering – dette er høyresidas eldgamle resept for storstilt sentralisering, gjemt inne hos foretak og i de ulike styrerom. Senterpartiet er klar for de neste 2,5 årene. Vårt alternativ kommer ikke til å handle om å privatisere og sentralisere. Det kommer ikke til å handle om å senke skattene for de få og samtidig øke avgiftene for de mange. Senterpartiet vil fortsette debatten om å se hele Norge, om å lytte til folk over hele landet, og om å ta hele dette landet i bruk. Vi vil fortsette debatten om et skattesystem der de som har mest, skal bidra mest, og der budsjett ikke skal salderes med usosiale avgifter. Vi kommer til å reise debatter om desentralisering, om tjenester nær folk og om hvordan vi best kan utnytte de rike naturressursene som dette landet besitter. Med det vil jeg ta opp forslagene nr. 3–14, fra Senterpartiet.

arealplanar. I regjeringsplattforma kan me lesa at kommunane i større grad skal kunna få dispensera frå eigne planar, så lenge det ikkje er i konflikt med overordna nasjonale lovar og krav. Den 3. mars 2017 stemte bl.a. Senterpartiet imot eit forslag som var likelydande med eit forslag som ligg i regjeringsplattforma. Det ville nettopp kunne gjeve kommunane større tilgang og meir folkevald styring i kommunane.

punkter. Trellevik velger det ene forslaget der vi kanskje hadde litt ulike vurderinger om saken, men vi har også støttet Høyre, Fremskrittspartiet og regjeringen på en rekke andre punkter som angår plan- og bygningsloven. Senterpartiet ønsker sjølsagt et sterkest mulig lokaldemokrati. Det er også en av grunnene til at vi går imot kommunesammenslåing, for det fører til færre folkevalgte. Det fører til at det er færre som engasjerer seg i lokalpolitikken og tar del i

Da Senterpartiet styrte, kunne kommunene kreve inn 7 promille i eiendomsskatt. Nå kan de kreve inn 5 promille, og vi skal videre ned til 4 promille. Eiendomsskatten tar ikke hensyn til hvor mye man tjener, eller hvor mye man har på konto. Det høres unektelig litt pussig ut at Senterpartiet på inn- og utpust snakker om økte avgifter mens de samtidig kjemper med nebb og Hvorfor er det så viktig for Senterpartiet å betrakte en bolig som et skatteobjekt, og ikke som et hjem? Jeg prøver å holde meg litt ung til sinns, så jeg foretrekker å diskutere det som har skjedd de siste fem årene, mens denne regjeringen har sittet, i stedet for å diskutere det som skjedde de åtte årene før det igjen. Vi er samlet her i dag for å diskutere regjeringserklæringen til en regjering som allerede har sittet i fem år. Så jeg synes nok det er viktig. Debatten om avgifter er viktig,

I dag er den på 7,1 mrd. kr. Så jeg forstår godt at Fremskrittspartiet, med sin profil, har et visst behov for å prøve å redusere eiendomsskatten. Når man hører representanten Arnstad og andre representanter for Senterpartiet snakke om eiendomsskatt, skulle man tro at det var helt umulig for kommunene å drive uten eiendomsskatt, og at velferdstjenestene er det første som ville bli kuttet i hvis man hadde kuttet eiendomsskatten. Det er et paradoks i og med at velferdstjenestene allerede er finansiert av alle andre skatter, som jeg og alle andre innbyggere i dette landet betaler. Eiendomsskatten er derfor en ekstraskatt, som man skriver ut til kommunens innbyggere når man ikke klarer å prioritere lokalt. Et annet paradoks er at eiendomsskatten øker selv om kommuneøkonomien er svært god. Overskuddene er rekordhøye, og aldri har det vært færre kommuner på Noen kommuner klarer seg imidlertid uten eiendomsskatt, bl.a. representanten Arnstads hjemkommune, Stjørdal. Det er en borgerlig styrt kommune med Senterparti-ordfører. Kan Arnstad avsløre overfor andre Senterparti-ordførere, som er glad i så høy eiendomsskatt som mulig, hva hemmeligheten til Stjørdal kommune er? Jeg tror ikke representanten Bjørnstad kan ha lyttet til mitt replikksvar.

Men det Fremskrittspartiet også må tenke over når de ønsker å redusere eiendomsskatten, er at da må man faktisk gjøre noe med kommuneøkonomien. Man må sørge for bedre inntekter og bedre fordeling av inntektene fra staten mellom kommunene, slik at det ikke går ut over velferdsoppgavene i kommunene.

kommuneøkonomi – inntektene og fordelingen av inntektene til kommunene – som gjør at kommunene slipper å ta inn altfor mye eiendomsskatt. Det skal vi nok fortsette med å gjøre. Senterpartiets behov for stakkarsliggjøring av distriktene forundrer oss litt. Det forundret meg også da jeg denne uken var og besøkte en distriktskommune – min egen, Verran – og Salmars anlegg i Folla, der ikke minst grunnleggeren av av distriktene forundrer oss litt. Det forundret meg også da jeg denne uken var og besøkte en distriktskommune – min egen, Verran – og Salmars anlegg i Folla, der ikke minst grunnleggeren av selskapet, Gustav Witzøe, har en stor framtidstro og investerer sterkt ikke bare der, men også andre steder. Representanten Arnstad var også innom dette med hvordan det står til i det kommunale Norge. Antall ROBEK-kommuner har falt kolossalt under det borgerlige styret. vil nå være 17, noe som betyr at kommunene skikker sitt bo godt og driver effektivt. Likevel serverer representanten Arnstad en elendighetsbeskrivelse av Kommune-Norge og sier ikke minst at mitt parti Venstre er skyld i det. I 2013 – selv om Arnstad ikke liker å se seg tilbake – var det ikke 17, som det vil være nå, men 46 kommuner – var det ikke 17, som det vil være nå, men 46 kommuner som var på ROBEK-listen under daværende kommunalminister Liv Signe Navarsete. Hva er grunnlaget for dette? Er det slik at det faktisk kanskje står litt bedre til nå enn det gjorde i 2013? Det er ikke noen tvil om at ute på kysten går f.eks. havbruksnæringen veldig bra – også i den regionen vi kommer fra, Trøndelag. Det er vel kanskje derfor Høyre og

Men jeg regner med at det er lenge siden representanten Skjelstad har vært i Snåsa og sett at de holder på å miste ambulansen sin og ikke kommer i dialog med politiske myndigheter. Jeg regner med at det er ganske lenge siden han har vært på E6 i Namsskogan og sett hvor mange timer det tar før politiet kommer til en ulykke på den delen av E6. Og de bekymringene folk utover i Nord-Trøndelag har omkring det, skal jeg som representant derfra sjølsagt formidle så godt jeg kan.

Bondelaget har uttrykt stor tilfredshet med det som ligger i regjeringsplattformen. Allikevel er ikke det godt nok for Senterpartiet. Hva er det med regjeringens landbrukspolitikk som Senterpartiet er så uenig i? Det har vært en veldig bra ting i løpet av de siste fire årene at stortingsflertallet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti inkludert, har har klart å holde Høyre og Fremskrittspartiet i tømme når det gjelder landbrukspolitikken, bl.a. gjennom landbruksmeldingen som vi fikk et flertall for i Stortinget. Det har vært en bra ting, og jeg tror det har bremset en del av de tingene Høyre og Fremskrittspartiet ellers har ønsket å gjøre. Det er bra. Det er også slik at Kristelig Folkeparti har fått gjennom en del ting i regjeringsplattformen – riktignok ting det allerede er flertall for i Stortinget, og som det bestandig har vært flertall for i Stortinget – som bl.a. handler om å opprettholde forhandlingsinstituttet i landbruket, at man skal drive en kanaliseringspolitikk, og at man skal ivareta små og store bruk. Det er for så vidt bra, men det en egentlig har gjort da, er å nulle ut ulempene ved Høyre og Fremskrittspartiets landbrukspolitikk,

Et noe nær samlet næringsliv – de som skaper jobbene våre, de som legger grunnlaget for velferden vår – er svært tydelige på at EØS-avtalen er grunnplanken i verdiskapingen. Dette, samt hundretusenvis av arbeidsplasser, vil Senterpartiet sette i spill og erstatte med handels- og samarbeidsavtaler. Når Storbritannia, med sin robuste økonomi og sine 66 millioner innbyggere, ikke er i nærheten av å lande noe som engang når EØS-avtalen til knærne, hvilket trumfess er det representanten har i Jeg er veldig spent på svaret, og jeg skal også få det oversatt til engelsk, for Storbritannia vil nok også gjerne høre det. Det er ikke noen hemmelighet at Senterpartiet helt siden EØS-avtalen ble vedtatt, har ønsket at Norge skal gå ut av den og erstatte den med en alminnelig frihandelsavtale – slik man har med andre land i verden. Det mener jeg det er mange gode grunner til. Noen av grunnene grunnene ser man veldig tydelig i en del av de sakene som står foran oss. Jeg vet ikke om representanten så på Debatten på NRK i går kveld. Men hele den debatten om kabotasje og disse luselønningene til sjåfører som kjører i Norge, og den måten man utnytter den typen biltransport på, er ene og alene et resultat av EØS-avtalen. Det er en svært uheldig side. Statsråden sto der helt hjelpeløs og var ikke i stand til å si noen ting om hva han skulle klare å gjøre med det. Han sa at vi skal ha en dialog med EU. Det har han vel sagt de siste fire årene, tror jeg. Men problemet er at den typen konsekvenser av avtalen er et resultat av sjølve avtalen, og det er en av de tingene som gjør at Senterpartiet er kritisk til avtalen – i tillegg til en rekke andre ting. Vi hører representanten Arnstad si at det skal erstattes med én alminnelig frihandelsavtale. Jeg tror Sveits 120 avtaler med EU – eller flere – så hvordan det skal erstattes med én avtale, har jeg lyst til å få svar på. Så etterlyser jeg egentlig fortsatt svar på spørsmålet: Hva er det som gjør at vi skal lykkes med å få noe bedre enn EØS-avtalen i avtaler og forhandlinger med EU enn det Storbritannia klarer, enn det Sveits klarer? Vi er tross alt en ganske mye mindre økonomi og en ganske mye mindre befolkning. Jeg tror også næringslivet, som lytter til denne debatten, er svært bekymret. Man kan finne enkelteksempler fra EU og EØS-avtalen som er utfordrende, men her er det snakk om å sette hundretusenvis av arbeidsplasser i spill. Så jeg vil gjerne fortsatt høre svaret på hva det er det skal erstattes med.

For oss handler det om hva slags type handelssamarbeid vi som sjølstendig land skal ha med Den europeiske union. I motsetning til Høyre mener Senterpartiet at det er mulig og fornuftig å inngå et vanlig handelssamarbeid basert på frihandelsavtaler i stedet for en EØS-avtale. Replikkordskiftet er omme. La meg først gratulere statsrådene, både de som sitter foran, og

men i virkeligheten tar norsk politikk et steg mot høyre. Stortinget har i sak etter sak vært en bremsekloss for høyresidens ulikhetspolitikk, ønsket om å rigge skattesystemet til fordel for den økonomiske eliten, ønsket om å gi sjefene mer og fagforeningene mindre makt i arbeidslivet, ønsket om å privatisere og kommersialisere mer av det fellesskapet har eid og drevet. Når Kristelig Folkeparti nå har gått inn i regjering og vi har fått en flertallsregjering, har de samtidig vist tydelig hvordan de prioriterer. Det er smale særstandpunkt, som innstramninger i abortloven og veto mot ny bioteknologi, saker hvor regjeringen dermed plasserer seg i kraftig utakt med flertallet i folket og det som egentlig er flertallet på Stortinget, som prioriteres. Kristelig Folkeparti har ikke bare valgt side; de har valgt hva slags parti de vil være. Da er det ikke mindre ulikhet og sterkere fellesskap som løftes fram, dessverre. Det betyr at bremseklossen er borte, og at vi må regne med flertall for mye mer økonomisk Høyre- og Fremskrittsparti-politikk enn vi har sett før. Dette er en Høyre–Fremskrittsparti-regjering hvor Kristelig Folkeparti og Venstre er med, en regjering hvor Høyre og Fremskrittspartiet styrer økonomien, hvor Kristelig Folkeparti styrer moralen og Venstre ingenting. Sånn sett er plasseringen i salen passende. SV skal være den ledende opposisjonen i alt som har med rettferdig fordeling og miljø å gjøre. Vi skal by på tøff opposisjon, og vi skal by på en politikk for de mange, istedenfor en politikk for de få på toppen. Selv om regjeringen har flertall, kan upopulær politikk stanses. Statsministeren måtte gi etter for folkeviljen i spørsmålet om abortloven § 2 c. Det var en stor seier for alle som gikk i gatene i høst for å forsvare kvinners rett til å bestemme over eget liv.

fagforening. Når vi vet at sosial dumping brer om seg i industri, på byggeplasser, på veier, ja helt inn i velferdsstaten vår, er det en smått utrolig politikk. Er det én ting denne salen burde kunne samle seg om nå, er det ønsket om mer fagorganisering, for det er grunnmuren i arbeidet for et samfunn med små forskjeller. Derfor fremmer SV forslag i dag om opptrapping Den største skuffelsen med regjeringserklæringen er mangel på handling mot klimaendringene. Det er riktignok mange punkter i klimadelen, men de inneholder ikke det vi trenger, nemlig konkrete tiltak for å få utslippene ned. Mål, ambisjoner og utredninger har vi nok av – konkrete utslippskutt har vi for lite av. Mens tiden renner ut, er denne regjeringen fanget av sin egen uenighet. Jeg hørte med interesse at statsministeren inviterte til bredt samarbeid og forlik i går. Vel, det er vanskelig å ta det på alvor så lenge regjeringen fortsetter å stritte imot samarbeid på det som nemlig å gjøre det tidligere regjeringer har gjort: invitere til et bredt klimaforlik. Det er testen på om denne regjeringen er villig til å gå inn for sånt samarbeid, for det er den saken der vi trenger bredt samarbeid mer enn noe annet. Derfor fremmer SV også forslag i dag om at regjeringen må ta initiativ til et bredt klimaforlik. Til sist vil jeg gjerne komme med en oppfordring til statsministeren,

Karin Andersen påstår at inntektsforskjellene skyldes det norske skattesystemet. SV vil slett ikke snakke om det faktum at økt innvandring fører til at flere barn vokser opp i lavinntektsfamilier. SVs Kari Elisabeth Kaski sa nylig til Nettavisen: «Det er forståelig at Høyre er veldig opptatt av å få frem at innvandring er hovedårsaken til at det blir flere fattige barn. Det er selvsagt mer behagelig enn debatter om at regjeringen hvert år gjør skattesystemet mindre omfordelende.» Er det da slik at SV benekter at økende innvandring kan føre til flere lavinntektsfamilier, og at dette er et enkelt … … spørsmål? Lysbakken – vær så god. Jeg tror Høyre må rydde litt i denne debatten, fordi ulikhet har mange forklaringer, bl.a. at de på toppen drar ifra, utviklingen i arbeidslivet – og så er det en del ting som kan kobles til innvandring. Ulikhetsutviklingen har mange flere forklaringer enn én. Når det gjelder fattigdom, er det det samme. Det er mange barn med innvandrerbakgrunn som er fattige, men vi har også hatt en økning i fattigdom blant dem som kalles etnisk norske barn. Å redusere det til en innvandringsdebatt er feil. Dessuten er veldig mange av løsningene de samme. Øker vi barnetrygden, gjør vi noe med fattigdom i familiene. I tillegg er det én innvandringsdebatt som høyresiden aldri vil ta, og det er den som er knyttet til hvordan vi håndterer arbeidsinnvandringen. Vi er for arbeidsinnvandring, men vi må organisere arbeidsinnvandringen slik at alt arbeid i dette landet skal skje på norske lønns- og arbeidsvilkår. Det er dessverre ikke regjeringen med på. Tallene fra SSBs levekårsundersøkelse viser at økende forskjeller først og fremst skyldes innvandring. Dette er en utfordring vi må ta på alvor. Likevel insisterer SVs stortingsrepresentanter på at det er denne regjeringens skattepolitikk som er med på å øke forskjellene.

Hvorfor insisterer SV på å ha en debatt om sosiale forskjeller basert på en fiktiv framstilling – at det er den generelle skattesatsen som er årsaken til at vi har økende ulikheter – samtidig som man ønsker å ha en mer liberal innvandringspolitikk? Både framstillingen av hva ulikhet skyldes, og framstillingen av hva SV sier, er feil. For det første er det at en viktig del av ulikhetsutviklingen skyldes at de på toppen drar ifra. Denne regjeringen fører en politikk som kan forsterke det. For det andre er det overhodet ikke riktig at SV ikke tar debatten om innvandring, men vi har de forslagene som gjør at vi skal lykkes bedre med integreringen. Og vi har vilje til å ta den diskusjonen høyresiden aldri tar, nemlig om hva som skjer i arbeidslivet vårt når de med de laveste lønningene henger etter i lønnsutviklingen. Det er et spørsmål – ikke om innvandrere tar jobbene fra nordmenn, ikke om å legge skylden på innvandrere, men om hvordan vi som politikere organiserer arbeidslivet vårt. Det er et fundamentalt spørsmål i ulikhetsdebatten framover, men regjeringen skygger banen, bl.a. fordi de er redd for å diskutere EØS.

Problemet med mange av de kravene denne regjeringen har stilt, f.eks. i skolepolitikken, er at de ikke er spesielt smarte, f.eks. firerkravet i matematikk, som gjør at mange høyt kvalifiserte ungdommer ikke får bli lærere i en tid da regjeringen sørger for lærermangel i norske klasserom, eller måten fraværsgrensen var innrettet på. Husk at regjeringen egentlig ville ha en veldig rigid modell, som ville fått veldig alvorlige konsekvenser. Vi har nå fått tall på bordet som viser at økt risiko for frafall i videregående skole. Istedenfor å være så selvfornøyd som regjeringen er i denne debatten, ville jeg tatt det veldig på alvor, for er det én ting vi må lykkes med i norsk utdanningspolitikk, er det å sørge for at ungdom klarer å komme seg gjennom videregående skole, istedenfor å falle ut.

Fremskrittspartiet og regjeringen legger nå også fram lovendringer som utgjør den største liberaliseringen av bioteknologiloven siden 2004. Støtter SV de liberaliseringene Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for i bioteknologiloven? Og hva synes SV selv om at de i sine åtte år i flertallsregjering ikke gjorde noen endringer på dette området?

Det er ikke klokt i en tid hvor teknologien er i rivende utvikling, hvor vi trenger å ta de etiske debattene, men hvor vi også trenger å se de mulighetene som ligger i dette, og som jeg tror vi er enige om, bl.a. for at mennesker som ønsker seg barn, skal kunne få barn. Det er SV for. Fremskrittspartiet er også for det. Men regjeringserklæringen gjenspeiler dessverre ikke

flertallsregjering med Senterpartiet, og i den perioden ble det ikke gjort noen endringer i bioteknologiloven. Det ble ikke tillatt med eggdonasjon, det ble ikke tillatt med assistert befruktning for enslige. Vil representanten Lysbakken innrømme at han selv, når SV har styrt i en flertallsregjering, har gitt vetorett til andre partier? At en i forbindelse med denne regjeringserklæringen tar uenigheter om dette spørsmålet av bordet på

Det går på kryss og tvers. Det kan også være uenigheter innad i partier. I vårt parti er det iblant uenigheter i disse spørsmålene. Jeg er ikke noe redd for det, for det er krevende spørsmål. Ofte må man veie for og imot, derfor har vi også hatt interne diskusjoner om mange av disse tingene. Det skal vi også ha framover. Men på forhånd å si at dette er avgjort, ved på forhånd å si at det Kristelig Folkeparti bestemmer, er det som blir regjeringens politikk, synes jeg er å gi fra seg en god sjanse til både å henge med i tiden og til å oppfylle en del av de forventningene jeg tror mange av innbyggerne våre

Så når SV da sier i debatten om regjeringserklæringen at de registrerer at vi gir til overklassen, lurer jeg på om det ikke heller er SV som med sine universelle svar på alle sosiale utfordringer gir mest til overklassen, mens regjeringen og Venstre gir mer til dem som trenger det mest. En del av områder hvor Venstre og Kristelig Folkeparti, enten hver for seg eller sammen, har vært nettopp det jeg beskrev i mitt innlegg: en bremsekloss – og har sørget for en annen retning på politikken gjennom de budsjettforlikene som er inngått i Stortinget. Det har vi anerkjent før, og jeg er når som helst villig til å anerkjenne den innsatsen igjen. Problemet er jo bare at jeg frykter at særlig på det økonomiske området forsvinner dette nå, fordi en flertallsregjering betyr at Høyre og Fremskrittspartiet fort vil få mye flertall for det som er viktigst for dem, som gjerne er det jeg kaller overklassepolitikk, mens Venstre og Kristelig Folkeparti blir overlatt til å prioritere andre ting. Så er diskusjonen om såkalt målrettede ordninger eller universelle ordninger stor. Jeg brenner for en velferdsstat som gjelder for alle. Men i tillegg er det ofte sånn at det å gå bort fra universelle ordninger skaper fattigdomsfeller, som gjør situasjonen vanskeligere for fattige familier. Jeg aksepterer at SV og Venstre har ulikt syn når det gjelder akkurat dette om hvorvidt det er riktig å bruke universelle eller målrettede ordninger. Man kan diskutere hvilke ordninger som er de beste. Men mener fortsatt Audun Lysbakken at det er riktig å bruke merkelappen overklassepolitikk når vi helt konsekvent prioriterer barna i de familiene som trenger det mest, når vi gir over 7 000 kr mer i barnetrygd til dem som trenger det mest, nemlig de familiene som har barn under seks år, når vi gir tilnærmet gratis barnehageplass til 50 000 barn fra de familiene med lavest inntekt, mens SV, da de satt i regjering, sørget for makspris som ga lavere pris for absolutt alle.

syke, som har fått økte egenandeler på fysioterapi osv., osv. Det er overklassepolitikk. Så er mitt argument mot Venstres linje i barnehagepolitikken bare at det er ikke nok, og at jeg frykter at hvis vi ikke bygger videre på den universelle barnehagereformen, risikerer vi å få en situasjon hvor det blir vanskeligere for folk med lav inntekt å jobbe mer eller å komme seg i arbeid, fordi de da f.eks. mister det godet som en gratis plass i barnehagen er. Det norske velferdssamfunnet har sitt utspring i menneske som såg sjukdom,

ein skal få til langsiktige avtalar, nettopp slik ideell verksemd treng. Spørsmålet mitt til representanten Lysbakken er: Er dette å dra politikken mot høgre? Er ikkje dette nettopp å dra politikken mot sentrum, som både SV og Kristeleg Folkeparti har ønskt nettopp for ideell verksemd? Det som står på punktet om ideell velferd og ideelle aktører, er bra. Problemet, tror jeg, er det som ikke står der. For vi er f.eks. sterkt for å gå bort fra kortsiktige anbud og over til mer langsiktige avtaler. Det foreslo vår regjering for barnevernet. Men med en gang den blå regjeringen kom på, gikk man bort fra det. Da skulle barnevern igjen ut på anbud. Hvis en lykkes med dette, er det bra, men problemet er at det ingenting i denne erklæringen om det som er avgjørende for å lykkes med det, nemlig å begrense de kommersielles makt, de kommersielles vekst i norsk velferd. Hvis vi virkelig skal sikre de ideelles framtid i norsk velferd, som jeg er veldig, veldig opptatt av, skal vi gjennomføre et forbud mot profitt, som gjør at de store kommersielle kjempene ikke lenger ser norsk velferd som et attraktivt marked, og at skattepenger går til velferd for alle i stedet for til formuer for noen
Da er replikkordskiftet omme, og vi går tilbake til den ordinære talerlisten. Vi lever i en tid da urettferdigheten vokser, utryggheten vokser og

er det godt å kunna slå fast at Venstre igjen har fått betydeleg gjennomslag på hovudsaksområda våre. Ei frå før tung satsing på skule og kunnskap er ytterlegare forsterka. Det same gjeld kampen mot barnefattigdom. Me aukar ambisjonane innan miljø og klima, og me sikrar og skapar arbeidsplassar over heile landet. Av omsyn til ungane våre, komande generasjonar, må verda lukkast med å redusera klimagassutsleppa – nok og raskt nok. Som eit av verdas rikaste land, som hentar ein stor del av inntektene våre frå industri med store klimagassutslepp, har me eit stort ansvar som pådrivar og rollemodell internasjonalt. I regjeringsplattforma har me fått på plass nye, meir ambisiøse klimamål. På kort sikt skal me gjennomføra ein ny klimakur, utarbeida ein konkret plan for oppfølging av forpliktingane Noreg har om 45 pst. innanlandsreduksjon i ikkje-kvotepliktig sektor innan 2030. Det gjer me m.a. ved å gjera det meir lønsamt for næringslivet å redusera eigne utslepp gjennom aktiv bruk av grønt skatteskifte og krav i ulike konsesjonar og anbod. Fordelane for nullutsleppsbilar vert vidareførte, og heile landet skal få tilgang til rask og effektiv ladeinfrastruktur. 20–25 år etter at Venstre her i byen tok til orde for å stimulera til meir bruk av elbil, står Noreg no på terskelen til ein formidabel suksess, med gode utsikter til at me når målet om at alle nye bilar i 2025 skal Noreg er òg pådrivar for teknologiutvikling som resten av verda kan og vil nyta godt av. Me skal òg sørgja for at dei ulike teknologiske nullutsleppsløysingane for tyngre køyretøy kan utviklast og takast i bruk, ikkje minst er hydrogen eit spennande stikkord i så måte. Nasjonal transportplan skal følgjast opp, med balanse mellom veg og bane, og det skal setjast i gang strekningsvise høgfartsutgreiingar for jernbane.

både i eit klassisk naturvernsperspektiv og når det gjeld matauk og verdiskaping – fiskeressursane – prisa seg lukkelege over at Venstre igjen har bidrege til ei regjering som har freda området for oljeaktivitet. For sosialliberale Venstre er fridom ein grunnleggjande verdi, men skal ein vera fri, må ein òg vera fri frå naud, fattigdom og ulikskap. ulikskap. Noko av det mest hjarteskjerande i det norske velferdssamfunnet anno 2019 er vissa om at 80 000–90 000 barn veks opp i fattigdom. Difor er det utruleg godt å kunna slå fast at den målretta satsinga for å kjempa mot barnefattigdom, t.d. gjennom å innføra gratis kjernetid i barnehagen for barn frå låginntektsfamiliar, no vert utvida til òg å gjelda skulefritidsordninga, og og at alle skal ha likt høve til å delta på aktivitetar i tilknyting til skulen uavhengig av økonomien til foreldra. Regjeringsplattforma gjer det òg enklare å utsetja skulestarten for ungar som treng det. Kommunar som ønskjer å prøva ut t.d. ordninga med to skuleopptak i året, får no høve til det.

i botnen om at det som er godt for dei små verksemdene, i regelen òg er godt for dei store – det er ikkje nødvendigvis motsett – inneheld plattforma ei brei og variert tiltaksliste for å tryggja eksisterande og å leggja til rette for å skapa nye varige arbeidsplassar. Tilgang på risikokapital og sokalla kompetent kapital, investorar som òg har kunnskap om å driva butikk – næring – vert endå enklare. Skatteincitamentsordninga for investorar og opsjonsskattelegginga skal forbetrast. Det skal verta enklare å ta i bruk folkefinansiering, enklare for dei små og nystarta verksemdene å konkurrera om offentlege anbod, og vilkåra for sjølvstendig næringsdrivande skal verta meir konkurransedyktige. For etablert industri som satsar på knoppskyting og marknadar der grøne verdiar er drivarane, er me no heilt i hamn med eit svært målretta tungt, nytt verktøy. Det nye klimainvesteringsfondet Nysnø skal kapitaliserast opp slik at Noreg får ein institusjon som har nok og langsiktig nok kapital til å kunna vera medinvestor i å oppskalera og industrialisera ny grøn teknologi, og i tillegg bidra til å få endå meir kapital på plass gjennom fond i fondinvesteringar og slik få ytterlegare fortgang i det grøne skiftet og omstillinga industrien står midt

Det er heller ikkje kvar dag at Venstre, Kristeleg Folkeparti, Framstegspartiet og Høgre går i regjering saman. Politikken, regjeringsplattforma, er den avgjerande forklaringa på at dette no er ein realitet. Ein skal likevel ikkje undervurdera mellommenneskeleg tilhøve, partileiingar med stor gjensidig tillit som er utvikla over tid, og parti med reell vilje til å koma kvarandre i møte. møte. Utan å gjera nokon ringare er det liten tvil om at statsministeren må ta ein betydeleg del av æra for at ei borgarleg samling – mot alle odds – no er ein realitet. Måten ho har leidd samarbeidet på over tid, sonderingane og forhandlingane i fjor og i år, er ikkje berre politisk leiarskap av ypparste klasse, men òg leiarskap på høgt nivå: raus, utan å gå på akkord med eigne prinsipp, kunnskapsrik, klok og inkluderande.

at me lever som me lærer – dei ein viser tillit, tek ansvar for seg sjølv og andre – og sist, men ikkje minst at me òg tek omsyn til mindretalet, opposisjonen, og viser reell vilje til å drøfta og omsetja forslag og innspel frå dei til konkret politikk og endring. Alt dette vil ha betyding for om me igjen fortener tilliten til veljarane i komande val. Ansvaret er tungt og viktig. Venstre gler seg verkeleg til å ta fatt på oppgåva i eit godt og fruktbart samarbeid. Det blir replikkordskifte. Denne regjeringens plattform er

Jeg har hørt om å sette kjæresteforhold på pause, men det å sette kvinners rettigheter på pause var nytt for meg. Graviditet, derimot, kan ikke settes på pause. Da lurer jeg på: Hvilke gjennomslag er det Venstre har fått i plattformen som var så gode og viktige at de overskygget kvinners rett til å bestemme

Samstundes, når me no har sete i forhandlingar og diskutert dette, ser me at fosterreduksjon av friske foster er ei sak som lyftar mange etiske og medisinske dilemma, og me står eigentleg godt bak den løysinga med kom til i lag med dei andre partia, at ein for denne typen abortar no må igjennom ei nemnd, og kan godta det.

magen. Som representanten også sier, skal nå disse kvinnene dras inn for en nemnd. Vi har etter hvert ganske mye forskning på hva disse nemndene gjør med kvinner som er i en krisepreget situasjon. Det er uverdig. Høyreregjeringen har også gitt Kristelig Folkeparti vetorett i saker som omhandler bioteknologi, i innbytte mot regjeringsmakt. regjeringsmakt. Da undrer jeg meg på: Er livreddende kunnskap som vi kunne fått gjennom tidlig ultralyd, eller det reelle flertallet som faktisk ligger i Stortinget for eggdonasjon, også eksempler på saker som kun er satt på pause? Det var jo fleire spørsmål i eitt. For å ta det fyrste fyrst: Viss det er slik at nemndene fungerer som ein stor skrekk for kvinnene, må me sjølvsagt drøfta korleis nemndene fungerer. Så Så er det verdt å minna representanten om at det me no gjer i regjeringsplattforma, er til forveksling likt den politikken Arbeidarpartiet sat og forvalta i åtte år i fleirtalsregjering, altså absolutt inga endring i måten ein utfører fosterreduksjon på. Når det gjeld bioteknologi, har Venstre alltid kjempa for endringar i bioteknologilova, t.d. å sidestilla eggdonasjon med sæddonasjon og gje einslege moglegheit til assistert befruktning. At desse endringane no vert sette på vent, beklagar sjølvsagt eg òg. Samstundes er det jo sånn at bioteknologilova var uendra òg gjennom dei åtte åra Arbeidarpartiet sat i fleirtalsregjering. No vil ein ha det akkurat slik på Granavolden som det var då representanten og hennar parti sat i regjering. Tross flertallsregjering er

Spørsmålet er, til Venstres representant, som snakker høyt og tydelig om klimamål – men klimatiltak snakkes det ikke så mye om: Kan vi forvente at Venstre vil sørge for å få på plass et CO2-fond for næringstransport før 1. januar 2020? Takk for spørsmålet. Viss representanten så mye om: Kan vi forvente at Venstre vil sørge for å få på plass et CO2-fond for næringstransport før 1. januar 2020? Takk for spørsmålet. Viss representanten les regjeringserklæringa nøye nok, ser han at Venstre no har fått på plass ein mekanisme som faktisk gjer det mogleg å finansiera eit CO2-fond, og som gjer at det er sjansar for at det no kjem i hamn eit CO2-fond som i andre enden òg får ein økonomi i botnen som gjer at det same næringslivet som skal nyta godt av eit og ta i bruk teknologi som gjer at ein slepp å betale avgifter for t.d. klimagassutslepp. Jeg hører hva representanten sier, men da jeg hørte NHOs direktør i Politisk kvarter i går, virket det ikke på meg som det var noen snarlig løsning på gang. Vi har vel hele tiden trodd at det var forhandlinger på gang, men det sies nå at det er samtaler. Nok om det. Venstres representant snakket også om små og mellomstore bedrifter i distriktene. Norsk skog har lang tradisjon og historie som bruksskog. Stortingsflertallet har bestemt å igangsette kartlegging av potensielle områder for vern. Det gjelder bl.a. i Hattfjelldal i Nordland, der sponplatefabrikken Arbor er hjørnesteinsbedrift. Fabrikken ligger praktisk talt midt i skogen og lever av foredlet skog til bygningsmaterialer – klimavennlig som bare det. Likevel er det nå nedskjæringer og oppsigelser på gang fordi skogen rundt er vernet eller båndlagt. Hvordan mener Venstre dette rimer med å satse på klimavennlige og kortreiste produkter, næringsutvikling i distriktene og målet om å støtte opp om små og

men regjeringen har også her klart å skape stor usikkerhet knyttet til den såkalte referansebanen som de skal melde inn til EU. Det skulle vært gjort før nyttår; nå er det skutt ut i tid. Da er spørsmålet til Venstre: Er man enig i at bruk av skog bør telle positivt i klimaregnskapet gjennom aktivt og bærekraftig skogbruk, og vil Venstre sørge for at Norge melder inn og kjemper for gjennomslag for den referansebanen som gir grunnlag for størst mulig økt utnyttelse av norske skogressurser i klimasammenheng?

jobb. Da skulle en kanskje tro at Venstre fikk et tillegg som ga noe til dem som velger å la bilen stå, men jeg klarer ikke å finne det i regjeringserklæringen. Hvorfor går ikke regjeringa inn for å innføre tiltak for å gjøre det billigere å reise kollektivt til jobb, i stedet for å bruke 1 mrd. kr ekstra på å gjøre det billigere å kjøre bil til jobben? Hvordan kan dette tiltaket bidra til å nå målene om mindre bilkjøring

Men i respekt for godt samarbeid har me akseptert det punktet, og me har òg akseptert ei inntekts-/skattereduksjonsordning. Det trur eg at òg representanten frå SV kan vera einig i kan vera smart med tanke på at det òg handlar om å behalda legitimiteten til ei ordning som er heilt avgjerande både i eit klimaperspektiv og ordning som er heilt avgjerande både i eit klimaperspektiv og for å finansiera ulike nødvendige samferdselspolitiske tiltak – anten det handlar om veg eller det handlar om kollektivutbygging. Plattforma er òg full av ordningar, bl.a. å vidareføra nullutsleppsbilfordelane, innblandingskrav til biodrivstoff etc. Jeg takker for svaret, og jeg vil følge det opp litt videre. Nå er jo Venstre på en måte det grønne alibiet på borgerlig side i den Høyre- og Fremskrittsparti-dominerte regjeringa. Jeg har forsøkt å gå gjennom denne plattformen med grønn lupe, men jeg klarer altså ikke å finne noen konkrete nye tiltak – Venstre henviser til noen gamle – noen som helst signatur på klima og miljø som Venstre står bak, og kan sole seg i glansen av. Derimot har Venstre her i salen konsekvent stemt imot mange forslag som SV har reist, om gods, om pilotprosjekt for hydrogentog, om å utrede autonome nullutslippsferger i stedet for disse idiotiske – unnskyld uttrykket – fjordkryssingene med alle slags rare teknologiske løsninger som er både miljømessig og økonomisk forkastelige. Hvorfor har ikke Venstre klart å finne noen innfallsvinkler til å kunne støtte

Eg nemner Enova, som me allereie har fått opp på eit betydeleg høgare nivå enn då me overtok og kom til makta i 2013, klimateknologiordninga, Nysnø AS, som verkeleg vil vera eit heilt avgjerande tungt verktøy for både å få vidareutvikla industrialisert teknologi som reduserer klimagassutslepp, samstundes som ein sikrar og legg til rette for trygge arbeidsplassar i eigen industri.

mennesker har samme menneskeverd. Dette er kjernen i Kristelig Folkepartis politikk. Jeg er glad for at dette også ligger til grunn for den regjeringserklæringen vi diskuterer i dag. Det er dette som er vårt utgangspunkt. I sentrum for politikken står familiene, de små fellesskapene, frivilligheten og troen på at

Alle barn bør få mulighet til å oppleve tilhørighet på viktige sosiale arenaer uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon. Barnefattigdom i dagens Norge handler i stor grad om at barn opplever å være utestengt fra sosiale sammenhenger på grunn av familienes økonomiske situasjon. Derfor vil vi innføre fritidskortet – en støtte til fritidsaktiviteter for alle barn mellom 6 og 18 år.

heter det i ordtaket. Det er sant, men det er også sant at dagens regjering er et resultat av systematisk samarbeid i Stortinget over tid. I samarbeid med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre i Stortinget har Kristelig Folkeparti fått betydelige gjennomslag. Jeg kan nevne saker som dobling av kontantstøtten, lærernorm, KRLE-faget i skolen, lovfestet rett til sykehjemsplass, regionreform, økt bistand, en kraftig satsing på samferdsel, rusreform, opptrappingsplaner for barn og unges psykiske helse og rusomsorgen. Listen kunne vært mye lengre. Nå har vi en politisk plattform som peker framover, og som er grunnlaget for vårt arbeid. Den kristne kulturarven bærer med seg viktige verdier. Menneskeverdets ukrenkelighet, forvalteransvaret og ansvaret for våre medmennesker er denne type verdier. Samtidig er kristendemokratiet noe mer, det er en idé om at det mest avgjørende i samfunnet ikke er staten eller politikken, men det fellesskapet som opprettholdes av familier, trossamfunn, frivillighet og institusjoner. Derfor er det heller ikke alt som staten skal ta ansvar for alene. Verdier som ærlighet og personlig ansvar er med på å skape et godt samfunn for alle, der de små fellesskapene står i sentrum. Kristelig Folkepartis politikk for nyskaping og entreprenørskap har lange røtter. Hans Nielsen Hauge reiste rundt i landet og startet næringsvirksomhet på slutten av 1700-tallet. Han skapte en folkebevegelse av arbeid, kunnskap og nyskaping. Og sporene ser vi i dag. Dette er også en viktig del av kulturarven – en arv som har gitt oss slitesterke verdier og er fundamentet for en moderne nærings- og landbrukspolitikk. Jeg er glad for styrken i denne regjeringens nærings- og landbrukspolitikk: bedre rammevilkår for små og mellomstore bedrifter og for gründervirksomhet og en offensiv politikk for et aktivt landbruk over hele landet. Trygghet for generasjonene som kommer etter oss, handler om gode rammevilkår for næringsutvikling, landbruk og fiskeri. Det handler om tilgang på nye, grønne arbeidsplasser – både private og offentlige. Det handler om utvikling av ny teknologi, mer bredbånd til hele landet, om veier, nye veier, vedlikehold av gamle veier og kollektivtransport. Det handler om god kommuneøkonomi, trygghet for gode helsetilbud og skoler der folk bor, og et sterkt og moderne forsvar. Regjeringserklæringen gir et godt utgangspunkt for den jobben som nå skal gjøres på alle politikkområder. Vi er klar til å ta fatt på jobben.
replikkordskifte. Først vil jeg gratulere representanten Grøvan som nyvalgt parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti og med Kristelig Folkepartis inntreden i regjeringen. Man kunne forvente at en regjeringsutvidelse med Kristelig Folkeparti ville flytte politikken nærmere sentrum. Derfor er det overraskende og skuffende at Kristelig Folkeparti sikrer flertall for en storstilt privatisering i helse- og omsorgssektoren.

I Sverige skilles det ikke mellom kommersielle og ideelle aktører. Mitt spørsmål til representanten Grøvan er hva Kristelig Folkeparti ønsker å oppnå med innføring av svensk modell i norske helse- og omsorgstjenester.
har tro på at den helsepolitikken som ligger til grunn i denne plattformen, gir et sterkt og tydelig offentlig ansvar for de tjenestene vi ønsker å utføre – og skal utføre – for alle som trenger helsehjelp. At vi har en kombinasjon av forskjellige løsninger, både av offentlige, private og ikke minst ideelle organisasjoners tilbud innenfor helsetjenesten, er en del av vår politikk. Vi tror at sammen vil dette kunne være med og bidra til å gjøre helsetjenestene gode. Vi er opptatt av kvalitet, og vi som representerer det offentlige, har et ansvar for at den kvaliteten blir fulgt opp gjennom de tjenestene som leveres til den enkelte Ja, i eldrepolitikken har jo Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti funnet sammen i mange viktige saker det siste halvannet året. Vi har fått styrking av dagtilbud for mennesker med demens, vi har fått flertall for ernæringsstrategi for eldre, vi har sørget for at man fortsatt får tilskudd til rehabilitering av sykehjem, og vi har også stått sammen om at statlig finansiering ikke er veien å gå for å sikre best mulig eldreomsorg ute i kommunene. Nå har Kristelig Folkeparti gått med på å utvide forsøket med statlig finansiering av eldreomsorgen. Mitt spørsmål til Grøvan er om han har mistet tilliten til at kommunene er best egnet til å sørge for gode tjenester til sine innbyggere. Kommunene har et ansvar for å gi tilbud og de forvalter det ansvaret på en veldig god måte. Kommunene er satt i stand til å gjøre dette og trenger å prioritere disse oppgavene i enda større grad framover, ut fra at vi får flere eldre, vi får flere demente, og vi trenger mer omsorg. Vi tror at det vi gjør her – med å gi en mulighet også for statlig finansiering – er et valg den enkelte kommune kan gjøre. Det er gjort noen erfaringer med det. Noen erfaringer har vært gode, og vi ønsker at dette skal være en mulighet til å kunne velge, uten at vi på den måten legger til grunn at ikke kommunene gjør den oppgaven på en god måte. Tvert om har vi veldig mye god eldreomsorg som forvaltes på en god måte av kommunene i dag. For noen av kommunene er det slik at de har kommet fram til at eiendomsskatt er nødvendig for å finansiere nettopp eldreomsorgen. Nå settes det jo et tak på hvor mye kommunene kan ta inn, som er lavere enn det man har hatt tidligere. En god eldreomsorg er avhengig av en god kommuneøkonomi, derfor har Arbeiderpartiet betraktelig mer til nettopp kommunene i vårt alternative statsbudsjett. Hvordan vil Kristelig Folkeparti kompensere kommunene for de tapte inntektene de nå får, som følge av senket tak på eiendomsskatt? Hva skal Kristelig Folkeparti gjøre for at de kommunene fortsatt kan levere like god

Vi vil sikre at kommunene får tilgang til en økonomi som gjør at de kan levere tjenestene som de er forpliktet til å levere, med den kvaliteten som forventes. Så vi tror at selv om det er en endring i promillen med hensyn til forventes. Så vi tror at selv om det er en endring i promillen med hensyn til eiendomsskatt, vil ikke dette være med og bidra til å svekke kommunenes økonomi. Regjeringen tar det ansvaret og vil sørge for at kommunene blir satt i stand til å gjøre de oppgavene som de skal ha, gjennom en fornuftig bruk av de ressursene de har tilgjengelig.

Fritt behandlingsval skal utvidast, fritt brukarval skal innførast i kommunane, og private tilbydarar skal konkurrera om å levera offentleg finansierte helsetenester. Ein slik politikk vil ikkje berre svekkja det felles, offentlege helsevesenet vårt, men det vil òg skvisa ut dei ideelle. Dette er ikkje det Kristeleg Folkeparti som eg kjenner. Korleis kjennest det å vinna fram med enkeltsaker, men tapa kampen om det viktigaste: viktigaste: dei verdiane som skal leggjast til grunn for den politiske retninga som skal førast i landet vårt?
er opptatt av og tror at vi gjennom denne regjeringsplattformen kan levere kvalitet i tjenestene til dem som virkelig trenger det. Vi tror at organiseringen av helsevesenet nettopp vil kunne bidra til det. Vi trenger en sterk offentlig sektor, men vi trenger også tilfang av oppgaver fra private leverandører og ikke minst ideell sektor. sektor. Jeg tror vel også Senterpartiet kunne skrevet under på en del av de formuleringene som vi har når det gjelder styrkingen av ideell sektor, når det gjelder å sikre disses muligheter til å kunne levere tjenester i et framtidig helsevesen, sånn det er formulert i plattformen. Vi ønsker ikke å legge opp til en utvikling som kan oppleves som at en privatiserer for å svekke kvaliteten. Vi ønsker et sterkt ideelt innslag, og vi ønsker også private leverandører, men kvalitet står her i fokus. Eg trudde Kristeleg Folkeparti og Senterpartiet var einige om at vi ville ha private ideelle tilbydarar. Det som gjennomsyrer regjeringsplattforma, er at det skal vera konkurranse mellom private og offentlege, og da skil ein ikkje mellom private kommersielle og ideelle. Eg er sterkt bekymra for delen til dei ideelle her, trass i andre gode formuleringar om Eit anna punkt i regjeringsplattforma gjeld alkoholpolitikken, der eg vart overraska over at Framstegspartiet fekk vinna fram. Stortingsvedtaket om å stramma inn på taxfree-kvoten vert oppheva. Vinmonopolet får ha ope éin time lenger på laurdag ettermiddag – det vil klart føra til auka forbruk. Korleis kan Kristeleg Folkeparti forsvara for kjerneveljarane sine at dei støttar ein politikk for privatisering av det offentlege helsevesenet vårt og ei liberalisering av alkoholpolitikken? La meg bare først få kommentere at når det gjelder de ideelle, skal også de sikres i anbudsrundene framover, som det også går fram av plattformen. Vi er opptatt av at alkoholpolitikken skal ligge fast. Vi ønsker et styrket og et sterkt vinmonopol. Det har vist seg å være en suksess. Vi ønsker faktisk også at Vinmonopolet skal få en mulighet til å kunne være med i en konkurranse om salg av alkohol på våre flyplasser. Det betyr en ytterligere styrking av Vinmonopolet, som vi har stor tro på framover. Det ligger også tydelige formuleringer i plattformen om en nasjonal strategi på dette området, som kan være med på å redusere forbruket, og på en måte som gjør at vi får færre skadevirkninger innenfor helsevesenet. Så vi mener at vi har en plattform som er tydelig på å legge til grunn de målsettingene som det har vært flertall for i Stortinget på nettopp dette området. De siste dagene har vi fått innblikk i en opptelling som er

Det handler om å kunne kjenne sitt opphav. Vi er opptatt av at vi har en lovgivning på dette området som tar alle de hensynene, respekterer det og praktiserer det på en god måte. Derfor har vi vært opptatt av å beholde den lovgivningen vi har på dette området, og vi er glade for at vi har fått et tydelig gjennomslag når det gjelder spørsmålet om eggdonasjon, i den regjeringsplattformen som nå ligger til grunn.
replikkordskiftet omme, og vi går tilbake til den ordinære talerlisten. Vi lever i en tid da urettferdigheten vokser, utryggheten vokser og

omme. Først vil jeg gratulere regjeringen med familieforøkelsen. Hvis statsministeren klarer tre partier, er jeg sikker på at hun klarer fire! Dessverre har ikke regjeringsplattformen gitt oss høye forventninger for mennesker og miljø. Fra et klimaperspektiv er det tre hovedproblemer med denne plattformen: For det første

Det er lite imponerende at regjeringen skal fortsette å bygge landstrøm og ladestasjoner i vår tid, uten å si noe om tempo. Hvor er tiltakene som reflekterer FNs 1,5-gradersrapport, som kom i høst? For en marginal opptrapping av CO2-avgiften er ikke nok, og spesielt ikke når Fremskrittspartiet, som vi har vært igjennom flere ganger i debatten hittil i dag, har fått gjennomslag for at regjeringen skal sikre at denne avgiften aldri merkes i pumpeprisen i transporten. Og det er merkes i pumpeprisen i transporten. Og det er det som er det tredje problemet med plattformen: Tre av de fire største forurenserne i Norge er vernet mot tiltak. Oljeindustrien skal sikres langsiktighet og lønnsomhet. Det skal bygges flere nye kapasitetsøkende veier, og personbilene er altså skjermet for økningen i CO2-avgift. Det er ingen tiltak der for å begrense flytrafikken.

Hvis ikke utslippene kuttes nå, vil endringene fortsette – stadig raskere, stadig mer omfattende. Ett av punktene i plattformen er å lage en ny Klimakur, for å utrede tiltak og virkemidler. Den første klimautredningen kom i 1990. Da var jeg fire år. Statens forurensningstilsyn anbefalte den gangen å flytte reisende fra personbil og fly til sykkel, gange og kollektiv. Siden da har det kommet 24 stortingsmeldinger, NOU-er og tiltaksanalyser – med anbefalinger om hvordan utslipp skal kuttes. I Sverige har Miljöpartiet de gröna og Socialdemokraterna fått støtte av Liberalerna og Centerpartiet til å danne regjering. Forskjellene mellom den svenske og norske regjeringsplattformen er tydelige: Den svenske regjeringen har ambisjon om å bli verdens første fossilfrie velferdsland. Den norske regjeringen vil legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. Den svenske regjeringen vil sette i gang bygging av høyhastighetstog mellom Stockholm, Göteborg og Malmø og bygge ut jernbanen fra nord til sør i hele Sverige. Den norske vil planlegge og bygge nye kapasitetsøkende veier og bare utrede høyhastighetstog. Den svenske regjeringen vil gjennomføre et grønt skatteskifte på 15 mrd. kr. Den norske regjeringen vil øke CO2-avgiften med skarve 5 pst. hvert år. Å slippe ut ett tonn CO2 skal altså koste tilsvarende sju øl på byen i 2025, mot fem øl i dag. Den svenske plattformen viser at det er mulig med et blokkoverskridende samarbeid som leverer på miljø og klima – som leverer en politikk som virker, ikke bare som viker unna. Og i Sverige holdes Sverigedemokraterna ute. I Norge holdes Fremskrittspartiet tett til statsministerens bryst, som miljø- og klimabrems.

og ofte stemt sammen og klart å lage flertall – sammen med Kristelig Folkeparti og i forrige periode også sammen med Venstre. Nå går vi en ny tid i møte. I morgen får vi et første varsel om hvordan den nye tiden blir. Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne – også mye sammen med SV og Senterpartiet – fremmer 40 forslag, som alle blir nedstemt! Når NHO protesterer, blir de Det viser at vi får en tøff tid i tiden som kommer, og det er behov for at vi diskuterer hvordan vi kan jobbe sammen. Et av spørsmålene som Arbeiderpartiet mener vi bør jobbe sammen om, er spørsmålet om klimarisiko. Det er kommet en veldig god rapport, men foreløpig er det en rapport som bare ligger i skuffen til Siv Jensen. Hva er forventningene fra Miljøpartiet De Grønne om hvordan denne rapporten skal følges opp politisk, og hvilke tiltak mener de bør iverksettes når det gjelder klimarisiko? Presidenten tillater denne replikken. Da tillater jeg meg å svare på replikken. Jeg

oljesektoren. Derfor er noe av det jeg er spent på, hvor mye Arbeiderpartiet klarer å bevege seg de neste årene i nettopp oljepolitikken. Jeg mener det er helt tydelig at det som først og fremst har vært et klimaspørsmål, nå vokser mer og mer som et økonomisk velferdsspørsmål – like mye som økologisk velferd. For et styringsparti som Arbeiderpartiet, som skal være opptatt av trygge arbeidsplasser, håper jeg også å kunne se en endring der. klimarisikoen virkelig ligger for Norge, tror jeg. Så ser vi også at klimaendringene kommer til å ha stor påvirkning på tryggheten Aukrust – til oppfølging. Av og til betegnes det som om det er et dilemma mellom rettferdig fordeling og klimapolitikk. Jeg mener snarere tvert imot at det er en veldig klar sammenheng, for det er de rikeste som har skapt klimaproblemene, og det er de fattigste som får lide for det i alle fall først og hardest. Det gjelder internasjonalt, men vi ser det samme i Norge. De bydelene som har lavest inntekt, er de som rammes hardest av f.eks. luftforurensning. Men vi må allikevel ha en klimapolitikk som oppleves som rettferdig. På lik linje med at det ikke skal være sånn at noen land kan kjøpe seg fri, skal heller ikke folk kunne kjøpe seg fri. Mitt spørsmål til Miljøpartiet De Grønne er derfor: Hvordan mener de at vi skal få en klimapolitikk som kommer gjennom de endringene vi skal gjennom, med mindre forskjeller enn det vi hadde i utgangspunktet?

den økningen vi legger på bensinavgiften, går inn i en fordeling og ut igjen til folket. Det betyr at den aldri skal inn på statsbudsjettet, det skal ikke være en inntekt til statsbudsjettet. Det skal betales ut som et incentiv, sånn at man får mer igjen i pengeboken dersom man gjør de klimavennlige valgene, og så merker man den avgiften mer hvert år dersom man ikke gjør de endringene. Jeg er helt enig i at et rettferdig samfunn hører sammen med et mer klimavennlig samfunn. Miljøpartiet De Grønne viser i sitt alternative budsjett at man kan styrke fellesskapet, man kan gjøre noe med de sosiale forskjellene og også klare 60 pst. kutt fram til 2030. Da fikk jeg anledning til en siste replikk, og den handler om hva vi kan få til ute i kommunene. Arbeiderpartiet skal drive opposisjonspolitikk her på Stortinget mot regjeringens klimapolitikk, men vi skal også gjøre det gjennom kommunepolitikken vår. tenke globalt og handle lokalt, og når regjeringen har små ambisjoner, får vi heller ha det rundt omkring i kommunene våre. Det er jo sånn at i Oslo har de større ambisjoner for hva de skal få til med Oslo by, enn hva regjeringen har for hele Norge. Nå har Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne sittet sammen i byråd i snart fire år, og vi går til valg for fire nye år. Det blir viktig for hvordan klimapolitikken skal være i Oslo, men det vil også ha noe å si for hvordan klimapolitikken skal være nasjonalt. Mitt spørsmål til Miljøpartiet De Grønne er: Hva mener de er den viktigste lærdommen av det vi har fått til i den ambisiøse klimapolitikken vi har hatt i Oslo, og som vi også kan gjennomføre på nasjonalt flere viktige lærdommer. For det første må man allerede i forhandlingene være konkret når man blir enige om politikken, så man ikke utsetter de aller viktigste diskusjonene. Så var nok vi også litt heldige med at vi har forhandlet med den delen av Arbeiderpartiet som er interessert i å gjøre noe med utslippene i byene. Den andre viktige lærdommen er at man må tørre å stå i noen kamper.

forhandlinger. Den nye regjeringa har – trass i innlegget til representanten her – lagt fram den mest ambisiøse klima- og miljøplattforma som har vore presentert i denne salen. Det har likevel vore ein spesiell haust, der Miljøpartiet Dei Grøne m.a. har vore på banen med eit mistillitsframlegg, der ein ville fella og der det implisitt låg tankar om ei ny regjering der m.a. Miljøpartiet Dei Grøne og Senterpartiet skulle sitja ved same bord. Det er då av interesse å vita kva tankar representanten gjorde seg med omsyn til ei felles plattform der Miljøpartiet Dei Grøne og Senterpartiet skulle einast om ein klimapolitikk f.eks. for landbruket og personbiltrafikken, der ein opplever stor skilnad mellom partia, og der ein har eit Senterparti som meiner at me sminkar skattesystemet når me vrir om til dei grøne avgiftene. Trur Miljøpartiet Dei Grøne at dei vil få gjennomslag for sine mange titals milliardar i klimaavgifter saman med Senterpartiet? Jeg synes faktisk – helt ærlig – at norsk politikk synker ganske lavt når regjeringspartiene, i hvert fall to av dem, har som hver gang de blir utfordret på klima- og miljøpolitikk, å true med hva opposisjonen ellers skulle ha fått til – uten at det har vært noen forhandlinger i opposisjonen heller. Så det vet vi jo ikke. enkle svaret. Jeg vet ikke hva jeg kunne ha fått til i forhandlinger med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det eneste jeg vet, er at i dag har vi en regjering som ikke leverer på det som er den aller største utfordringen for oss alle. Som jeg var innom tidligere i debatten, går dette ut over matsikkerheten vår. Det går ut over arbeidsplasser langs kysten fordi fisken vandrer nordover. Vi får flere klimaflyktninger. Jeg er ikke fornøyd med at den mest ambisiøse plattformen for klima og miljø, hvis den nå er det – det er veldig vanskelig å måle før man har sett resultatene, når det er så få tiltak – men til og med om den er det, så er det ikke bra nok, for vi vet at det haster. Vi har tolv år på oss til å halvere utslippene. Det holder ikke å være mer ambisiøs enn dem som er foran. Hver plattform framover må være mer ambisiøs.

Derfor er det bra at EU leder an og tvinger de andre landene til å ta grep, men på tross av EUs avgjørende betydning for klimapolitikken i Europa har Miljøpartiet De Grønne ikke klart å ta stilling til hvorvidt de er for eller imot norsk EU-medlemskap. Når representanten Bastholm møter, vil Miljøpartiet De Grønne i en EU-avstemning i dag stemme «vet ikke», og hvis vararepresentanten Stoknes møtte, ville de stemt for norsk EU-medlemskap. Så hvis er den viktigste saken, hvorfor er det da ikke et lett valg å være for EU? Hvis jeg plutselig her i salen var nødt til å ta stilling til EU-spørsmålet før en folkeavstemning, hadde jeg i hvert fall håpet at jeg fikk tid til å ta en runde med partiet vårt. Det stemmer at vi ikke har tatt stilling til det, i likhet med flere andre partier for øvrig, som også er splittet i det spørsmålet. ACER var et eksempel på at Norge er nødt til å knytte seg nærmere EU for å kunne bidra, som vi bør, til et grønt skifte også i Europa. Så det tror jeg er mer et eksempel på at Miljøpartiet De Grønne er ganske udogmatisk når det kommer til hva Norge bør bidra med. Vi har ikke låst oss fast i løsninger eller i debatter som var i det forrige århundre. Vi ønsker å se på hvordan Norge kan bidra nå. Det vi sier om EU, er bl.a. at vi ønsker, både i samarbeid med EU og gjennom Norges rolle i EØS-avtalen, å bidra til at EU tar den rollen EU bør ta i miljø- og klimaspørsmål. Akkurat nå synes jeg det ser ut som om EU er mer ambisiøs

som åpner for nye letetillatelser. Vi sa det i 2017 fordi vi mener at det er et av de viktigste virkemidlene, det første stedet en bør starte hvis en ikke ønsker større investeringer i en sektor som har mer og mer økonomisk risiko ved seg, og som er en stor bidragsyter til klimaendringene i Norge. Men om det kommer til å være en konklusjon neste gang vi går inn i et stortingsvalg, det kan jeg ikke si her og nå.

Ganske mange. Vi ville nok ikke revet spaden ut av hånden der hvor veiene allerede blir bygd, men det vi har sett til i f.eks. vårt alternative statsbudsjett – og vi har også noe vi kaller en GrønNTP, altså en grønn nasjonal transportplan – er hvor det er naturlig å stoppe kapasitetsøkende fordi vi mener at disse er en veldig dårlig prioritering av transportbudsjettet vårt. Vi prioriterer egentlig ganske likt det som regjeringen gjør innen samferdsel totalt, men vi prioriterer mye mer på kollektivtransport og særlig på tog. No har vi fått ei ny regjering. Vi har fått ei regjering som har ein familiepolitikk som ser på tid med familien som noko bra, som får

den politikken, eller ser Miljøpartiet Dei Grøne seg som ein del av det laget frå venstresida som driv med familieplanlegging, og som går imot løftet i barnetrygda og kontantstøtta – og som ikkje skjønar at det å tryggje familiane og ha tid med dei kan bety noko meir enn berre prosentauke i BNP?

fordi vi mener det er urimelig at forskjeller i Norge skal gå i arv når folk får barn. Vi er nødt til å være sikre på at når folk får barn, skal det være like godt og trygt, uansett hva lommeboken din sier. Når det kommer til tid, er jo det et av de interessante forholdene hvor jeg tenker at Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti har en del til felles. Jeg hadde jo håpet på mer gjennomslag for Kristelig Folkeparti i denne regjeringen også på den delen av familiepolitikken – og egentlig livskvalitetspolitikken – til Norge, for jeg tror vi må ta på alvor at stadig flere opplever stress og press i hverdagen sin som går litt utover det at det er litt ubehagelig, f.eks. fører det til mer … Da er replikkordskiftet omme, og vi går tilbake til den ordinære talerlisten.

som får det mer utrygt enn foreldrene sine. De vil spørre oss hva vi gjorde for å stoppe det økende gapet mellom dem på toppen og vanlige folk. Da kan ikke svaret vårt være at jo, vi økte skattegavene til dem på toppen og økte avgiftene for dem på bunnen. Men det er det som er svaret fra Erna Solberg, Siv Jensen og den nye regjeringen. De vil spørre oss hva vi gjorde for å unngå katastrofale temperaturøkninger. Da bør ikke svaret være at vi lot oljeindustrien fortsette som før og sendte stadig mer av strømmen fra vannkraften ut av landet i kabler og ga fra oss muligheten til å bygge opp ny, miljøvennlig industri. Det bør heller ikke være at vi satset på at ny teknologi og såkalt grønn kapitalisme kunne redde oss, til tross for at vi visste at evig vekst på en klode med begrensede ressurser er helt umulig i lengden. Men det er dette som er svaret fra Erna Solberg. De vil også spørre oss om hva vi gjorde da fagforeningene ble kraftig svekket og den norske modellen virkelig trengte vår hjelp. Da bør ikke svaret være vi tviholdt på EØS-avtalens frie flyt, vi sikret arbeidsgiverne muligheten til å bytte ut arbeidstakere med norske lønnsvilkår med arbeidstakere med dårlige vilkår. Men det er nettopp det som er svaret fra Erna Solberg og hennes nye firehodede regjering. De vil spørre da kvinners rettigheter plutselig ble et forhandlingskort i et rått maktspill. Da bør heller ikke svaret være at vi ga etter. Men det er det som ble svaret fra Erna Solberg. Og de vil spørre oss om hva vi gjorde da de globale oppkjøpsfondene for alvor inntok velferdsstaten, da barnehagene våre ikke lenger var våre, men eid av oppkjøpsfond i Da kan ikke svaret være at vi lukket øynene, og så innførte vi privat behandlingsvalg i kommunen, som åpnet for enda flere velferdsprofitører rett inn i den kommunale velferden. – Klipp og lim fra feilene de har gjort i Sverige. Men det var det som var svaret fra Erna Solberg og hennes nye regjering. På Granavolden var det åpenbart greit med svenske tilstander for Sylvi Listhaug. Nå er strømprisene skyhøye. Mange nordmenn gruer seg til neste strømregning, men det er liten trøst å finne i regjeringsplattformen for dem. Der er det derimot lojalitet til Acer, til EU, om nye eksportkabler til utlandet som gjelder, med økte priser som resultat. Med skyhøye strømpriser håver staten inn ekstra penger i moms fra folks strømregning, og det er ganske umusikalsk, for å si det mildt. Rødt foreslår at de som har så pass dårlig råd at de mottar statlig bostøtte, skal få en ekstra utbetaling. Det har vi hentet fra et forslag fremmet av Høyre, Venstre og under forrige strømprissjokk i 2011. Vi fremmer samme forslag på Stortinget i dag, og forventer at disse partiene støtter forslaget de selv var for bare noen få år tilbake. Rødt kommer til å være den tydeligste opposisjonen til denne regjeringen. Forhandlingene er over, men kampen om hva de skal få til, har så vidt begynt. Og vi har fått Erna Solberg til å snu før. Husk bare på kampen om å hindre søndagsåpne butikker, salg av Flytoget og ikke minst striden om reservasjonsretten. Gang på gang har folkelig mobilisering gitt Norge en ny kurs. De har snudd før, og vi skal sørge for at de må snu igjen. Med det tar jeg opp Rødts forslag. Da har representanten Bjørnar Moxnes tatt opp det forslaget han refererte til. Det blir replikkordskifte. Representanten tok opp den negative utviklingen i arbeidslivet i sitt innlegg. Som det

De får en videreføring av Høyres økonomiske politikk med skattekutt for de rikeste og avgiftsøkninger for dem som har dårlig råd. De har sikret flertallet for det fordi Kristelig Folkeparti har blitt med i regjeringen. Stortingsflertallet – opposisjonen sammen med Kristelig Folkeparti – vedtok i fjor å be regjeringen legge fram forslag for å sikre at flere blir med i fagforeninger. Vi har ikke hørt noe om det siden den gang. Tvert imot stemmer de ned opposisjonens forslag for å sikre mer makt til arbeidsfolk. De ønsker at flere skal være midlertidig i arbeidslivet, og de gjør ingenting mot sosial dumping. De setter EØS og Brussel og hensynet til EU over det å sørge for at vi har ryddige forhold for arbeidsfolk i Norge. Så jeg er ganske pessimistisk med tanke på regjeringen, men optimistisk med tanke på neste valg. Etter alle solemerker vil alternativet til denne regjeringen ved neste stortingsvalg være en regjering bestående av Arbeiderpartiet, med SV og Rødt på vippen. Det er to partier som har en helt egen orientering i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. De ønsker bl.a. å melde Norge ut av NATO og har lite til overs for det transatlantiske samarbeidet. Spørsmålet er: Vil Rødt i en slik situasjon ta mål av seg til å legge press på Arbeiderpartiet og en slik regjering til å melde Norge ut av NATO, og således underminere sikkerhetsgarantien for Norge? Norge trenger en ny og langt mer ansvarlig utenrikspolitikk enn den vi har i dag, under en regjering som setter norgesrekord i å underlegge Norge USA ved å tillate permanente amerikanske militærbaser på norsk jord,

dempe spenningen mellom stormaktene, hindre nye våpenkappløp og ikke minst sikre det norske folks suverenitet og interesser. Vi har ikke interesse av å bli et slags oppmarsjområde for stormaktskrig på norsk jord. Vi har interesse av å få spenningen ned, ikke opp – det vil Rødt kjempe for. for. Om lag 80 pst. av vår eksport går til EU/EØS-området. EØS-avtalen er med andre ord helt avgjørende for verdiskapingen i norske bedrifter, for norske arbeidsplasser og for vår framtidige velferd. Samtidig ser vi at våre naboer i vest er i ferd med å forlate det europeiske samarbeidet. Partiet Rødt mener at Norge skal gå den samme veien som Storbritannia, og forhandle en egen avtale med EU. I Storbritannia er det nå et politisk kaos uten sidestykke. Politikerne er totalt handlingslammet, og det er vanskelig å se hvordan de skal bli enige om noe som helst, noe som åpenbart er svært krevende for både næringsliv og innbyggere. I lys av dette lurer jeg på hva representanten Moxnes mener vi kan lære av situasjonen i Storbritannia. Det er for det første at vi aldri må finne på å bli med i EU. Det å melde seg ut er jo nesten umulig, og de straffer et land hvor folket ønsker å gå ut – man straffes, presses og skvises av Brussel. Så vi må aldri finne på å gjøre det som Arbeiderpartiet og Høyre-toppene vil: å gå inn i EU. Det er den første lærdommen. Den andre lærdommen er at vi i Norge i mange, mange år har solgt våre varer til land i EU, lenge før vi fikk en Spørsmålet er: Hvis Norge sier opp avtalen, vil EU slutte å trenge Norges aluminium, som er en innsatsfaktor i EUs bilindustri? Vil de ikke ha behov for norsk olje og gass? Vil de slutte å spise fisken vår, som for så vidt også er unntatt EØS-avtalen? Naturligvis vil EU handle med Norge også uten EØS-avtalen. De har 150 avtaler om handel uten EØS-avtalen. De har 150 avtaler om handel med andre land uten å kreve å diktere de landenes lover og regler, som vi har med EØS-avtalen. NATO er verdens mest vellykkede forsvarsallianse og har bidratt til å sikre demokratiet og freden i Europa de siste 70 årene – i motsetning til land som partiet Rødt historisk har løftet fram som I Rødts verden: Hvem er Norges nærmeste allierte, og hvem skal erstatte sikkerhetsgarantien NATO og våre allierte, når Rødts doktrine eventuelt gjelder, og vi står der uten et NATO? Det ligger et land øst for Norge som heter Sverige, som aldri har vært og som har klart seg rimelig godt uten å være medlem av NATO. Mange i Norge og i nordiske land ønsker et tettere samarbeid mellom de nordiske landene om forsvar fordi mange ser at det USA driver med, og det Russland driver med, er en gjensidig eskalering av for verdensfreden, og ikke minst for de landene som havner i skuddlinjen mellom stormaktene, skulle det smelle. Hvis vi fortsetter kursen vår, å gjøre Norge enda mer til et oppmarsjområde for US Marines, spørs det om folk i Trøndelag og i Nord-Norge blir særlig glad for en sikkerhetsgaranti som involverer stormaktskrig på norsk jord.

og det var å atombombe alt nord for Trondheim, hvis jeg husker riktig. Det er klart det vil jo stoppe russiske tropper. Om det er noe de vil være glad for i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, er et annet spørsmål. Poenget er følgende: Vi har interesse av å få spenningen ned, av å ha et forutsigbart forhold til vår nabo i øst, som er en stormakt – ikke av å eskalere konflikten, slik som USA og NATO, også under Jens Stoltenberg, nå driver med. Det er livsfarlig for norsk sikkerhet og for innbyggernes trygghet. Vi ønsker avspenning framfor økt spenning. Det er kjernen i Rødts forsvarspolitikk, til forskjell fra Høyre, som uansett hva dilter etter USA. USA. Det er interessant å høre på raljeringen til representanten Moxnes om valgfrihet, men det er klart at når man vet hvilke regimer og systemer representanten Moxnes mener er bra, er det vel sånn at valgmulighet – at folk skal få mulighet til å velge – er noe Moxnes ikke er glad i. Han er mer opptatt av systemer enn av menneskene som skal få tjenestene levert. levert. Jeg vet at Moxnes og Rødt er veldig for den rekommunaliseringen som man holder på med i Oslo kommune, og bruker penger på å endre systemer istedenfor å bruke pengene på det som er viktig, nemlig menneskene. Da må jeg stille spørsmålet: Hvordan kan representanten Moxnes og Rødt mene at det er solidarisk og riktig – og bedre – overfor dem som ikke får tjenestene fordi det ikke er penger, riktig – og bedre – overfor dem som ikke får tjenestene fordi det ikke er penger, å ta vare på systemene istedenfor å ta vare på menneskene, som skal få hjelp, og de tjenestene som kommunen skal levere? Presidenten vil minna representanten Hoksrud om at «raljera» ikkje er eit parlamentarisk uttrykk. Det var mye surr, for å si det slik, i det spørsmålet. For det første slåss Rødt for at kommunene skal få mer igjen av verdiskapingen og ha mer penger til rådighet til eldreomsorgen ute i kommunene. Vi går mot strupingen av kommuneøkonomien, som vi dessverre ser med Fremskrittspartiet i regjering. For det andre: Ja, Rødt er mot at noen milliardærer henter millioner av skattekroner ut av eldreomsorgen, at de tar penger fra pleiehjem og fra hjemmetjenesten som skulle ha gått til å gi de eldre et best mulig tilbud. At Fremskrittspartiet er for denne berikelsen på eldres bekostning, er Fremskrittspartiets eget valg. Vi er for å sikre en varm og verdig eldreomsorg, med et mangfold av offentlige og ideelle tilbud, men vi er mot at penger tas ut av velferden. Derfor er vi også for profittforbud, som Fremskrittspartiet åpenbart ikke er enig med

Jeg leste i Rødts prinsipprogram for å se etter om de hadde forlatt sin marxistiske arv, men så klart at det hadde de ikke. Væpnet revolusjon var riktignok erstattet med demokratisk revolusjon, men like fullt revolusjon. Tror representanten Moxnes at hans velgere er klar over at Rødt synger moderniserte utgaver av den samme visen som har gått ut på dato i Russland, i Kina og i en rekke andre stater, som motvillig ble en del av den røde revolusjonens ikke-så-demokratiske favntak? Det er vel få partiers programmer som har vært mer diskutert og enn Rødts partiprogram. Samtidig har Rødt vokst fra omkring 1,2 pst. på målingene til nå å være større enn Kristelig Folkeparti og Venstre sammenlagt. Så vi kan vel si at det ikke akkurat skremmer folk å få lese at Rødt er for mye mer demokrati, og at de store ressursene i verden, som i dag styres av en bitte, bitte liten overklasse, skal forvaltes demokratisk, til beste for flertallet i befolkningen og ikke minst av hensyn til jordas og klimaets tåleevne. Dette er en mange hundre år lang frihetskamp, demokratikamp, som vi fører videre, for å sikre at vi ikke har et fåmannsvelde av oligarker – verken i Norge eller i verden – som bestemmer eneveldig over flere ressurser enn det den fattigste halvdelen av befolkningen i verden disponerer over. Det er etter mitt syn kjernen i
er replikkordskiftet omme, og vi går tilbake til den ordinære

til en rød retning for Norge og ga fornyet mandat til Fremskrittspartiet i regjering. Granavolden-plattformen og en utvidet regjering med Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti markerer en historisk firepartiregjering. Det er historisk for Fremskrittspartiet fordi vi for første gang skal delta i en flertallsregjering hvor vi skal fortsette å bygge videre og forsterke den politikken vi har ført de siste fem årene. Det er også historisk for Norge, som får den første ikke-sosialistiske flertallsregjering siden 1983, og som har som mål å løse de store utfordringene Norge står overfor. I denne plattformen har vi vist til noen hovedutfordringer som vi må løse. Vi skal trygge Norge for fremtiden. Norge har vært gjennom tøffe tider. Nå ser vi en økende optimisme. Ledigheten går ned, og den økonomiske veksten går opp. Norge trenger flere ben å stå på, og derfor må vi fortsette å omstille norsk økonomi ved å bygge infrastruktur i hele landet for å skape nye, lønnsomme arbeidsplasser. Det mest verdifulle for Norge er menneskene som bor her. Verdien av vår fremtidige arbeidsinnsats utgjør den største delen av nasjonalformuen. Det er gjennom satsing på kunnskap og kompetanseheving vi legger grunnlaget for fremtidens næringsliv og en bærekraftig økonomi. Skal vi lykkes med å skape et bærekraftig velferdssamfunn, må vi alltid sørge for at det skal lønne seg å jobbe, satse og skape arbeidsplasser. Selv om vi arbeider for lavere skatter og avgifter, er det ingen som er uenig i at alle skal betale skatt for å finansiere velferd i Norge. Trygge arbeidsplasser og bedrifter som skaper overskudd over tid, er en bærebjelke for det norske velferdssamfunnet. Derfor kan aldri velferd settes opp mot verdiskaping det ene forutsetter det andre. Man må skape for å dele. Vi må sette bedriftene våre i stand til å skape mer, ikke skatte mer. Det er slik vi sørger for å gi flere en jobb å gå til, og reduserer fattigdom, forskjeller og utenforskap. Det er flere i Norge som lever lenger. Det skal vi være glade for, Bærekraften i velferdsordningene avhenger av at flere er yrkesaktive, og at vi finner nye løsninger. Det krever et inkluderende arbeidsliv. Mange mennesker som ønsker å bidra, møter stengte dører. Vi må sørge for at flere får en fot innenfor arbeidslivet. Den teknologiske utviklingen skaper store muligheter for nye arbeidsplasser, men utfordrer også enkelte arbeidsplasser og krever ny kompetanse. Skal vi bevare bærekraften i det norske velferdssamfunnet, er vi også helt avhengig av at flere innvandrere kommer i arbeid. For å lykkes med det er det avgjørende å ha kontroll på innvandringen. I Granavolden-plattformen legger regjeringen opp til flere viktige innstramminger, og vi beholder hovedlinjene i innvandringspolitikken. Samtidig må vi integrere dem som kommer til landet vårt, på en bedre måte, slik at flere innvandrere kan komme seg i jobb og bli en del av det norske samfunnet. For samfunnet handler dette om at jo færre som går på trygd, jo færre som går på trygd, desto mer bærekraftig blir vår økonomi. For den enkelte handler det om trygghet og tilhørighet til det norske samfunnet. Regjeringen vil ikke bare trygge Norge; vi vil også fortsette å bygge Norge. Gjennom en sterk satsing på infrastruktur knytter vi landet sterkere sammen. Vi skal fortsette å bygge ut bedre veier, kollektiv og jernbane. Det gir et bedre miljø og en enklere reisehverdag for oss alle. alle. Jeg mener også det er klokt av regjeringen å ha ambisjoner om å gjøre dette med mindre andel bompenger, og innføre fradrag for bomutgifter for at bompengebelastningen ikke skal bli for høy for den enkelte. Trygghet er en forutsetning for frihet. Endringer i samfunnet og ny kriminalitet skaper utrygghet. Den enkelte skal føle seg trygg i og utenfor sitt eget hjem. Derfor må kriminalitet bekjempes, og trusselen fra terror må tas på alvor. Derfor er det også viktig med en egen samfunnssikkerhetsminister. Mennesker som har levd et langt liv, skal være trygg på at de får en meningsfull hverdag når de blir eldre. Vi blir flere eldre. Det vil stille krav til kapasitet og kvalitet i eldreomsorgen, men gir også muligheter for smartere løsninger og ny teknologi, til beste for pleietrengende og ansatte. For å løse våre felles utfordringer og trygge velferden må vi fortsette å omstille og reformere – tenke nytt, fornye og stille krav til både offentlig sektor, næringsliv og oss selv. Jeg ser frem til et konstruktivt samarbeid med Stortinget. Det vert replikkordskifte. Siv Jensen har i regjering bidratt til skattekutt med en kjent profil: Det går mest til dem med mest fra før, mens det har vært skattlegging av vanlige folks sluttvederlag, kutt i foreldrepenger, dagpengeordningen, fysiobehandling, osv. Det nye nå nå er skattlegging av naturalytelser. Det er ganske sterke historier vi får her, om skatt og rapporteringsplikt for festivalpass for frivillige eller ulike rabatter som man får gjennom arbeidsforholdet. Det skal nå rapporteres og beskattes. Kan finansminister og Fremskrittspartiets leder begrunne rimeligheten i denne prioriteringen? Og kan hun rydde opp i en uklarhet som ikke ble mindre kaotisk da vi hørte finanskomiteens leder på radioen i dag si at dette har blitt helt feil? feil? Jeg vil gjerne spørre Siv Jensen: Er politikken feil? Skal dette kaoset løses, eller skal det fortsette? Jeg er veldig glad for å få det spørsmålet, for det kan bidra til å rydde opp i noen misforståelser som også Stortinget, som har vedtatt dette, synes å ha. Når det gjelder endringene som har vært gjort med hensyn til naturalytelser, er de blitt bedre i forhold til det de var. Det vi har gjort, er å plassere ansvaret for å innrapportere dette hos arbeidsgiverne. Tidligere var det hos arbeidsgiverne. Tidligere var det sånn at beløpsgrensen var på 5 000 kr, med en 50 pst.-rabatt. Nå har vi hevet den beløpsgrensen til 7 000 kr, med den tilsvarende rabatten. Det er heller ikke sånn at denne regjeringen har gjort endringer når det gjelder festivalene. De reglene har ligget fast lenge. I den grad vi har gjort endringer for frivillige og ideelle, har vi gjort regelverket romsligere. Grensen for oppgaveplikt og skatteplikt for en som jobber for ideelle organisasjoner, har økt fra 6 000 kr til 10 000 kr. Alt i alt har denne regjeringen gitt lettelser og større romslighet i regelverket for naturalytelser, men vi plasserer ansvaret for å innrapportere det

Då Arbeidarpartiet påpeikte det urimelege i skatteendringane for frivillige på festivalar, f.eks., svarte Jensen det same som i dag, at det var klargjort, og at det var lett å finna fram i nye reglar. Det er heilt klart ikkje kulturnæringane einige i. For eksempel problemstillinga for dugnadsarbeid som er organisert som AS: Dei er ikkje men det er snakk om tidsavgrensa og kortvarige arrangement. Det er framleis uløyst. Det er stor uro om dei som jobbar dugnad, fell innanfor eller utanfor. Er statsråden einig med Arbeidarpartiet i at problemstillinga for kulturarrangement av tidsavgrensa varigheit er reell og må ryddast opp i?

det er et 25 år gammelt regelverk som videreføres. Hvis man hevder at kaoset skal fortsette, er det i så fall flere som må være med på å ta ansvar for det i denne sal, enn denne regjeringen. Det vi har gjort, er å liberalisere skattereglene på dette området. Vi har gjort det enklere når det gjelder fri avis og overtidsmat, og vi har hevet beløpsgrensene. Men det er riktig at vi har plassert ansvaret for å betale dette inn, hos arbeidsgiverne. Det handler om noe jeg trodde Arbeiderpartiet var enig i, at vi skal ha trygge arbeidsforhold i dette landet. Det betyr altså at hvis man ikke skatter av disse naturalytelsene, får man mindre pensjon, mindre i sykepenger og mindre ledighetsutbetaling. Eg vil gå over til det med bussjåførane, eller dei tilsette i kollektivtransportselskap. Eg sende i går

når dette i realiteten betyr at hvis man ikke innrapporterer dette som skatt, går man glipp av rettigheter i folketrygden. Det betyr potensielt lavere pensjon, færre rettigheter ved sykdom, færre rettigheter ved arbeidsledighet. Det trodde jeg at Arbeiderpartiet var enig med regjeringen i at vi skulle gjøre noe med, for å trygge arbeidstakernes rettigheter i dette landet. Det er et mønster i den skattepolitikken som Fremskrittsparti-leder Siv Jensen fører. Pendlerne har blitt tatt fra dag én når Fremskrittspartiet har hatt finansministeren. De som bodde i brakkerigg, hadde altfor gode skatteordninger, så de skulle skattlegges mer i budsjettet i fjor. de skulle skattlegges mer i budsjettet i fjor. Sjøfolkene skulle skattlegges for hyretillegget sitt. Og nå er det bussjåføren, som har årskort som skal skattlegges. Vi i Senterpartiet stemte mot dette også før jul, for vi så hvordan det slo ut, mens de andre partiene sov i timen og stemte dette igjennom. I dag hørte jeg en av dem som sov i timen, tydeligvis. Henrik Asheim sa at det kunne være byråkratisk og smålig, det som nå skjer, at bussjåføren, som alltid har hatt mulighet til å ta bussen for en minimal kostnad, Er finansminister Siv Jensen enig i at den skattleggingen av vanlige arbeidsfolk som regjeringen nå har, er byråkratisk og smålig? Som jeg nå har sagt to ganger, er vi mer enn villig til å se på eventuelle utilsiktede virkninger av dette, nettopp fordi det ikke skal oppleves slik som representanten Slagsvold Vedum karakteriserer det. Det som derimot er viktig, er at vi har ryddige forhold i vårt arbeidsliv, at de ytelsene man får, enten det er lønn eller naturalytelser, blir innberettet, sånn at man får de rettighetene man har krav på i folketrygden. Det vil jo være ganske forstemmende at man får mindre pensjon utbetalt den dagen man går av med pensjon, fordi man har hatt naturalytelser som det ikke har vært skattet av. Jeg synes det er et ansvar som også hviler tungt på arbeidsgiverne, å reflektere over måten de lønner sine ansatte på. Men til det mønsteret i skattepolitikken som representanten Slagsvold Vedum viser til: Ja, det er et mønster i regjeringens skattepolitikk. Det har vært en systematisk reduksjon i det samlede skatte- og avgiftstrykket for næringsliv og for folk flest. En gjennomsnittlig familie har fått lettelser på 11 000 kr under denne regjeringen, og det regner jeg med kommer vel til gode. Man må altså være stortingsrepresentant for å mene at det er smålige skattelettelser.

Og hva har skjedd med strømprisene? Avgiftene har økt med 36 pst. siden Siv Jensen ble statsråd i Norge. Så politikken har ført til at prisen på strøm har gått opp. Og i dagens VG uttaler statsråd Freiberg at han er veldig stor tilhenger av å bygge flere utenlandskabler fra Norge til Storbritannia. Synes finansminister og partileder Siv Jensen at det er greit at vi skal bygge flere utenlandskabler hvis det fører til økte strømpriser i Norge? Det jeg og regjeringen er opptatt av, er at vi skal ha en velfungerende energipolitikk i Norge som både sikrer at vi har tilgang på god, miljøvennlig energi til våre husholdninger, og at vi samtidig har muligheten til å importere kraft når vi ikke klarer å være selvforsørget med det. Nå er det ikke sånn at Senterpartiet har så fryktelig mye å skryte av når det gjelder lettelser i elavgiften. Under den forrige regjeringen gikk elavgiften stort sett opp, og i Senterpartiets alternative budsjett for i år har man foreslått en lettelse på 1 øre utover det regjeringen fikk gjennomslag for. Når det gjelder bompenger, begynner jeg å bli litt lei av å høre på Slagsvold Vedum. Han og hans parti er de fremste forkjemperne for å øke bompengene i alle prosjekter. Da han satt i regjering, var bompengeandelen i Norge 40 pst. Under denne regjeringen er bompengeandelen redusert til 28. Og i den nye regjeringsplattformen kommer vi med en lang rekke tiltak for nettopp å redusere bompengebelastningen for folk flest, særlig i distriktene. Det trodde jeg kanskje at Slagsvold Vedum ville applaudere i stedet for å kritisere. Da Senterpartiet satt i regjering, var det årlig bompengeinnkreving på rundt 9 mrd. kr på det høyeste. Nå er den på rundt 13 mrd. kr, altså en voldsom vekst med Siv Jensen som finansminister. Hun lovet akkurat det motsatte. Alle landets pendlere har opplevd en stor skatteskjerpelse med Siv Jensen som finansminister – en pendler som pendler 10–11 mil, får 6 000–7 000 kr mer i skatt i året. Og det er tidenes høyeste strømpriser. Siv Jensen har ført en politikk der avgiften på strømmen i Norge har økt med 36 pst. siden hun ble statsråd. Det er et faktum. Og Freiberg, som er olje- og energiminister, er ikke bekymret for at flere utenlandskabler kan føre til enda høyere strømpris, noe vi også vet er et faktum. Det står til og med i NorthConnects egen søknad at denne kabelen kommer til å føre til økte strømpriser i Norge. Bekymrer det ikke Siv Jensen og regjeringen i det hele tatt at norske husholdninger og norsk industri opplever stadig høyere strømpriser, og at det er tidenes høyeste strømpris nå, pluss at den avgiftsbeleggingen som Jensen gir, gjør at det er rekord også i avgifter på strøm i Norge?

så mye som det gjør, og Senterpartiet i alle landets kommuner ivrer for at det skal finansieres med bompenger, er det ikke til å lure på at det også blir økt samlet bompengebelastning. Derfor har det vært viktig for oss å få bompengeandelen ned. Derfor har det vært viktig for oss å styrke tilskuddene til å redusere bompengebelastningen. Derfor har det vært viktig for oss å få på plass et fradrag for høye bompengeutgifter, nettopp for å at er det noe vi har fått positive tilbakemeldinger på etter at denne plattformen ble kjent, er det nettopp de tiltakene vi nå skal gjennomføre i samferdselssektoren, fordi vi anerkjenner at bilen er et viktig fremkomstmiddel for folk flest i dette landet.

Den økonomiske uansvarligheten denne regjeringen har ført, har møtt unison motbør fra opposisjonen. Dette må være den første regjeringen i historien som har opplevd at en samlet opposisjon foreslår å bruke mindre penger. Uansvarligheten er så stor at man i regjeringserklæringen nå foreslår å ta såkalte uforutsette utgifter Samtidig ser vi at regjeringen spar milliarder fra fellesskapet over i private lommer, mens velferdsstaten årlig utsettes for kutt gjennom regjeringens sparereform. Og man bruker altså av framtidige generasjoners sparepenger. Mitt spørsmål er: Vil regjeringen finne flere kreative måter å omgå handlingsregelen på? Og mener finansministeren at vi egentlig har råd til denne regjeringen? Det er mulig representanten Kaski mener at regjeringen fører en uansvarlig økonomisk politikk, men det er det veldig få andre ute i samfunnet vårt som opplever. Vi opplever en situasjon hvor vi har snudd nedgangstider til oppgangstider. Flere mennesker kommer i jobb. Det er riktig at regjeringen har redusert skatte- og avgiftstrykket, både for den enkelte og for bedriftene, men det fører jo til at vi får flere bedrifter. Det fører til at flere mennesker kommer i jobb. Summen av det er at flere blir skattebetalere fremfor å leve på andre skattebetalere. Det mener jeg er god økonomisk politikk. Og det går altså bra i Norge. Så at dette er uansvarlig, er jeg rett og slett helt uenig i. Regjeringen skal selvfølgelig følge opp alle punktene i plattformen på en god måte. Vi skal utrede en lang rekke tiltak, og så skal vi komme tilbake til det i statsbudsjettet. Men jeg kan forsikre representanten Kaski om at vi skal fortsette å føre en ansvarlig økonomisk politikk hvor vi trygger inntektene til bedriftene våre og vanlige folk gjennom å fortsette å redusere

råd. Blant dem finner vi de folkene som mottar statlig bostøtte. De lever ikke i sus og dus, sånn som Fremskrittspartiets og Høyres sponsorer gjør. De har dårlig råd og tåler dårlig en vinter med høye strømregninger. For ni år siden foreslo den borgerlige opposisjonen det Rødt foreslår i dag. Det gikk Stortinget enstemmig inn for året etter. Det ga 120 000 husstander et kjærkomment bidrag på for å dekke de ekstraordinært store strømregningene. Mitt spørsmål er følgende: Støtter Siv Jensen Rødts forslag, som vil bidra til at noen av landets aller fattigste kan få råd til å holde leiligheten varm gjennom vinteren? Jeg kan forsikre representanten Moxnes om at det er mange ting vi kan gjøre fra både regjeringens og evnen til å betale regningene for husholdningene rundt omkring i dette landet, og det gjør denne regjeringen. Det er derfor vi har gjennomført reduksjoner i skatter og avgifter på til sammen 25 mrd. kr. Det er feil når opposisjonen hevder at det er kommet de aller rikeste til gode. Det som er riktig, er at en betydelig del av dette har kommet folk med lave og midlere inntekter til gode, og det er en utvikling denne regjeringen kommer til å fortsette med. Summen av at man får beholde mer av sin egen inntekt til å betjene løpende utgifter. Det er også viktig, i diskusjonen om strømpriser, at vi sørger for å ha et godt forsyningssystem i Norge, at vi sikrer at vi til enhver tid har nok kraft tilgjengelig, og at vi har muligheten til å importere kraft i perioder da vi ikke produserer nok kraft selv. Replikkordskiftet er avslutta. Denne regjeringa vil verta hugsa for to ting: for det fyrste at ho er bygd på viljen til

Ho viste det då ho ville innføra reservasjonsrett for legar mot abort. Ho viste det òg då ho ikkje avviste ideen om obligatorisk tenkjetid før abort med éin gong, men faktisk trengte tenkjetid for å gjera det. Ho viste det igjen då ho la abortloven paragraf 2 tredje ledd c på bordet og sa at denne paragrafen kunne ho godt forhandla om. Og så ser vi det igjen no, at abortloven – for fyrste gong sidan han vart innført på

så vel dei ein politikk som set fart på det. For samtidig som dei rikaste får store skattekutt, innfører høgreregjeringa nye skattar til heilt vanlege folk – på diettpengar, pendlarfrådrag, sluttvederlag – slik at dei mange, heilt vanlege lønsmottakarane får mindre i løn og meir i skatt. Norske sjøfolk er eit godt eksempel. Dei har i tariffavtalane sine at dei skal få eit lite tillegg for å få dekt kost når dei er i land, og dette hyretillegget har pleidd å vera skattefritt. Men så fjerna høgreregjeringa fritaket, og for den jamne sjømannen betydde det 700 kr mindre i månaden. Dette er ikkje småpengar, dette er kvardagsliv. Det å vera med i ei fagforeining har vorte dyrare, og det å ha ungar i ein barnehage har òg vorte dyrare. I det det å ha ungar i ein barnehage har òg vorte dyrare. I det siste eksempelet er forskjellen større enn prisveksten, så med andre ord er dette ein villa politikk. Arbeidarpartiet er dønn klare: Forskjellane må verta mindre, moglegheitene må verta større, folk må oppleva at landet vårt er rettferdig, at det ikkje er flaks med omsyn til kven som er foreldra dine, som avgjer, eller flaks med omsyn til om arbeidsgjevaren din er grei eller ikkje, som avgjer, men at du opplever at du kan forma livet ditt sånn som du vil. Sjølv om høgreregjeringa ville ha makt, ser det ikkje ut som dei heilt veit kva dei vil med den makta. Det meste som står i denne erklæringa, det stod òg i den førre, og i den førre – og i den førre. Arbeidarpartiet vil satsa meir på fellesskap og mindre på privatisering. Me vil satsa meir på velferd og mindre på skattekutt til dei rikaste, meir på ordna arbeidsforhold og mindre på å senda helsingar til det uorganiserte arbeidslivet, slik regjeringa gjer. Og me kjem aldri til å forhandla vekk

historien om henne som hadde en trygg jobb, men som allikevel valgte å si opp, ta sparepengene sine og kanskje låne litt oppå det for å starte den bedriften hun alltid har drømt om å starte, men ikke våget før nå. Eller om ham som har den gode ideen, og som endelig har funnet noen som er villig til å satse på den. Ideen kan etter hvert bli til lønnsomme arbeidsplasser og et produkt eller en løsning som gjør hverdagen enklere for folk over hele verden. Eller om henne som ble permittert da oljeprisen stupte, men som nylig fikk den etterlengtede telefonen fra arbeidsgiveren sin om at de trengte henne tilbake så raskt som mulig. Disse små – og store – beslutningene som former landet vårt, tas ikke i et vakuum. De beslutningene vi tar i denne salen, påvirker de beslutningene som tas der ute. Norge er et land som har fått til fantastiske ting. Vi har temmet vannkraften, som la grunnlaget for store industrieventyr som Elkem og Hydro. Vi hadde kanskje flaks da vi oppdaget olje og gass på norsk sokkel, men det å hente opp denne oljen og gassen og omgjøre den til verdier som vi så forvalter ansvarlig og langsiktig, handler ikke om flaks. Det er Norge på sitt beste. Vi er i front når det gjelder helseteknologi, oppdrettsnæringen er teknologisk og miljøvennlig, og vi er i front når det gjelder bærekraft. Dette skjer i et land hvor folket alltid har visst at man må så for å kunne høste, at hardt arbeid alltid skal lønne seg, og at vi må skape verdier før vi kan fordele dem. Dette er også grunnpilaren i regjeringens politikk. Vi skal ikke bare høste og forbruke nå; vi skal så for fremtiden. Også fremtidige generasjoner skal leve i et fritt, trygt og bærekraftig velferdssamfunn. Derfor er de beslutningene vi tar nå, viktige for landet vi overlater til kommende generasjoner. Når regjeringen investerer i å bygge ut vei og bane, handler det om å bygge landet vårt sammen og ruste oss for en ny tid og om at det fortsatt skal være mulig å skape arbeidsplasser og verdier i hele landet. Når vi investerer i en skole som lærer elevene grunnleggende ferdigheter tidlig, og som sørger for at flere fullfører og består, handler det i bunn og grunn om at de som i dag er unge, får muligheten til å nå så langt de vil, og skape et trygt land – og liv – for seg og sine. Når vi sørger for at vi har et skattenivå som er konkurransedyktig, handler det i bunn og grunn om at noen av de pengene vi tidligere tok inn til staten, nå får bli igjen i den enkelte bedrift eller i den enkelte familie, fordi det også er velferd. Og når vi har en regjering som ikke ønsker å detaljstyre familier og enkeltmennesker, men gi hver enkelt større frihet til å velge for seg og sine, handler det om at politikken er til for enkeltmenneskene og skal legge til rette for at forskjellige mennesker får leve ulike liv.

Slik knekker man ryggraden på velferdssamfunnet vårt. Ved å foreta en knipetangmanøver på inntektssiden vil man raskt merke at kuttene kommer – i skolen, i helse, i eldreomsorgen – og i tillegg vil vi måtte øke skattene slik at færre av dem som før våget å satse, gjør det, og slik at det lønner seg dårligere å jobbe. Dette er rett og slett et brudd med den norske modellen. Det er noe unorsk over slike forslag, for i Norge vet vi at vi må skape, at vi lever av hverandres arbeid, og at det å bidra er en verdi for folk, ikke bare for bunnlinjen på statsbudsjettet. Et folk som frivillig bosetter seg så langt nord som vi har gjort, er ikke redde for utfordringer. Vi hadde ikke overlevd ved å stikke kjepper i hjulene for hverandre eller ved å se på arbeid som et onde. Vi har skapt verdens beste velferdssamfunn. Det har ikke kommet av seg selv, og det er ingen naturlov I årene frem mot 2021 vil vi få mange viktige debatter om veien videre for Norge, og en av de viktigste handler om hvordan vi skal bevare Norge på sitt beste og bygge videre på den norske modellen. Denne regjeringen skaper og fordeler, mens opposisjonen spriker og

Satsingen på å bygge ut landets infrastruktur har i nyere tid aldri vært større enn med Fremskrittspartiet i Samferdselsdepartementet. Granavolden-plattformen slår fast at ambisjonen i Nasjonal transportplan om at over 1 000 mrd. kr skal brukes på samferdsel, ligger fast. Det å satse på både vei og bane gir valgfrihet i de områdene av landet der man har mulighet til å velge. Det er viktig for Fremskrittspartiet. Jeg er glad for at det er et flertall blant partiene som ikke rokker ved at det er viktig å satse på infrastruktur. Det er viktig å bygge landet sammen – der distrikter og byer kan møtes og knyttes bedre sammen. Det er viktig for verdiskapingen i distriktene, der verdiene skapes, og det er viktig for å trygge hverdagsreisene for hver enkelt av oss som ferdes langs veien. For trygghet er viktig, og det beste vi kan gjøre, er å bygge flere moderne, trygge og møtefrie veier. Det er det som får ulykkesstatistikken ned. Vi har et mål å nå – en nullvisjon – og det står vi sammen om. Etter forhandlingene på Granavolden har man nå en god plattform, med en rekke gode Fremskrittsparti-gjennomslag, noe som gjør meg stolt, fordi det er et avklart flertall. Det skal samferdselspolitikken i plattformen ha en ikke ubetydelig del av æren for. Infrastrukturfondet, som i forrige stortingsperiode skulle bygges opp til 100 mrd. kr, skal nå opp til 200 mrd. kr i løpet av to og et halvt år. Det gjør meg glad. I tillegg har vi Nye Veier, som var Fremskrittspartiets hjertebarn.

bygge rimeligere, bedre, tryggere og raskere. Det fortjener landets befolkning. Det er nok mange viktige og mindre viktige ting i en plattform. Men når det står at fartsgrensen skal gjennomgås, og at man skal se på fartsgrensen på 120 km/t, handler det om å bygge moderne veier, hvor det skal være riktig fart på riktig vei. Det handler om å gi samfunnsøkonomisk nytte, der trafikksikkerheten selvfølgelig skal ivaretas. Det er kanskje ikke den største saken at man nå fjerner en regel, slik at man kan kjøpe en 20 år gammel eller eldre bil avgiftsfritt når engangsavgiften fjernes. Mange latterliggjør det. Men Norge er et av landene i verden som har høyest andel veteranbilentusiaster. Det er kultur for mange. Bil benyttes i over 80 pst. av hverdagsreisene i Norge. Det betyr at bil er viktig. Fremskrittspartiet er ikke for forbud og påbud, men mener at vi kan gjøre hverdagen enklere for folk. I en sånn debatt blir det alltid en bompengedebatt. Representanten Slagsvold Vedum sto på talerstolen og snakket om 13 mrd. kr i bompengeutgifter. Det er ikke statens skyld alene. Staten ligger på omtrent 10,5 mrd. kr pluss minus, det samme som under den rød-grønne regjeringen. Men når samferdselsbudsjettet har økt med 75 pst. siden 2013, er det fordi all økning kommer via statlige midler.

plattformen. Man gir et fradrag for høye bompengeutgifter. I tillegg styrker man tilskuddsordningen på 500 mill. kr opp til 1 000 mill. kr for å redusere bompengeandelen. Hadde det vært opp til de rød-grønne, er jeg redd for at det hadde vært langt høyere utgifter – som man plutselig er bekymret for. De har ikke kommet med ett eneste forslag til Stortinget om hvordan man kan redusere bompenger, men man etterlyser bestandig Fremskrittspartiet. Jeg har sagt det mange ganger, og jeg sier det igjen: Jeg hilser dem velkommen. Bli med og gjør hverdagen enklere for folk flest, og stem sammen med denne regjeringen, som faktisk har en visjon for landet og vil trygge landet med ny, moderne moderne infrastruktur. Regjeringserklæringa varslar ein passiv næringspolitikk som vil bidra til sentralisering også av verdiskapinga i Noreg. Senterpartiet ønskjer seg ein aktiv politikk for å sikra norske arbeidsplassar i Noreg. Mange i Noreg opplever at arbeidsplassen deira er trua av billegare utanlandsk arbeidskraft. Det gjeld sjåførar, pilotar, handverkarar, sjøfolk og mange andre bransjar. Regjeringsplattforma gjev få eller ingen svar på denne utfordringa. Billeg miljøvenleg straum har tradisjonelt vore eit konkurransefortrinn for bedrifter i Noreg. Regjeringa har svart på dette med å auka elavgifta, og prosessen med nye eksportkablar går sin gang. Senterpartiet føreslår i dag å stoppa arbeidet med nye eksportkablar. Det er også høgst usikkert kor mange nye bedrifter med statleg eigarskap som skal seljast dei neste åra. Senterpartiet trur på eit aktivt statleg eigarskap som eit viktig bidrag for å sikra norsk kontroll med viktige norske bedrifter. Telenor står alt på salslista. Me veit ikkje om det er Kongsberg Gruppen, Equinor, Flytoget eller kva for andre bedrifter ein har tenkt å setja på salslista. Oslo Børs markerer 200-årsjubileum. No er det sånn at utanlandske konsern har bodkamp om Oslo Børs. Regjeringa løftar ikkje ein finger i saka. Talen som statsministeren las opp for Stortinget i går, var lang og inneheldt mange punkt om stort og smått. Men talen inneheldt ikkje eitt ord om kysten, om fisk eller havbruk. Senterpartiet fryktar at dette er eit uttrykk for manglande engasjement for viktige næringar langs kysten. Regjeringsplattforma peikar også på auka statleg skattlegging av naturressursar. Me veit at det ligg føre og er i gang utgreiingar om å innføra grunnrenteskatt for både fiskeri og havbruk. Bedriftene langs kysten hadde fortent ei avklaring på dette spørsmålet. Kristeleg Folkeparti har fått landbruksministeren. Kristeleg Folkeparti er sjølve veldig godt fornøgde med det dei har oppnådd på jordbruksområdet. Men det er ingen nye offensive grep i regjeringsplattforma for å utvikla norsk matproduksjon. Alt som står i regjeringsplattforma om jordbruk, er tidlegare vedteke av Stortinget. Realiteten er at Kristeleg Folkeparti, ved å velja side,

Og med den erstatningsordninga som Kristeleg Folkeparti har gått med på, er det akkurat det dei vil verta. Det unge paret, Erik og Beate på Varhaug, må betala prisen for at Olaug Bollestad skal få lov å vera landbruksminister. Den dagen Bollestad må gje tilbake nøkkelkortet sitt og den svarte regjeringsbilen, vil Erik og Beate framleis slita med gjelda dei har pådratt seg, som eit resultat av

Utslepp vert vurderte likt anten det kjem frå ku eller kol. Jordbruket forhandlar med regjeringa om ein klimaavtale. I statsbudsjettet for 2019 slo eit breitt fleirtal på Stortinget fast at det ikkje er aktuelt å innføra avgift på biologiske prosessar. Eg reknar med at regjeringa kan avklara at det framleis ligg fast. Men då er jo spørsmålet: Dersom denne avtalen ikkje vert god nok, kva for nye avgifter er det regjeringa

Hareide er sakna, og eg vil minne om at det i alle fall bør gå minst 24 timar før ein sender ut ei etterlysing. Noreg er eit svært godt land å bu i for dei aller, aller fleste. Målt ut frå forventa levealder, levestandard og utdanningsnivå er Noreg klodens beste land å bu i. Dei fleste har eit trygt økonomisk tilvære. Oljerikdomen har gitt oss moglegheiter til å byggje eit velferdstilbod som er unikt i verdssamanheng, og auka levestandard har gitt folk forbetra livskvalitet. Regjeringsplattforma gir eit veldig godt utgangspunkt for å utvikle dette vidare. Det er særleg viktig at me jobbar med å bringe alle inn i samfunnet vårt. Eg hadde gleda av å ha Pablo på besøk. Han var med i tv-serien Søsken på TV 2. Her møter me Pablo i rullestol mens han leiker med søstera si, Elina. Det er da reporteren stiller spørsmålet til veslesøstera: «Korleis er det å ha ein storebror som sit i rullestol?» Før ho får svart, tar Pablo ordet og seier: «Viss de lurer på korleis det er å ha ei veslesøster som kan gå, kan eg seie at det kan vere ganske morosamt og litt irriterande.» Pablo har fått med seg at eg har brukt dette sitatet fleire gonger. Han har derfor sendt meg eit nytt sitat til denne regjeringserklæringsdebatten. Han seier: «Viss du lurer på korleis det er å ha eit samfunn som ikkje er for alle, er det ikkje morosamt, og veldig irriterande.» Derfor har det vore ei viktig sak for å få likeverdsreforma vår på plass, og den ligg trygt på plass i regjeringsplattforma. Det handlar om koordinator for familiar, det handlar om å gjere BPA til eit likestillingsverktøy, det handlar om VTA-plassar, det handlar om ein heilskap. Me ønskjer eit samfunn med plass til alle, som anerkjenner verdien av mangfald, som respekterer alle menneske sitt absolutte likeverd, sjølv om me er forskjellige både utanpå og inni.

at fritidsaktivitetar er ein av stadene der me ser vårt nye klasseskilje. Derfor har det vore viktig for Kristeleg Folkeparti å få ei satsing for barn mellom 0 og 18 år. Ved framlegginga av regjeringserklæringa har abort vore eit tema som har vore heftig debattert. Det er eit tema som eg synest fortener ein respektfull debatt. Og me bør ha ein debatt om vanskelege etiske spørsmål. Mi oppleving her er at så å seie alle har overdrive debatten. Det er ein vesensforskjell mellom å gjere endringar når det gjeld fosterreduksjon, og eventuelle endringar i Fagmiljøet ved St. Olavs hospital, som gjennomfører inngrepa, har sjølv gått inn for å endre reglane fordi inngrepet ikkje blir utført før etter tolvte veke. Eg trur denne endringa vil stå seg. Sjølv om eg har respekt for at Venstre vil stå for sin politikk òg fram mot valet i 2021, trur eg at denne endringa kjem til å stå seg, fordi me no får ein praksis som er på linje med den dei har i nabolanda våre. Det norske velferdssamfunnet har sitt utspring i menneske som såg sjukdom, liding og fattigdom og på eiga hand tok ansvar for fellesskapet. Dette skjedde gjennom ideelle og religiøse aktørar. Derfor er det viktig, det som blir slått fast om ideelle aktørar, at ein no skal ha auka bruk av ideell verksemd. I helse- og omsorgssektoren skal delen med ideell verksemd aukast. Ein skal bruke handlingsrommet for å sikre ideelle aktørar, og ein skal sikre langsiktige avtalar. Dette er ein del av arven vår – ein arv som me må ta vare

Men vi er også et land som klarer å ha politikere som er villige til å samarbeide, strekke seg og gjøre vanskelige ting fordi man ønsker alt det beste for folket sitt. Det ser vi en tid der budsjettkrisen i USA fører til at folk mister lønna si, der brexit er låst i politiske kriger i det britiske parlamentet, og der sjøl et stabilt naboland som Sverige bruker mange måneder på å lage en regjering. I bunn og grunn syns jeg det er bra når fire partier på ca. 14 dager klarer å bli enige om en arbeidsplan fram til neste valg. Det borger for stabilitet, og det borger for at det er bra for landet. Vi vet at vi trenger å utvikle velferdsstaten vår videre for at den skal være bærekraftig. Da må vi ikke være unnvikende overfor reformer og nye endringer. Vi vet at vi trenger velfungerende markeder som klarer å utvikle nye arbeidsplasser som er i takt med de klimautfordringene vi står overfor. Da FNs klimarapport forklarte oss følgene hvis vi ikke når 1,5-gradersmålet, var det klart for oss i Venstre at etter Jeløya trenger vi å styrke klimasatsingen i regjeringsplattformen. Og vi vi lyktes. Egentlig hadde vi ikke forventet at opposisjonen her i dag skulle uttrykke begeistring over plattformen, heller ikke på klimafeltet, men hva har vært kritikken mot regjeringas klimapolitikk fram til nå? Jo, det er at klimamålene må økes, at vi må ha forpliktende mål for nasjonale utslipp, at vi må støtte en skjerping av EUs klimamål, og at vi må gjøre det dyrere å forurense.

Sjølsagt er det viktig for Norge at vi gjennomfører den globale klimadugnaden, men det er også viktig fordi vi har store muligheter for å skape nye arbeidsplasser. Vi skal gå de store skrittene som en gang var fra seil til damp, og det gjør vi ved å lage utslippsfrie ferjer, satse på grønn skipsfart Vi sørger for at offentlige innkjøp blir grønne, vi satser på forskning og utdanning, vi gjennomfører en systematisk jobbing for å få innfaset de elbilene, få til karbonfangst og -lagring, satse på sirkulær økonomi, få til mer klimavennlig matproduksjon – kort sagt: Vi gjør jobben i dag for å gjøre Norge grønnere, renere og mer framtidsrettet, og Granavolden-plattformen er et godt grunnlag for å styrke dette arbeidet framover. Men vi skal også sørge for at velferdsstaten vår blir sosialt bærekraftig, med små forskjeller, og vi skal redusere fattigdom. Det er derfor vi satser på en skole der alle unger skal ha muligheten til å lykkes. Det er derfor over 40 000 unger nå får tilbud om gratis barnehage, slik at de skal Vi sørger for at hver enkelt unge har muligheten til å finne sitt potensial for å kunne lykkes i samfunnet. Før var læreryrket et yrke som få søkte til og mange flyktet fra. Nå har vi gjenreist respekten for læreryrket. Vi gjenreiser respekten for kunnskap og dannelse i samfunnet. Det vet vi gagner ungene våre, og det gagner samfunnet vårt. Venstre er godt fornøyd med Granavolden-plattformen. Det er i det store og hele også en sosialliberal plattform, en plattform som gir svar på hvordan vi skal bidra til å løse de store utfordringene vi står overfor. Jeg ser fram til samarbeid med Stortinget og til gode debatter i denne sal. Det vert replikkordskifte. Den nye likestillingsministeren snakket ikke om likestilling i innlegget sitt. Det kan jeg for så vidt godt forstå, for den utvidede høyreregjeringen fortsetter å sette likestillingen i revers. Det nye denne regjeringen har å by på, er en svekkelse av kvinners rettigheter til å bestemme over egen kropp et nei til at kvinner skal få økt kunnskap om livet i magen gjennom nei til tidlig ultralyd og NIPT-testen. Dette er nytt, og det er dette Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har gjort for fortsatt å sikre seg makt – de har begrenset norske kvinners frihet i sitt eget liv, og med det satt likestillingen ytterligere i revers. Hva synes statsråden om at det er på dette grunnlaget, svekket likestilling, synes statsråden om at det er på dette grunnlaget, svekket likestilling, at hun har fått muligheten til å bli nettopp likestillingsminister? Jeg må påpeke de feilene som kom i spørsmålstillingen, der man f.eks. påstår at vi sier nei til tidlig ultralyd. Det vi gjør, er at vi ikke pålegger folk å ta tidlig ultralyd, men de som ønsker det og velger det, står fritt til å velge det med denne plattformen. Det arbeidet som jeg kommer til å jobbe videre med, er alt det positive vi har klart å få til de siste årene. Vi ser at deltida går ned, ufrivillig deltid går ned. Vi ser at det er flere mødre med barn som jobber. Vi ser at det er flere kvinnelige ledere. Vi har en økning av kvinnelig ledelse også i offentlig sektor. Vi har flere styreledere innen statlig sektor som er kvinner. Vi ser at 91 pst. av alle barn nå går i barnehage. Er det noe vi virkelig vet, så er det at hvis det er noe som frigjør kvinner, er det å ha mulighet for styring over sin egen økonomi, komme seg ut i jobb, få mulighet til å tjene sine egne penger. Dette har vært en viktig frihetskamp i 100 år i denne salen, men det er fortsatt like aktuelt for veldig mange kvinner i det norske samfunnet.

å jobbe. At likestillingsministeren er opptatt av disse utfordringene, tar jeg som en selvfølge, men det er bare underlig at hun da sitter på en plattform som ikke er villig til å gjøre noe med det. Tilbake til spørsmålet mitt, som statsråden ikke svarte på, og som jeg vil stille på en annen måte: Hva ville statsråden sagt dersom hun det i et annet land hadde kommet en likestillingsminister som hadde gått på med en plattform som svekket kvinners rettigheter, som innskrenket abortrettighetene, og som gjorde det slik at ikke alle har muligheten til å få kunnskap om livet i magen, fordi alle reelt sett ikke har mulighet til å få tidlig ultralyd? Bruken av kontantstøtte går ned. Jeg antar det var det som det ble vist til her i spørsmålsstillingen, da man sa at man betaler folk for å være hjemme. Bruken av barnehage går opp. Deltid går ned. Alle de indikatorene representanten Trettebergstuen viste til, er det nå en riktig utvikling for, men det må pushes, det må jobbes videre, og det må utvikles politikk som er en drivkraft på akkurat det området. Vi har fått en tredeling av foreldrepermisjonen. Det kommer til å være et kjempeviktig grep også framover. På det er jeg helt enig i – men det er ingen andre land som har hatt den åpningen som har ligget i det norske regelverket. Vi har sagt at vi bør sørge for at vi har nok kunnskap om dette og nok kunnskap til å utvikle dette framover også. Venstre var ikke for den endringen, men vi har flyttet en avgjørelse over til en nemnd. Den store endringen ville vært å gjøre noe med § 2 c – det var ikke Venstre villig til å være med på.

Synes statsråden at det er en riktig linje at regjeringen ønsker å hjelpe heterofile par der mannen har problemer med å få barn, men ikke heterofile par der kvinnen er den som har problemer, eller skeive familier, eller enslige som ønsker å få barn?

politikken. Senterpartiet bygger på at vekst ikke er å forbruke mer, men å forvalte bedre. All kultur er dyrking, først og fremst av jord. Dette må være kjernen i en god, framtidsrettet klimapolitikk: lavere forbruk materielt og satsing på primærnæringene, som produserer grønt karbon. Framtidas klimapolitikk bygger på at energibehovet må dekkes ved å ta energien rett fra sola gjennom havvind og solceller og gjennom jordvarme og vannkraft. vannkraft. Karbon som materiale må i langt større grad komme fra fornybart karbon, altså torsk, timotei og gran – dette til erstatning for fossilt karbon: olje, gass og kull. Spørsmålet er: Er Venstres leder og statsråd, Skei Grande, enig i at dette krever nye og bedre rammebetingelser som gir bedre lønnsomhet ved produksjon og foredling av f.eks. tømmer, og vil den borgerlige regjeringa gjennomføre dette? Jeg er helt enig i at det karbonet som vokser opp av jorda vår, må vi bruke videre til omstilling av Norge. Det er derfor vi har en sånn massiv og stor satsing på biodrivstoff. Det gir mange muligheter for Norge. Det gir muligheter også for norsk skogbruk. Det gir mange muligheter til å skape arbeidsplasser, og det gir mange muligheter til å kutte utslipp. Derfor gjør vi det som de rød-grønne skulle ha gjort, men som de torpederte, nemlig å utvikle industrien. Nå ser vi at det satses i norsk industri innenfor dette feltet. Men jeg syns også det er viktig å understreke at vi må sørge for at i et klimavennlig samfunn prissetter vi utslipp på en sånn måte at vi får til de omstillingene vi trenger. trenger. Jeg tror på økonomisk vekst, men økonomisk vekst må være innenfor naturens rammer. Da må naturens ressurser prissettes riktig. Det er dette det legges grunnlag for i denne regjeringserklæringen. Jeg er glad for at statsråden på vegne av den borgerlige regjeringa sa at en skulle ha bedre lønnsomhet ved produksjon og foredling av tømmer. Det er Når statsråden videre sier at regjeringa satser massivt på biodrivstoff, er jo ikke det korrekt. Den eneste fabrikken som produserer biodrivstoff i Norge, er Borregaard, og de har produsert det i omtrent samme mengde hele tida. Regjeringa sier i sin plattform: «Føre en næringspolitikk som også kommer norsk treforedlingsindustri til gode.» Det er altså næringsnøytralitet som står her. I statsrådens eget hjemfylke, Nord-Trøndelag, har vi Norske Skog Skogn, en fabrikk som i de siste årene har hatt en høyere energipris enn det en har i Golbey i Frankrike. Hva er det regjeringa vil gjøre konkret for å bedre lønnsomheten i den omstillingen som eksempelvis Skogn står overfor, en avispapirfabrikk som har et fallende marked på 5–7 pst. per år? Jeg skal ikke bevege meg for langt ut på de andre statsrådenes ansvarsområder når jeg står her – og jeg merker meg at Lundteigen mener at mitt hjemfylke er Trøndelag, mens Marit Arnstad mener at … … tidligere … … jeg ikke er trønder. Så et eller annet sted imellom tror jeg nok kanskje at jeg finnes, da. Det som er viktig for Venstre, er at skal en klare å utvikle produksjon av miljøvennlige løsninger, må en også klare å lage markeder for det. Når vi f.eks. har endret hele avgiftssystemet knyttet til biler, lager

som er den konkrete utfordringen, er at norsk treforedlingsindustri er i krise. Stadig større deler av norsk tømmer blir eksportert som råstoff til utlandet istedenfor å ha den store foredlingsgevinsten i Norge. Markedet er der, men for å delta i det markedet må en omstille industrien. Det krever investeringskostnader. Regjeringa sier at en skal fortsette med næringsnøytralitet, men en skal ikke ha noen ekstra satsing på treforedlingsindustrien. Dette er spørsmålet mitt: Hva vil regjeringa gjøre for å bidra til omstilling av eksempelvis den store fabrikken i Skogn, som bruker over 1 mill. m 3 tømmer? Jeg tror ikke en finner ordet men det er soleklart at hvis en ønsker seg en stat som skal gå inn og investere stort i enkelte industriprosjekter, tilhører nok det en litt annen tid. Men jeg foreslår at dette er en spørsmålsstilling som næringsministeren får følge opp videre framover.

Men statsråd Skei Grande har selv uttalt at hun og Venstre oppriktig hadde ønsket å ta over likestillingspolitikken, og at det var grunnen. Da får vi ta statsråden på ordet – i alle fall her i salen. Da vil jeg spørre om det å flytte likestillingspolitikken fra familiepolitikken og over til kultur, som Venstre har ønsket å gjøre: Har statsråden noen gode faglige grunner for å gjøre akkurat det?

For tankegangen i kulturmeldinga handler om at kultur er en arena for demokratibygging, for myndiggjøring av mennesker, for å skape viktige fellesskap som er med og danner det demokratiet som vi faktisk er i. For meg handler likestillingspolitikk – om det så gjelder skeives rettigheter, likestilling mellom kjønnene eller folk med nedsatt

En annen grunn til at denne regjeringen og den nye likestillingsministeren ikke fikk en så heldig start, er jo at statsråd Skei Grande må være den første likestillingsministeren på 40 år som må forsvare en innskrenkning i kvinners rett til selvbestemt abort – dette på tross av at Venstres landsstyremøte før forhandlingene vedtok et krav om å «sikre kvinners rett til selvbestemt abort, og ikke gå med på noen endringer i dagens abortlov som medfører innskrenking i kvinners rettigheter.» Da kan vi altså registrere at statsråd Skei Grande mener at innskrenkningen som likevel ble resultatet, bare er en toårig pause, at dette skal reverseres ved neste valg. Da vil jeg spørre statsråden om det er et ultimatum. Er det sånn at Venstre ikke kan gå inn i nye regjeringer som opprettholder denne

Det tror jeg også SV kommer til å gjøre ved neste korsvei. I Norge har vi faktisk ikke noe tradisjon for enighet mellom regjeringskandidatpartier før vi går til valg, eller å gå til valg på den type plattformer; vi går til valg på våre stortingsvalgprogram. Nå er Venstre i akkurat den samme posisjonen som SV var i da de satt i regjering, og da antar jeg at det også er forståelse for at man kan gå til valg på de stortingsvalgprogram som et landsmøte bestemmer. Så det er det Venstres landsmøte som bestemmer. Replikkordskiftet er avslutta. Den nye regjeringsplattforma inneheld mange punkt og gode mål for justissektoren. Erklæringa frå i går og gode mål for justissektoren. Erklæringa frå i går inneheldt skuffande lite om dei utfordringane me ser i justissektoren – om tryggleik, om rettssikkerheit og om samfunnssikkerheit. Dette meiner eg speglar av litt av det som fører til at justispolitikken ofte kjem ganske langt bak i høgreregjeringa si prioritering. For eit tillitssamfunn med sterke fellesskap er det å vere trygg heilt sentralt: at folk opplever reell tryggleik i kvardagen, at dei får hjelp når dei treng det, og god rettssikkerheit. Skal det bli ein realitet, må høgreregjeringa snart vise at dei vil prioritere det når ambisjonane skal setjast ut i livet og betalast for. Det siste året har mediebildet fløymd over av overskrifter og saker om offer for alvorleg kriminalitet som får livet sitt sett på vent i fleire år, og om offer og pårørande som står i det me meiner er uverdige køar, fordi kapasiteten hos politiet og domstolane er sprengd. Mange fekk med seg ei sak i TV 2 for nokre veker sidan om ei sju år gamal jente som hadde vore utsett for ei valdtekt. To år etter den hendinga står saka framleis i stampe. Det er ei av mange saker. Mor til jenta sa at ho opplevde dette som ei ny form for overgrep og var i ferd med å miste all tillit til rettssystemet. Det er alvorleg, og det trugar den grunnleggjande tilliten til både politiet og rettsvesenet. Bistandsadvokatar slår alarm. Politimeistrar stadfestar ein kritisk ressurssituasjon i distrikta. Me ser at det blir gjeve strafferabatt til tungt kriminelle, for det tek for lang tid å kome til ein rettssal. Domstolane våre, ved leiaren for Domstoladministrasjonen, uttalar at rettssikkerheita er truga, og at sjølvstendet til domstolane faktisk er truga. Alt heng saman med alt, og prioriteringane til ei regjering får betyding. Samtidig som drifta av justissektoren gjer at folk som er utsette for kriminalitet, opplever å stå i desse uverdige køane, fortset høgreregjeringa med si form for velferdspolitikk for dei som har mest i dette landet. Det er altså slik at dei 1 000 rikaste i landet har fått 1,3 mill. kr kvar i skattekutt av denne høgreregjeringa. Det er pengar me meiner burde ha vore bruka på ein heilt annan måte. I staden vil Arbeidarpartiet bruke pengane til fellesskapet på fellesskapet, f.eks. gjennom å styrkje rettssikkerheita til folk og tiltak for å minske forskjellane i landet. Situasjonsbeskrivinga av justissektoren er ikkje synsing frå opposisjonen på Stortinget. Nyleg kunne me lese ein nedslåande rapport laga av professorar ved Politihøgskulen og observasjonar, samtalar og spørjeundersøkingar av 4 500 polititilsette for å finne ut av konsekvensane av nærpolitireforma til no. Parat kunne for kort tid sidan vise til ein rapport om kva konsekvensar det har fått for domstolar og rettssystem med dei ostehøvelkutta regjeringa gjer gjennom ABE-reforma. Det òg var nedslåande lesing. Likevel ser høgreregjeringa ut til å vere strålande fornøgd med

Skal me ta ambisjonane i plattforma på alvor, vil det krevje heilt andre budsjett enn det me har sett til no. Då skal me hugse at sjølv om denne regjeringa no er ny og utvida, er det ikkje noko nytt at desse fire partia samarbeider om budsjett. Viss ein ikkje ser ei endring i

om ambisjonane i Granavolden-plattforma blir sette ut i livet

uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.» Det er ganske krevende hvis vi tenker etter, for vi har blitt veldig godt vant. Vi går oss iblant vill mellom behov og hva vi er blitt vant til. Det er ikke alt vi i dag forventer å få, som nødvendigvis faller i kategorien «behov». Dette kommer til å bli en stadig større utfordring, fordi forventningene fortsetter å være skyhøye og forveksles oftere og oftere med nettopp behov. Bærekraft: Vi snakker om sosial bærekraft. Vi må streve mot at ingen faller utenfor. Norge er et land med høy tillit og små forskjeller. Dette er del av den sosiale bærekraften som vi vil være avhengig av fremover også. Vi snakker også om grønn bærekraft. Et bærekraftig samfunn er ikke bare inkluderende, det er også Den grønne ledertrøyen i Tour de France brukes av den som leder poengkonkurransen. I klimapolitikken har Norge tatt på seg den grønne ledertrøyen og leder an i Tour de Klima. Vi tar både globalt og lokalt ansvar. Utslippene har gått ned de siste årene. De skal videre nedover, og vi skal sikre grønn bærekraft. Sist, men absolutt ikke minst: Vi snakker om økonomisk bærekraft. Man skal kanskje vokte seg for å gradere viktigheten av de tre ulike bærekraftområdene, men det er iallfall helt sikkert at uten økonomisk bærekraft er det ikke noe velferdssamfunn. Bærekraftig velferd må ses som nettopp de to adskilte ordene det er: velferden, altså de offentlige ytelser, tjenester og bevilgninger, og bærekraften som kommer fra den private skaperkraften, og verdiene som skapes av de utallige store jobbskaperne. Jobbskaperne trenger konkurransedyktig skattenivå og konkurransedyktige rammevilkår, og rammevilkår er mye mer enn skattenivå. Virkemiddelapparatet og lovgivingen må forenkles. Den må oppmuntre til innovasjon, og den må oppmuntre til nyskaping. Infrastruktur, vei, bane, bredbånd, ja alle kommunikasjonslinjer må fortsatt oppgraderes og fortsatt bygges ut. I Norge er det et stadig mer påtrengende behov for å forklare sammenhengen mellom bærekraft og velferd. Urovekkende funn viser at forståelsen av sammenhengen mellom verdiskaping og velferd blir stadig dårligere, særlig i de generasjonene som har levd med et enestående velferdstilbud gjennom hele livet, altså de yngre generasjonene. Så vil jeg si noen ord om Norges viktigste næring. Helt uten sammenligning er det olje- og gassnæringen. Denne ønsker de rød-grønne til livs, samtidig som de skal øke skattene. De skal gå løs på verdiskapingen og på din og min lommebok samtidig. Det er egentlig ikke til å tro.

og «for lite for sent», som Arbeiderpartiet forsøkte å sjonglere med da oljeprisen gikk ned, og de egentlig ikke visste hva de mente eller ville. Slik sett er alt ved det gamle. Det går godt i hele Norge. De som fortsatt bruker tid på å svartmale og forsøker å skape vrengebilder av hvordan det står til, bommer. Særlig gjelder dette Senterpartiet som også i dag har gjort det til sin hovedgeskjeft å fremstille et Norge i noe nær ruiner. Jeg tror Senterpartiet blir gjennomskuet av de aller fleste. fleste. Jeg skal avslutte med et sitat som ofte er tillagt Abraham Lincoln, selv om det er noe usikkerhet ved opprinnelsen, men det beskriver sverteforsøkene til våre ærede konkurrenter svært godt: Du kan lure hele folket litt av tiden, du kan lure litt av folket hele tiden, men du kan ikke lure hele folket hele tiden.

ned. Trygghet er å vite at hjelpen er på vei hvis helsen svikter. Men: Trygghet kommer ikke av seg selv. Det krever et troverdig forsvar av landet vårt, og det krever et sterkt og effektivt politi. Derfor tar regjeringen sikte på å bevege Norge ytterligere i retning av NATOs 2-prosentmål. Derfor skal vi reformere politiet. Vi skal ruste dem til å møte nye former for kriminalitet og satse på enda flere politifolk. politifolk. Derfor skal vi fortsette å skape pasientens helsetjeneste, som er bærekraftig i møte med framtidens utfordringer. Trygghet er også å vite at barnet i magen din skal få alle muligheter til et rikt og godt liv, selv om det blir litt annerledes enn alle andre. Derfor skal regjeringen gjennomføre en likeverdsreform. Reformen skal bidra til et samfunn der det er bruk for alle, og gjøre det enklere for familier som har barn med spesielle behov. Familier som får beskjed om at de skal få et barn som har ekstra behov, skal få lovfestet rett til en koordinator allerede under svangerskapet. Det skaper trygghet i en tid da mye har blitt usikkert. Mange foreldre med barn som trenger mye hjelp, opplever nettopp at jobben med å koordinere hjelpen noen ganger som større enn den avlastningen som de å få håpet tilbake, når alt håp er ute. Før jul møtte jeg Kathrine Mydland-Aas som hadde slitt med tvangslidelser i ti år. Kathrine var så opphengt i å ha det rent at hele livet ble totalt dominert av tvangstanker om bakterier. Så prøvde hun en norskutviklet behandling som gikk over fire intensive dager. Resultatene var utrolige. Tidligere måtte Kathrines barnebarn løftes med strake armer fra dørmatten og rett i badekaret når hun kom fra barnehagen. Nå, etter at mormor har fått behandling, tas hun imot med åpne armer – uten omveien om badekaret. Behandlingen som Kathrine fikk, ligger nå inne i et av pakkeforløpene for psykisk helse.

og vi skal øke digitaliseringen og nye måter å jobbe på for å frigjøre enda mer tid til helsehjelp og pleie. Tilbudet til de mest utsatte, særlig innen rus og psykisk helse og eldre, skal styrkes. Vi skal utvikle og innføre pakkeforløp for flere lidelser, slik som pakkeforløp for smertebehandling, utmattelse, muskel- og skjelettlidelser og ikke minst egne pakkeforløp for «kreftpasientene helt hjem». Pakkeforløp skaper trygghet og forutsigbarhet når helsen svikter og framtiden oppleves som usikker. Trygghet er en forutsetning for frihet – alt fra frihet til å elske den en vil, til å kunne velge hvem som skal hjelpe deg til å mestre livet, uavhengig av størrelsen på lommeboken din. Derfor er regjeringens fremste oppgave å trygge Norge for at folk kan få leve et fritt og

som nå er litt fortvilet over å ha fått en sammenslåing tredd ned over hodet. I Altaposten 18. januar omtales dette punktet i regjeringsplattformen, og der uttaler en representant fra Finnmark Venstre seg, Trine Noodt, og sier at det må bety utbygging av fødeavdeling og akuttilbud, i praksis et sykehus i Alta. Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt fra Fremskrittspartiet sier at den nye strukturen hvor Klinikk Alta blir en del av UNN-systemet, gjør at målet om fullverdig fødeavdeling er realistisk. Hvorfor denne manøveren, statsråd? Og betyr dette det befolkningen i Alta håper på: et fullverdig akuttsykehus? Jeg tror at dette er et viktig og nødvendig grep. Det er krevende å drive i realiteten to store akuttsykehus i et fylke som Finnmark og i tillegg ha ganske desentraliserte og enda mer desentraliserte helsetjenester i framtiden, gjennom Klinikk Alta og den samiske helseparken. Derfor vil dette være en fordel for å styrke nettopp det som i realiteten kommer til å være den mest moderne helsetjenesten i Norge, gjennom store investeringer: Vi har åpnet nytt sykehus i Kirkenes, vi skal bygge nytt sykehus i Hammerfest, vi bygger ny klinikk i Alta og en ny samisk helsepark. Det er krevende å klare dette i framtiden uten en sterk tilknytning til Universitetssykehuset i Nord-Norge. Så dette gjør regjeringen for både å gjøre helsetjenesten i Finnmark bærekraftig for framtiden og å styrke rollen til Universitetssykehuset i Nord-Norge som universitetssykehus og regionsykehus. De ansatte og de tillitsvalgte skal selvfølgelig de tillitsvalgte skal selvfølgelig involveres godt i denne prosessen før de endelige beslutningene tas. Spørsmålet mitt var dreid mer mot de forventningene som er skapt lokalt, om flere akuttfunksjoner i Finnmark. Det tror jeg er veldig viktig blir svart opp fra regjeringen. Det siste befolkningen i Alta trenger nå, er flere glansbilder som knuses i neste øyeblikk, så her burde regjeringen være tydelig. At ting skal utredes, er fornuftig. Jeg har et annet spørsmål til statsråden, og det handler om de delene i plattformen som sperrer for framtidige endringer i loven om bioteknologi. Der har Kristelig Folkeparti fått en vetorett. Seksjonsoverlege Torbjørn Moe Eggebø ved St. Olavs hospital fortalte i helgen til TV 2 at de har funnet en sammenheng mellom fosterreduksjon av flerlinger og assistert befruktning i utlandet. Ser statsråden det betenkelige i at dette tilbudet holdes igjen på norsk jord, mens man samtidig gjør innstramminger i den muligheten de har for å berge de svangerskapene de har fått, med en lavere kvalitet og en praksis hvor man setter inn flere egg, i utlandet? Ja, det er interessant med tallene fra Eggebø, for de viser at det er en sammenheng mellom assistert befruktning og de som velger å ta fosterreduksjon, også av friske tvillinger. Jeg tror at det er en viktig opplysning å ha med seg i den debatten. Men det som er feil, er TV 2s framstilling av saken, at dette i all hovedsak handler om personer som har fått assistert befruktning i utlandet. Det er ikke riktig. De aller, aller fleste av dem som har fått fosterreduksjon på selvstendig grunnlag, har fått assistert befruktning i Norge. Så dette er en feil analyse fra Arbeiderpartiet. Går en inn i tallene, ser en at i all hovedsak har disse fått assistert befruktning i Norge, og den utfordringen må vi gi til det norske miljøet som gir assistert befruktning.

Det handler om mye penger. Hvordan vil statsråden bidra slik at det gjør det mulig å gjennomføre disse store og nødvendige investeringene i den takten som er nødvendig? Det er helt riktig som representanten er inne på, at vi står overfor viktige og store beslutninger knyttet til det som skal være framtidens spesialisthelsetjenestetilbud for både befolkningen i Oslo og befolkningen i Innlandet. Det følger også opp de store investeringene som har skjedd under denne regjeringen, knyttet til å skape framtidens sykehus i Norge – noe som ikke bare handler om bygg, men ikke minst handler om ny teknologi og nye bærekraftige måter å gjøre det på. Måten vi skal gjøre det på, er å fortsette å styrke sykehusenes økonomi, gi dem gode rammebetingelser for de investeringene og forutsigbarhet. Det er også noe av det som står i den nye plattformen, at vi også skal gå igjennom noen av de elementene som bidrar til at sykehusene fortsatt kan investere betydelig i både bygg og utstyr

Betyr ein gjennomgang av dei prehospitale tenestene at det ikkje vil verta lagt fram ei stortingsmelding, slik Stortinget har vedtatt i haust? Betyr ei beskriving av investeringsplanen for sjukehusa noko nytt i forhold til førre nasjonale helse- og sjukehusplan, eller vert det på same måten? måten? Betyr punktet om stadleg leiing noko nytt i forhold til i dag, eller vert det opp til helseføretaka – som i dag – å bestemma korleis leiinga skal organiserast? Nasjonal helse- og sykehusplan vil bli lagt fram som en stortingsmelding, og der vil prehospitale tjenester og gjennomgangen av det området få en særlig plass.

og det tilbudet som gis av sykehusene. Det er sammenhengen i de tjenestene og omfanget totalt sett som er det aller viktigste for befolkningens trygghet. Men jeg er glad for å se at antallet ambulanser går opp og responstiden går ned, ikke minst

har nokon påverknad? Og når det gjeld stadleg leiing, er det akkurat sånn som i dag? Er det noko nytt i desse punkta opp mot gjeldande politikk, som har vore nedfelt sidan førre nasjonale helse- og sjukehusplan, vil eg gjerne ha det fram. Viss det er sånn som i dag, vil eg gjerne at statsråden seier det, for det er faktisk ein del ute i Helse-Noreg som lurer på kva dette faktisk

vil få lånebevilgninger fra Stortinget gjennom statsbudsjettet. Men de konkrete investeringsbeslutningene tas også i framtiden i helseregionene, slik som dagens styringsmodell bygger på. Det står også i plattformen. I plattforma står det òg at ein skal levera ein sjukehusplan som skal ha vekt på bl.a. psykisk helse, det er varsla før. Samtidig som dette skjer, er det i fleire føretak stor bekymring for at det er planar for ei nedbygging av tilbod innan psykisk helse, særleg da nedbygging av døgnbehandling, både i barne- og ungdomspsykiatrien og elles ved DPS-ar og andre stader. Spørsmålet mitt er: Synest ikkje statsråden at det er urimeleg at dette skjer no, altså nedbygging av sengekapasitet ved DPS i BUP? Det er eit halvt år til det skal koma ein nasjonal helse- og sjukehusplan med hovudvekt på psykisk helse. For meg og regjeringen har det vært viktig å få etablert nasjonal helse- og sykehusplan som et verktøy for å få en sterkere politisk styring med spesialisthelsetjenesten. Det vet jeg er et synspunkt som representanten deler. Men det kan ikke være sånn at fordi man får en nasjonal helse- og sykehusplan hvert fjerde år, kan det ikke i påvente av det skje endringer i helsetjenesten. Da vil jo dette som verktøy få en helt motsatt virkning.

lenge inne på døgnopphold i psykisk helse, som burde fått bedre tilbud der de bor. Ullevål sykehus er ikke nevnt i plattformen, men framtiden for sykehuset er viktig for mange både i Oslo og i hele landet, siden sykehuset er Norges største og viktigste akuttsykehus med viktige beredskapsfunksjoner. Tidligere har statsråden her i Stortinget forsvart nedleggelsen av Ullevål. Han sa i april i fjor at det er han sist bestemmer. Siden den gang har det kommet flere bekymringer om kostnader og store protester fra alle fagmiljøene, også fra viktige miljøer utenfor sykehuset. Nå åpner styret i Helse Sør-Øst for det de kaller å belyse Ullevål som alternativ lokalisering til Gaustad. Siden statsråden tidligere har erklært at det er han som bestemmer, vil jeg vite om statsråden har noe syn på om det er klokt å få belyst Ullevål som et alternativ når det gjelder å bygge nye sykehus i Oslo. Det er som representanten Hagebakken var inne på, styremøte i Helse Sør-Øst i morgen, så det forslaget representanten viser til, er administrerende direktørs forslag til innstilling til styret. Derfor vil jeg være noe tilbakeholden med å kommentere det, for jeg mener at styret må få ta den diskusjonen om innstillingen selv. Hvis jeg gir mine vurderinger av enkeltpunkter i innstillingen, kan det fort oppleves som førende overfor styret. Men det er helt riktig som representanten sier, det er jeg som bestemmer til slutt, og jeg har generelt sagt at jeg har ingen motforestillinger mot å få fram mer kunnskap. Kunnskap er alltid bra. Men det ligger en føring for utviklingen av sykehusstrukturen i Oslo som innebærer at vi skal bygge et stort nytt akuttsykehus på Aker. En forutsetning for det er også å bygge et nytt felles sykehus mellom Ullevål og det som i dag kalles Rikshospitalet. Det er en forutsetning. Stopper det arbeidet opp, blir det heller ikke noe nytt sykehus på Aker. Replikkordskiftet er omme. For Fremskrittspartiet var innvandrings- og integreringspolitikk en av de aller viktigste sakene i forhandlingene. Fremskrittspartiet har styrt dette området med stø hånd i mange år, og resultatet nå er

så kom det over 20 000 asylsøkere dit i 2008. Migrasjonen er en av vår tids store utfordringer, og den er svært uforutsigbar. Får man kontroll et sted, så flytter strømmen seg til et annet. Derfor er Fremskrittspartiet fornøyd med at vi får på plass en beredskapshjemmel gjennom å se på sekundær beskyttelse, som gjør at de som ikke har krav på flyktningstatus, heller ikke skal få det. En rekke saker er avdekket, ikke minst gjennom Aftenposten, der personer som har fått opphold i Norge, reiser tilbake på ferie. Dette er med på å undergrave hele asylsystemet. Mange reagerer, med rette. Derfor er vi veldig fornøyd med at det nå skal gjennomføres en endring som gjør at dersom man reiser tilbake

Ja, selv faktisk.no slår fast at innvandring er den klart viktigste årsaken til vekst i familier med vedvarende lavinntekt. Derfor er satsingen fra regjeringens side på norskopplæring, introduksjonsprogram og å styrke innholdet i dette tilbudet veldig viktig for at flere mennesker skal lykkes i det norske samfunnet. For over tid er det vanskelig å se på at sosialhjelpsutbetalingene til innvandrere øker – at vi ser at veldig få kommer i jobb, for det handler om at det blir vanskelig å bli en del av et lokalsamfunn og bli integrert dersom man står på utsiden av arbeidslivet. Bare 12,6 pst. av kvoteflyktningene som kom i perioden 2008–2016, er i heltidsjobb, blant kvinnene snakker vi om 8,2 pst. Derfor er vi meget godt fornøyd med at denne plattformen sørger for å videreføre politikken og stramme inn på noen viktige områder som vi ser behov for. Vi lever i en urolig verden. I mange land rundt oss ser vi uro i det politiske systemet, vi ser brexit, og vi ser over at det er uro. I denne sammenhengen er egentlig Norge kjerringa mot strømmen fordi vi nå har en plattform som legger til grunn at vi skal ha en flertallsregjering som skal styre Norge støtt og trygt de neste årene. Denne plattformen sikrer Fremskrittspartiets gjennomslag. Det er vi veldig godt fornøyd med. Vi har fått viktige innrømmelser når det gjelder innvandring, men vi er også særdeles fornøyd med at plattformen for bilistene er den beste som noen gang er lagt fram, ifølge bilentusiaster. Det betyr noe for hele landet at vi har gode veier, at vi har muligheten til å kjøre bil, og at vi binder dette landet sammen slik at flere får mulighet til å utnytte det. Denne plattformen legger til rette for at vi kan trygge Norge for

Men ved inngangen til denne debatten, helt i det første replikkordskiftet mellom representantene Støre og Helleland, valgte Helleland å svare på et spørsmål om erklæringen ved å stille noen spørsmål om Arbeiderpartiets indre samhold, så jeg skjønner at det var bekymring for mulige problemer hos oss. Da vil jeg slå fast at det altså ikke er det. Vi har hatt en debatt den siste uken om hva som er basert på to premisser. Det ene er at noen angivelig skal ha foreslått konkrete endringer i skattepolitikken, og den andre påstanden er at noen har lagt lokk på debatten. Begge deler er feil. Det foreligger ingen forslag om endringer i leterefusjon eller noen annen del av oljeskatteregimet, og det er heller ikke noe forsøk på å legge lokk på en viktig debatt. Vi er opptatt av forutsigbarhet og langsiktighet, og at vi er i stand til å planlegge på lang sikt for alle bransjer. Det som bekymrer meg, er ikke mangel på samhold hos oss, men hvis det skulle gjøres til et problem at man diskuterte klima og olje i samme setning, for det er rett og slett ikke mulig lenger. Vi er nødt til å ta inn over oss at de endringene som kommer, kommer raskt, og de kommer til å treffe oss. Klimaendringene som sådanne treffer oss.

så gjelder erklæringens mer konkrete sider, eller snarere mangel på det, har jeg lyst til å anerkjenne mange sider med viktige setninger om klima, viktige ting vi er enige om – mange av dem er allerede vedtatt, noen er nye, det er bra – men jeg har den bekymringen at det er mye ambisjoner og lite konkrete mål. Jeg tror vi ville stå oss på å ha tydeligere,

enda tydeligere formuleringer på. Det er gjort mye ut av at de nasjonale klimamålene angivelig er skjerpet. I den grad de er det, ville jeg bejuble det, for det er bra, men det at man går fra 40 til 45 pst. kuttkrav i ikke-kvotepliktig sektor, var nærmest en selvfølge nå, fordi vi vet at EU lander i hvert fall der, hvis ikke lenger, så den tilpasningen tilpasningen kom til å komme. Så snakkes det, ikke minst fra representantene fra Venstres side, som om alle disse kuttene skulle tas nasjonalt. Gid det var så vel. Det virker som et par av de setningene er skrevet av Venstre og kanskje Kristelig Folkeparti, og den påfølgende setningen er skrevet av Høyre og Fremskrittspartiet, for der står det at det skal man likevel ikke gjøre hvis man ikke må. Altså: Hvis det blir tvingende nødvendig, skal man slippe det. Jeg tror vi vil stå oss på nå å bygge opp en politikk for framtiden hvor vi klarer å kombinere et stort og seriøst klimaansvar med et arbeid for framtidig verdiskaping og framtidig arbeid, og at vi skjønner at vi må legge opp til en rettferdig omstilling hvor alle som berøres av dette, involveres og tas med på råd i en omstilling som uansett kommer, og som det er dyrere å vente med enn å starte med en gang. Klimaendringene gjør oss utrygge. De er

En offensiv klimapolitikk er nødvendig både for å bremse klimaendringene – for vi klarer ikke å stoppe dem – og for å skape grønn bærekraft og et Norge hvor det er trygt å bo og leve. Det betyr at vi må ha flere tanker i hodet samtidig. Når multitasking står på agendaen, må jeg innrømme at jeg er litt ekstra glad for at vi har fire kvinnelige partiledere. Vi må nemlig tenke løsninger både nasjonalt og internasjonalt og løsninger som er bærekraftige både for klimaet og for økonomien. Aller først må vi øke ambisjonsnivået, og jeg har en liten ønskeliste i den sammenheng. Jeg ønsker meg tøffere klimamål. Jeg ønsker meg høyere ambisjonsnivå for norske utslippskutt. Jeg vil at vi skal trappe opp CO 2 -avgiften. Jeg vil at vi skal sørge for at avgiftspolitikken belønner grønne valg. Jeg vil satse internasjonalt på fornybar energi, energieffektivisering og utfasing av kull i sør. Jeg ønsker at biodrivstoffet vårt ikke skal føre til avskoging, og at vi har virkemidler og avgifter som utelukker biodrivstoff med høy avskogingsrisiko, både innenfor og utenfor omsetningskravet, for det hjelper ikke med utslippskutt i Norge hvis vi gjør skade i andre land. Jeg ønsker meg grønnere skipsfart, og at vi klarer å halvere utslippene for innenriks sjøfart innen 2030. Jeg vil ha tidenes satsing på jernbane Derfor vil jeg også ha en ladeinfrastruktur for elbiler i hele landet, langt ute på landet, for det skal ikke være forskjell på dere som bor i byen, og oss som bor på bygda. Jeg ønsker meg omlegging til fossilfri plast. Vi er alle enige om at vi ikke vil ha plastsøppel i havet. Det er skapt et ganske stort engasjement rundt det, men ofte glemmer vi produksjonen av plast, og den er minst like skadelig. Jeg vil at vi skal forsterke innsatsen mot marin forsøpling, bl.a. gjennom å øke støtten til dem som rydder opp. opp. Jeg vil ha enda bedre klimarapportering i statsbudsjettet, sånn at vi som vedtar ting her på Stortinget, faktisk ser hva som gjøres, og at vi vet at det virker. For klimapolitikk må virke, også for helt vanlige folk. Klimapolitikk handler ikke bare om forbud eller avgifter, som representanter fra Senterpartiet hevdet tidligere. Det handler ikke om å gjøre hverdagen vanskeligere for folk, eller som en SV-er sa i en klimadebatt jeg var på i forrige uke: Det skal svi. tenkte jeg: Nei, det skal ikke svi, vår jobb i dette huset er jo å sørge for nye ideer og bedre løsninger, løsninger som gjør det enklere å velge grønt, ikke vondere. Klimapolitikken vår må også skape jobber og legge til rette for grønn næringsutvikling. Vi må ha noe å leve av etter oljen, for enten vi vil eller ikke – nå får jeg kanskje kjeft – kommer oljealderen til å gå over. Derfor er jeg spesielt glad for at regjeringsplattformen faktisk inneholder hele ønskelisten min, som jeg sendte til nissen før jul. jul. Så vet jeg at vi som sitter her i salen, greier jo ikke dette alene – vi oppe på berget her er snaue 5,3 millioner nordmenn, vi er ikke større enn feilmarginen i folketellingen i India. Jeg vet at det kan skremme enkelte representanter fra Senterpartiet, men vi må samarbeide med folk på utsiden av Norges grenser. Vi klarer ikke å redde verden alene. Derfor er utviklingen som vi ser i noen kretser, ganske skremmende. Globalister kaller de oss. Det er litt avsmak når de sier det. Det er noen som mener at en sånn litt klissen blanding av proteksjonisme og nasjonalisme ikke er spesielt framtidsrettet. Enkelte politikere snakker internasjonalt samarbeid ned, vi har hørt det i salen her i dag, og jeg mener det er Klimautfordringene er globale, og de er det umulig å løse uten internasjonalt samarbeid. I en utrygg verden der debatten dreier seg om å bygge murer og å melde seg ut, har Norge fått en regjeringsplattform som fremmer samarbeid, trygghet og inkludering. Det har aldri vært gjort så mye for klima under noen annen regjering i norgeshistorien. Så kan man kanskje si at det er fordi tidligere regjeringer ikke har forstått hvilken enorm utfordring klimagassutslipp er. Jeg tror at generasjonene som kommer etter oss som sitter her i salen, kommer til å dømme vår foreldregenerasjon hardt og brutalt. Det er litt som når vi i dag sitter og ser på sigarettreklamer fra 1950-tallet, og når vi ler litt av at noen av våre politiske helter var i tv-debatter og satt og røykte i studio. Ingen av oss vil jo tilbake til de flyturene hvor det bare var en liten gardin som skilte oss som ikke røykte, og dem som røykte. Jeg spår at om få år vil ingen av oss tilbake til gater som er fulle av fossilbiler og bysentre som er fulle av smog. Det kommer til å virke gammeldags, det kommer til å virke rart.

Det har ikke vært grenser for hvor galt det skulle gå i dette landet, spesielt hvis Fremskrittspartiet fikk en hånd på rattet. Det har vi fått, og kommuneøkonomien har ikke vært så god på lenge. Da vi overtok fra de rød-grønne, var det i 2014 54 kommuner som var registrert på ROBEK-listen. Nå er det 17 kommuner. Det sier litt om at det har vært en enormt god utvikling også for kommunene i Norge. Og når kommuneøkonomien er god, skal det også komme innbyggerne til gode. Allerede i Jeløya-plattformen bestemte vi at vi skulle senke makssatsen på eiendomsskatten fra 7 promille til 5 promille. Nå skal den enda lavere. Det er fordi kommunene har muligheten til det. Det er rart å høre Arbeiderpartiets og Senterpartiets ordførere gå ut og argumentere med at de er nødt til å kutte i tilbudet til eldre dersom eiendomsskatten skal ned. Det er helt feil. Kommunenes viktigste oppgaver er å drive effektive tjenester og gi folk de tjenestene de har krav på. Folk betaler skatt for å få de tjenestene. Eldre betaler i tillegg 85 pst. av inntektene sine til kommunen for å få de tjenestene. Da synes jeg det er rart at Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier at de skal kutte til de eldre dersom de ikke får stikke hånden sin like langt ned i folks lommer. Representanten Gahr Støre sa tidligere i dag at Arbeiderpartiet ikke tar inn en krone mer i skatt enn det det er behov for. Da vil jeg bare minne om at Arbeiderparti-styrte Oslo ville ha gått med 2,1 mrd. kr i overskudd selv uten eiendomsskatten. Bergen kommune ville ha gått med 300 mill. kr i overskudd selv uten eiendomsskatten. Da er det med respekt å melde ikke riktig at Arbeiderpartiet ikke tar inn mer i eiendomsskatt enn det det er behov for. Også bortsett fra eiendomsskatten mener Fremskrittspartiet at kommunene skal styre sin politikk selv. Det er kommunene som er best i stand til å styre sin arealpolitikk, og det er innbyggerne i kommunene som er best i stand til å styre over sin eiendom. Det var mange spådommer om hvordan det skulle gå hvis vi slapp opp på folks mulighet til å bygge en garasje uten å søke kommunen. Det gikk veldig bra. Spådommene der ble også gjort til skamme, og nå skal vi åpne for enda mer frihet for dem som eier eiendommer, til å gjøre det de vil på sin egen eiendom. I fem år har Fremskrittspartiet styrt innvandringspolitikken, og det har vært veldig nødvendig. Vi har vært gjennom en asylkrise som vi har håndtert meget godt, og nå er ankomsttallene svært lave. Mens venstresiden har vært mest opptatt av å beskytte dem som ikke har behov for beskyttelse i Norge, dem som har fått endelig avslag på sin søknad, og dem som kommer med grunnløse asylsøknader, har Fremskrittspartiet vært opptatt av å stramme inn. For man hjelper ingen, man er ikke solidarisk, dersom man bare kjemper for dem som ikke har noe grunnlag for opphold i Norge. Det er faktisk viktig å satse på å avsløre juksemakere i asylkjeden, for det er den største trusselen mot hele asylinstituttet. Det er viktig å beskytte asylinstituttet fordi det igjen er den største trusselen mot velferdsstatens bærekraft. Da er jeg glad for at denne regjeringens plattform nå har som hovedfokus å beskytte velferdsstatens bærekraft. Da er det også viktig å ta tak i dem som reiser på ferie til hjemlandet når de har fått beskyttelse fra det samme landet. Der kommer det også ekstra tiltak fra denne regjeringen. Vi skal også bruke bistandsmidler som et pressmiddel overfor de statene som ikke oppfyller sine forpliktelser til å ta imot egne borgere som er avvist i Norge. Det er viktig for å beskytte velferdssamfunnet, det er viktig for å beskytte asylinstituttet. Å forhandle om en regjeringsplattform er

men jeg forundrer meg over starten på denne debatten, der en briljerer litt med meninger som andre partier har, noe jeg nesten opplever som ikke å ha tillit til og respekt for hverandre. Et samfunn på vei i full fart framover trenger solide Det understrekes i plattformen at vår kristne og humanistiske arv og tradisjon har gitt oss verdier som menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. Norges forankring i de kristne verdiene kommer tydelig til syne i denne regjeringens politiske plattform. plattform. Dette var viktig for Kristelig Folkeparti. Vi har fått viktige gjennomslag, og vi mener vi har trukket regjeringsplattformen mot sentrum. Med Kristelig Folkeparti i regjering får vi en barnereform – med økt barnetrygd for de minste, fritidskort for de eldre ungene og økt engangsstønad for foreldre som ikke har rett til foreldrepenger. Noe av det aller viktigste et samfunn kan gjøre, noe som skaper bærekraftige samfunn, velferdssamfunn, er å legge til rette for at ungene våre får en trygg og god oppvekst. Jeg er spesielt stolt av at denne regjeringen skal legge fram en Jeg blir opprørt når jeg hører om mennesker som ikke får være med og være en del av vårt fellesskap, eller om foreldre som må kjempe mot systemet for å finne gode løsninger for sine unger. På søndag møtte jeg Mari Storstein. Hun stilte et betimelig spørsmål: «Er det spesielle behov å måtte gå på do, måtte vaske seg, måtte gå, måtte delta på skolen, få lov til å gå på jobb?» Nei, det er ikke spesielt, men det er noen som ikke klarer å gjøre det selv. De trenger hjelp av andre, og da er BPA-ordningen et likestillingsverktøy. De er ikke spesielle, med spesielle behov, men de har like stor rett som deg og meg til å delta i samfunnet. Alle som venter barn som har utfordringer, vet at de trenger hjelp fra samfunnet på en annen måte. Da å få en koordinator før barnet blir født, er viktig for familien, så de slipper å være administrerende direktør i sin egen familie. Men det er også viktig for kommunen å legge til rette for et samfunn der en kan bidra best mulig. Jeg har fått den ære å få lov til å bli landbruks- og matminister. Landbruket er viktig for Norge. Landbruket bidrar til aktivitet og bosetting over hele landet. Det gjør at vi får en kvalitetsmat som gjør at vi kan være stolte, en kvalitetsmat som vi konkurrerer med verden over. Det er viktig for helsa, det er viktig for folkehelsa, det er viktig for unger, og det er viktig for voksne. Tradisjon og mat, kultur og mat, integrering og nytenkning, produksjon og foredling – det handler norsk landbruk om. Vi vet også at det er ingen som har omstilt seg så mye som norsk landbruk og tatt nye utfordringer. norsk landbruk og tatt nye utfordringer. Vi har også tatt et globalt ansvar etter krigen på Balkan. Norske bønder fra Jæren var med og laget samvirkemodellen på Balkan, nettopp for å drive bistand. Det jeg er aller mest glad for som står i denne plattformen, er at Norge skal ta et internasjonalt initiativ – for i India mangler vi 60 millioner jenter. De er sortert vekk av én grunn er jenter. Verden mangler nesten 200 millioner kvinner, like mange kvinner som det er i USA. Dette er vårt ansvar, dette er likestilling, dette er bistand, dette er å reise kvinner opp verden over. Det vert replikkordskifte. Selv etter den tørreste sommeren på over 100 år og

Det er vanskelig å gi trygghet for folk hvis vi bare har kuler, men ikke har mat. Derfor må landbruksminister og fungerende leder i partiet Kristelig Folkeparti, Olaug Bollestad, svare tydelig for seg: Er det sånn at det vil komme beredskapslagring av korn i 2019? Vil det arbeidet bli fulgt opp som det skal? Er det noe vi fikk kjenne, var det klimautfordringen, tørken og regnet som norsk landbruk – og vi alle – ble utsatt for i fjor. Det betyr at vi har utfordringer på klimasiden som vi må ta på alvor. Det betyr at vi også må få kornsorter, typer grønnsaker og gras som vi produserer, som klarer en del av de klimaendringene som kommer. Ja, jeg skal ta på alvor det vedtaket som ligger i Stortinget om beredskap. Jeg vil komme tilbake med en sak om dette i 2019. Jeg vil ikke si hva konklusjonen blir, men jeg skal komme tilbake til Stortinget med en sak. Det er bra at vi får en sak til Stortinget, som vi skal. Jeg Det er bra at vi får en sak til Stortinget, som vi skal. Jeg er helt sikker på at alle KrF-ere i denne salen ønsker å stemme i samsvar med det rød-grønne landbruksengasjementet her for bedre sikkerhet for innbyggerne våre i Norge. Et nytt tema – ettersom statsråd Bollestad også representerer Kristelig Folkeparti i regjering: regjering: Hverdagssikkerheten til folk i hele landet vårt handler selvfølgelig om mat, om at eldre også skal ha mat på sykehjem. Vi er også opptatt av at vi skal ha offentlige sykehjem i hele Norge, som kan tilby den tryggheten. Da lurer jeg litt på: Det er kommet fram i salen at det kan komme en massiv privatisering, som i den svenske modellen. Da lurer jeg litt på: Det er kommet fram i salen at det kan komme en massiv privatisering, som i den svenske modellen. Hvordan tror ministeren at den svenske privatiserte modellen for eldreomsorg vil påvirke eldres trygghet for mat og ordentlig omsorg i landet vårt? For det første er regjeringen opptatt av at man har et samfunn som bygges nedenfra. Det betyr god omsorg, god Det betyr kvalitetsmat. Det betyr bruk av tradisjonsmat. Det betyr bruk av sansene til eldre når man skal gi mat. Det betyr god mat – også i barnehagene våre. Men så har Kristelig Folkeparti også tro på det offentlige helsevesenet. Det er bra. Men vi at en del eldre har et ønske om å velge. Det ser vi også når de som bor hjemme i dag, velger vaskehjelp. De ønsker hjemmebesøk. Vi ser at det er mange som kan bidra. Men det er ikke tvil om at det offentlige helsevesenet skal være det bærende, både i kommune og i

Det står i motsetning til en voldsom sentraliseringspolitikk, hvor man skal samle produksjonen på bare noen få bruk, og ha veldig mange dyr på et lite område. Derfor vil jeg utfordre landbruksministeren: Hvordan kommer politikken til å legges om etter at Kristelig Folkeparti har kommet inn i regjering? Vil det være noen vedtak statsråden vil endre på, når vi nå har fått en landbruksminister fra et annet parti enn Fremskrittspartiet? Landbruket bruker mindre antibiotika. Hunder, smådyr – kosedyr – gjør faktisk også det. Det tenker jeg er viktig, ikke bare for landbruket. Det er også utrolig viktig for folkehelsa. Disse to tingene henger sammen. sammen. Når vi har et spredt landbruk, er det viktig, for både spredt bosetting og spredt drift. Men det handler også om at mange steder har bøndene selv – om man går til flate Jæren, der jeg kommer fra – kjøpt opp nabogårder som har vært mindre, fordi de har trengt større spredearealer, og bøndene selv – om man går til flate Jæren, der jeg kommer fra – kjøpt opp nabogårder som har vært mindre, fordi de har trengt større spredearealer, og andre har lagt ned driften. Da er det bedre at det blir større enheter enn at jorda blir lagt brakk. Men vi skal ha plass og ha bruk for spredt drift og ulike størrelser i landbruket – på landbrukseiendommer og drift. Det er no forhandlingar om ein frivillig klimaavtale mellom regjeringa og jordbruket for å få ned utsleppet av klimagassar frå norsk jordbruk. I samband med det sa eit stort fleirtal på Stortinget i desember – alle parti unntatt SV – at det ikkje var aktuelt å innføra avgift på utslepp frå såkalla biologiske prosessar. Så spørsmålet mitt er eigentleg: Vil statsråden og regjeringa leggja det viktige prinsippet til grunn for dei forhandlingane som no er i gang med norsk jordbruk? Det er klart at vi vil ta med oss det som er vedtatt i Stortinget. Samtidig har jeg lyst til å si at en av de største utfordringene både for landbruket og for oss er klima. Derfor er dette utvalget satt ned, som nå kommer med sine forslag. Det jeg har sett i norsk landbruk på teknologisiden opp gjennom årene, er at det er akkurat på denne siden vi har vært mer framoverlente enn noen andre. Jeg ser fram til å få det fra landbruket selv, det de kommer med, men også å se på det som har kommet inn i høringer, for å nå målet for dette. I Stortinget er det gjort eit vedtak om at ein skal ha ei berekraftig utvikling av norsk pelsdyrnæring. I regjeringsplattforma er det varsla at det skal gjerast om, og at ein for fyrste gong i historia skal innføra eit næringsforbod i Noreg. I ei sak på NRK er det eit ungt par som heiter Erik og Beate, som har investert 10 mill. kr for å produsera pels, med verdas beste dyrevelferd. Dei vert hardt ramma av eit sånt næringsforbod. Dei fryktar for framtida. Og det verste av alt: Med den erstatningsordninga som er skissert i regjeringsplattforma, og som er send på høyring, vil dei verta gjeldsslavar og risikera å måtta gå frå gard og grunn. Så spørsmålet mitt til landbruksministeren er: Kan ho garantera at ingen vert økonomisk skadelidande på grunn av dette vedtaket som det ligg an til at fleirtalet i Stortinget

Nå er det sendt ut en proposisjon på høring. Det kommer mange innspill. Den summen som foreligger, er et anslag. Det vi er opptatt av, og som også står i erklæringen, er at vi må se på kompensasjonsordningene og støtten, nettopp for å sikre at det unge paret ikke sitter igjen sånn som du beskriver. Det er viktig for oss når en faktisk skal gå til næringen. Så har jeg lyst til å si at dette har vært en næring som det har vært stor politisk diskusjon om, både i forrige regjering og i denne regjeringen. Presidenten vil peika på at Bollestad ikkje må seia «du» til Pollestad. saka om pelsdyrnæringa er det nokre realitetar. Under den førre regjeringa vart ikkje næringa føreslått lagd ned. Det vart sett i gong ein stor prosess med ei offentleg utgreiing, ei offentleg høyring og ein diskusjon i Stortinget med ei høyring i Stortinget også. Eit stort fleirtal på Stortinget sa at me ønskjer ei berekraftig utvikling av denne næringa. Så snur ein altså opp ned på kvardagen for ganske mange familiar i Noreg på dagen. Så kan ein diskutera hit eller dit ei erstatningsordning dersom dette vedtaket og næringsforbodet vert gjennomført, men ein må jo kunna venta at landbruksministeren og regjeringa, som held den private eigedomsretten høgt, kan seia at ingen skal verta økonomisk skadelidande og måtta gå frå gard og grunn. Kan landbruksministeren seia det?

Det er ikke bare et enkelt bilde. Men vi vil sikre at familier som dem du beskriver – som dem representanten Pollestad beskriver, beklager president –skal være sikre på at de skal slippe å stå igjen med gjeld. president –skal være sikre på at de skal slippe å stå igjen med gjeld. Eg må først seie gratulerer som landbruksminister! Eg har store forhåpningar til Bollestad og det arbeidet ho står framfor. I juni 2017 skjedde noko som ikkje har skjedd før – det blei eit fleirtal da Stortinget samla seg om å redusere inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet, og at denne reduksjonen i inntekta skulle skje kronemessig – altså ei reell endring. endring. Det fleirtalet bestod bl.a. av Kristeleg Folkeparti, Arbeidarpartiet, SV, Senterpartiet osv. Det er eit og eit halvt år sidan. Statsråden kjem inn i jobben no på eit veldig spennande tidspunkt, rett før eit nytt jordbruksoppgjer skal i gang. Det er umogleg å sjå ut frå erklæringa om den einigheita blir vidareført. Så Så spørsmålet mitt er rett og slett: Vil regjeringa leggje opp til ein kronemessig reduksjon av inntektsforskjellane mellom bønder og andre grupper er opptatt av at det er fire påler som ligger i plattformen om hva som skal være bærende, og der er også jordbruksoppgjøret en viktig bit nettopp for å sikre bøndenes framtid. Det er også viktig å legge føringer for inntekt, men også for hvordan man kan bære den næringen framover. Det tenker jeg ligger fast, og så skal vi komme med tilbudet når vi kommer til landbruksoppgjøret. Det som ligg fast i dag, er innstillinga som hadde fleirtal i

Men i plattforma blir det lagt opp til følgjande, og eg siterer eitt av punkta: «For å sikre rekruttering og inntektsmuligheter for dem som bruker hele eller mesteparten av arbeidskraften sin i næringen, er det viktig å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre i samfunnet.» Da er spørsmålet: Skal ein berre løfte dei som bruker heile arbeidskrafta si i næringa, eller vil ein leggje opp eit løp som gjer at ein får jordbruket løfta, slik at ein kan ta meir av jorda i bruk? Det er jo eit kjernespørsmål i jordbrukspolitikken. Hvis regjeringen ønsker et landbruk over hele landet – og det gjør regjeringen – ønsker vi at der det er grunnlag for å leve av gården sin fordi det er nok inntekt til å leve av det uten å ha arbeid ved siden av, da er det det bærende i disse områdene. Men det er også klart at i noen områder av landet vårt – i Ryfylke, der jeg er født og oppvokst – er det små gårder, små teiger, kanskje bare 20 dekar med dyrket jord, og hvor resten må drive med sau og ikke har inntektsgrunnlag nok for dette. Det er viktige gårder i den store sammenhengen for å bruke arealet vi har, men det er klart at vi må også legge til grunn at mindre enheter har en mulighet for å bli ivaretatt i norsk landbruk.
replikkordskiftet omme, og vi går tilbake til den ordinære

Og dette var den første kvelden. For helsepolitikken ble det en klar høyredreining. Spørsmålet er om det er prisen Kristelig Folkeparti måtte betale for vetorett når det gjelder endringer i bioteknologiloven og innskrenking av kvinners selvbestemmelse i forbindelse med abortloven. Det er tung symbolikk i at statsministeren kommer med en direkte oppfordring til kvinner om å få flere barn for så å snu i døren når stortingsflertallet har gjort det mulig for kvinner å få hjelp fra helsetjenesten til å bli gravid. gravid. Enda mer paradoksalt blir det når seksjonsoverlege Torbjørn Moe Eggebø ved St. Olavs hospital fortalte til TV 2 sist helg at de har funnet en sammenheng mellom fosterreduksjon av flerlinger og assistert befruktning i utlandet. Årsaken er at man i utlandet setter inn mange egg hos kvinnen, som fører til en graviditet med flere fostre. I Norge ville man valgt en annen metode med færre innsatte egg. Men det er altså forbudt og skal fortsatt være det. Det føles nok tungt for dem som har fått sin drøm om å få egne barn knust i løpet av noen sene timer på Granavolden. Abortloven burde aldri kommet til forhandlingsbordet. Erna Solberg brukte kvinners abortrettigheter for å oppnå sin drøm om en firepartiregjering. Gjennomgående har resten av helsepolitikken fått en dreining mot høyre. Mer privatisering er feil medisin. Helsetjenesten er ikke et kundeforhold, men en grunnleggende rettighet, en kontrakt mellom fellesskapet og hver innbygger – trygghet! Noen fagre løfter finnes det riktignok i plattformen: desentralisere spesialisthelsetjenester gjennomgang av de prehospitale tjenestene tjenestene styrke kapasiteten og kompetansen i de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus Men realitetene i sykehusene er noe helt annet. Vi ser at det landet over kuttes i psykiatri, rehabiliteringstilbud og ambulansetjenesten. I Møre og Romsdal kuttes det i rehabiliteringstilbud, sengeposter ved distriktspsykiatriske senter, tilbudet til revmatikere og i ambulansetjenesten. Med Arbeiderpartiets alternative budsjett ville de hatt 54 mill. kr ekstra å rutte med. I Innlandet kuttes det sengeplasser i tverrfaglig spesialisert rusbehandling og i psykiatritilbudet i Oppland. Med Arbeiderpartiets alternative budsjett ville de hatt 81 mill. kr ekstra å rutte plattformen foreslår å styrke akuttmedisin og tilbudene i distriktene når regjeringens eget budsjett legger opp til kutt i ambulansetjenesten og viktige helsetilbud nær befolkningen. Arbeiderpartiet mener at de nye punktene i regjeringserklæringen må følges opp med en satsing på sykehusøkonomien – hvis ikke er dette bare nok en beskjed til fagfolkene der ute om å springe enda fortere. Arbeiderpartiets mål er et samfunn som fremmer god helse og livskvalitet for alle, og som forebygger sykdom. Det handler om hvem vi er, og hvem vi vil være, som fellesskap og som enkeltmennesker – en helsetjeneste hvor det fremste av medisinsk ekspertise er tilgjengelig for alle når man trenger den, uansett hvem man er, eller hvor man bor i landet.

det er så veldig mye annet som hviler på at vi klarer å løse dette – klimaendringene må definere politikken som føres, den offentlige debatten og de løsningene vi velger. Klima er komplisert, det er vanskelig å kommunisere, og det finnes ingen enkle løsninger. Det må strukturelle endringer til. De Klima er komplisert, det er vanskelig å kommunisere, og det finnes ingen enkle løsninger. Det må strukturelle endringer til. De må være gjennomgripende og gjennomsyrende, og de må omfatte alt. Det innebærer en omstrukturering og en omstilling i alle sektorer. Men det blir Menneskeskapte klimaendringer krever mer av oss hvert eneste år som går. Det er ikke lenger mulig å kalle seg økonomisk ansvarlig og samtidig ikke jobbe for å bekjempe klimaendringene. Økonomisk er det uansvarlig, men det er også uansvarlig hvis vi vil at generasjonene etter oss skal kunne nyte de fantastiske naturverdiene dette landet har å by på. Det er uansvarlig med tanke på matproduksjon, uansvarlig hvis vi vil ta hele landet i bruk og det skal være mulig å bo på steder hvor det alltid har bodd nordmenn. Men det er også moralsk uansvarlig overfor verdens fattige. Forskjellen på 1,5 grader og 2 grader er hvor mange hundrevis av millioner som blir dømt til et liv i fattigdom. Jobber man ikke aktivt for å bekjempe klimaendringene, er man ikke bare uansvarlig, man er også usolidarisk. Vi må ha en ny måte å tenke på og operere på for at vi skal kunne bevare det vi har. Det er en viktig konservativ verdi. Vi skal ikke slutte med økonomisk vekst, slik enkelte i denne salen tar til orde for, for det vil gå ut over vår velferd. Ikke bare det: Det vil gjøre det helt umulig for verden å nå sine bærekraftsmål. Nei, vi må frikoble vekst fra utslipp. Den norske velferden skal være en grønn velferd. Det betyr at når regjeringen hever målet for ikke-kvotepliktig sektor

Norsk klimapolitikk skal handle både om å stille krav og om at vi som fellesskap bidrar til den omstillingen som trengs. Derfor skal vi gjøre det dyrere å forurense hvert eneste år, samtidig som vi alle sammen er med på å gjøre norske arbeidsplasser grønnere, f.eks. med den massive satsingen som denne regjeringen

Den kompetansen gir vårt land enorme muligheter, men det gir også muligheter for at vi kan hjelpe til å fase ut kull på internasjonal basis. De globale klimagassutslippene har gått opp – mesteparten av det er på grunn av kull. Mange fattige land planlegger å bygge flere kullkraftverk, og det er ikke så rart, for det er ca. én milliard mennesker i verden i dag som ikke har energi. De trenger hjelp fordi vi vil at disse landene skal kunne hoppe over fossilfasen. Klarer vi ikke å bidra til dette, kan vi bare glemme å løse klimaproblemene. Men det er det regjeringen legger opp til at vi skal klare – en internasjonal satsing og et internasjonalt initiativ for nettopp å få faset ut kull og for nettopp å hjelpe u-land med å bygge fornybar energi.

i det hele tatt som var bra med denne politiske plattformen. Det var mantraet om økte forskjeller og at man ikke skulle ta hensyn til folk. Men hele hensikten med denne plattformen er jo ikke økte forskjeller, men flere muligheter, mer valgfrihet for dem som skal få levert tjenester fra bl.a. det offentlige. Det er det det handler om, og det vi diskuterer nå.

dette med privatisering og konkurranse. Det som er synd, er at hele argumentasjonen liksom er at dette er noen fæle, forferdelige greier, at folk skal få mulighet til å få lov å velge. For meg er det faktisk kjempebra. Jeg synes det er bra at man skal kunne si at dette er ikke godt nok, jeg vil ha et enda bedre tilbud, og da vil jeg velge noen tilbudet. Når jeg hører på debatten – og da jeg stilte spørsmål i stad til representanten Moxnes – tenker jeg det er greit med en elementær opplæring i hva dette handler om. For å gjøre det veldig enkelt: Hvis man har 10 kr, og det koster 10 kr å få levert tjenesten i det offentlige, og så er det noen private eller ideelle som kan levere det til kr, da har man 3 kr igjen. Da er spørsmålet hvordan man bruker de tre kronene. Forutsetningen er at man får akkurat det samme tilbudet. Da kan man, som Arbeiderpartiet og Rødt ofte sier, velge at vi fortsatt skal betale mer for å få noen tjenester. Men vi mener faktisk at det er smart å la noen få lov til å se på muligheten for hvordan man eventuelt kan bruke de tre kronene man har ekstra. Da kan vi bruke det til å gi enda flere tjenester til enda flere, og det vil jo være mye bedre enn å være fornøyd med at man får det man får, så lenge man får akkurat det samme tilbudet, eller et bedre tilbud ved å betale litt mer. Og hvis noen også skulle klare å få ut litt overskudd, synes jeg det må være greit. Men jeg skjønner at for noen er det viktigste hvor mange kroner man bruker, ikke hvilke tjenester og tilbud de som skal motta dette, skal få. Jeg syntes det begynte å bli litt negativt her nå, så jeg har i stedet lyst til å være positiv er noe Fremskrittspartiet har kjempet for i mange år. Jeg har stått på denne talerstolen mange ganger, men før Høyre og Fremskrittspartiet gikk inn i regjering, og før samarbeidet med Kristelig Folkeparti og Venstre, var ikke dette mulig å få til. Men nå er det det. Det åpner for 120 km fartsgrense. Jeg var med og trykket på knappen da vi fikk 110 km fartsgrense. Det er noe veldig mange bilister er opptatt av. Vi har doblet tilskuddsordningen for å redusere bompengebelastningen. Det er noe som ligger der. Det er skattefradrag for høye bompengeutgifter. Det er viktig for folk flest. Vi fjerner engangsavgiften på biler som er eldre enn 20 år. Det er viktig for mange. Eiendomsskatten skal senkes med ytterligere 1 promille. promille. Det er også viktig, og det handler om helt vanlige folk og deres økonomi. Jeg registrerte at representanten fra Arbeiderpartiet sa at kommunene skriver ikke ut en eneste krone mer enn til det man trenger det til. Men jeg tror det finnes mange eksempler på hvordan man bruker eiendomsskattepenger rundt omkring i en del kommuner, og det er derfor jeg er glad for at vi har fått gjennomslag for dette i plattformen, at man skal redusere eiendomsskatten til beste for folk flest og veldig mange mennesker som har utfordringer med å få hverdagen sin til å gå opp. Vi har sett folk som må ta barna sine ut av barnehage fordi man ikke har råd til å betale eiendomsskatt, og sånn synes jeg ikke det burde være. Derfor er jeg veldig fornøyd med det som ligger i plattformen. To dager før den nye regjeringsplattformen ble lagt fram, fikk vi vite hva som er

hele 83 nye tillatelser ble gitt. Det er tut og kjør i oljepolitikken. Oljeindustrien, som har økt sine utslipp mest av alle, skal altså få lov til å fortsette som før. Dette er det motsatte av en grønn politikk for de mange – dette er en grå for de få. Regjeringen styrer bevisst mot å bryte Norges mål om store utslippskutt innen 2020. Derfor prøver regjeringen nå å snakke om nye løfter om utslippskutt, utslippskutt som skal gjøres om noen år – av noen andre. I regjeringsplattformen står det at regjeringen vil: «At Norges ikke-kvotepliktige utslipp skal reduseres med minst 45 prosent sammenlignet med 2005.» Det er et fint mål. Det står videre: «Regjeringen har som mål at

land. La oss se hva regjeringen har fått til de fem årene de har styrt klimapolitikken. De skryter av utslippskutt, men det er ikke utslippene de har kuttet, det er regnskogen. De har dynket klimapolitikken i palmeolje og regnskogødeleggelse. Regjeringens fagre ord står ikke til troende. Klimakuttene kan ikke tas et annet sted til en annen tid i et annet land av noen andre. De må tas nå, de må tas her i Norge, og de må tas i resten av verden. Der svikter denne regjeringen. La meg ta noen eksempler. Mandag åpnet statsministeren Siemens nye batterifabrikk i Trondheim. Fabrikken kan bli viktig for å kutte utslipp av farlige klimagasser fra båter på sjøen, men da må vi ha en klimapolitikk som sørger for at ordrebøkene til Siemens og andre batteriprodusenter fylles opp. Det kunne regjeringspartiene ha sørget for allerede i morgen. Da kunne de ha stemt for flere av SVs forslag, som ikke bare ville gitt utslippskutt i Norge, men som også ville gitt arbeidsplasser, teknologiutvikling og batteriproduksjon i Trondheim. Siemens og andre batteriprodusenter kan gi store utslippskutt i en av de rikeste næringene i Norge, i oppdrettsnæringen. I oppdrettsnæringen har vi store utslipp, ikke bare av skit og fôrrester, men også av klimagasser. Det slippes ut nærmere 0,5 mill. tonn CO 2 fra anleggene og båtene som brukes, men sånn trenger det ikke SV har lagt fram forslag om at det skal stilles klimakrav i alle nye konsesjoner for oppdrettsnæringen, men stemmer Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre eller Kristelig Folkeparti for? Nei – vår viktigste og vår største utfordring, klimatrusselen, er visst ikke stor nok til at vi skal stille klimakrav til en næring hvor profitten er enorm. Det er viktigere å frede laksebaronene enn å kutte utslippene deres. I stedet for å kutte utslippene, som SV foreslår, vil regjeringen utrede seg bort fra klimaproblemet. Utredninger er bra, det, men vi har allerede nærmere 8 kg offentlige utredninger som viser hvordan utslippene kan kuttes. Vi vet mye om hva som skal til for å kutte utslippene. Vi kan ikke bare sette i gang nye utredninger, vi må også gjøre noe av det vi allerede har fått utredet og vet virker. I stedet vil vi se at regjeringspartiene i morgen stemmer samlet mot alle forslag til nye utslippskutt i Norge. vil sikkert gjøre det med innlegg hvor de grønnmaler regjeringsplattformen, men ord berger oss ikke fra klimatrusselen. Det er det handling som gjør.

spennende politisk, med reelle politiske diskusjoner, og jeg vil si at jeg er blitt veldig imponert over den måten tidligere partileder Hareide i åpenhet og fortrøstningsfullt overfor sitt parti ledet en viktig diskusjon for partiet på. Jeg er også veldig fornøyd med at han overfor vår partileder ga uttrykk for at han ikke ville ha noe innblanding i prosessen, og at vår partileder respekterte det. Det er rett og slett slik at jeg vil bøye meg i støvet for den jobben som Hareide gjorde, og uttrykke at han avbryter sitt lederskap på en måte som avtvinger stor respekt. Men så står statsministerens rolle i den saken i veldig sterk kontrast til det. Det er blitt kjent at initiativet til diskusjonen i offentligheten om abortloven § 2 c kom fra kommunikasjonsavdelingen til Høyre, som inspirerte representanten Ropstad til å stille spørsmål, slik at statsministeren kunne gi et svar om at jo, den kunne diskuteres. Folk ble rimelig opprørt over sakens realitet, men ikke minst over at en alvorlig og viktig sak som vi i fellesskap burde kunne diskutere med innestemme – i den grad den skulle diskuteres – ble gjort til gjenstand for politisk spill. Regjeringserklæringen avklarer at hensikten med det forslaget og den debatten var at den konservative sida i Kristelig Folkeparti skulle vinne i spørsmålet om valg av side. Det greide de, med hjelp av Rogaland Kristelig Folkeparti og det flertallet som etter hvert ble etablert – som var lite. Det som ikke er avklart, er om det var statsministeren som lurte Ropstad og Kristelig Folkeparti, eller om det var statsministeren og Ropstad som lurte Folkeparti. Når vi da i tillegg vet at begge de to tidligere sentrumspartiene gikk til valg på at de ikke skulle sitte i regjering sammen med Fremskrittspartiet, sto det stor respekt av at den tidligere lederen sto på det. Så kunne en kanskje tenke seg at når et tidligere sentrumsparti går inn i regjering, vil det bli mer sentrumspolitikk. Men det er det ikke blitt. Når vi ser på regjeringsplattformen, ser vi at den er en garanti for at særlig Fremskrittspartiets politikk skal videreføres. Mange har kommentert måten stolene her i salen er satt opp på. Det beskrives som at det er noen som sitter i forsetet, og noen som sitter i baksetet. For meg ser det ut som om de som sitter i baksetet, er fornøyd med å få være med på tur, men at det er de som sitter i forsetet, som bestemmer. har jeg lagt merke til at det er finansministeren som sitter i førersetet. Det kan derfor hende det er riktig, det som finansministeren sa, at nå blir ikke lenger Fremskrittspartiets politikk stoppet av Stortinget. Det er det som bekymrer meg politisk, at et parti som har erklært krig mot den norske modellen som har gitt oss et av verdens beste velferdssamfunn,

videreføres. Jeg har registrert usedvanlig lite entusiasme i de partiene som nå inngår i en ny regjering. Det er kanskje ikke så rart. Vi vil uansett møte dem med sterk og saklig opposisjon fra opposisjonspartienes side. nå inngår i en ny regjering. Det er kanskje ikke så rart. Vi vil uansett møte dem med sterk og saklig opposisjon fra opposisjonspartienes side. En saklig opposisjon ønskes mer enn hjertelig velkommen. I 1997 måtte Telenor gi opp å fjerne en telefonkiosk i Bjørkedalen etter at folk i bygda lenket den fast. Begrunnelsen for å fjerne den var at over 98 pst. av husstandene i bygda hadde egen telefon, og i tillegg var det utbygging av mobilnett. Det var ikke lenger Så ble postkontoret lagt ned. De røde telefonkioskene ble et symbol for Bygde-Norges kamp mot fraflytting. Og dette var i 1997. Politikk handler om de nære ting. Selv om telefonkiosken var overflødig, handlet kampen om noe helt annet. I en verden med store omveltninger rundt oss kan avmaktsfølelsen av og til ta overhånd. Vi ser det i sosiale medier, på plenen utenfor Avmakt blir gitt makt gjennom slagord og kampanjer. Vi har en tidligere minister, nå partileder, som står i dress i tv-studio i Oslo og snakker om den virkelighetsfjerne eliten i dress i Oslo. Men er det ikke mer virkelighetsfjernt å drømme seg tilbake til da vi hadde flere postkontorer og telefonkiosker, enn å jobbe for det samfunnet vi kan få til når internett har desentralisert post og telefoni til alle husstander, og brakt kinosalen, shoppingsenteret og jentegjengen i Hønehjørnet på Facebook hjem til folk, som før bare hadde et postkontor og en telefonkiosk? Verden har aldri vært så nær som nå. Likevel finner noen det mest opportunt kun å snakke om forskjeller og avstander.

Derfor er det underlig å se hvordan land vi ikke kan sammenligne oss med, brukes av våre norske politikere og kommentatorer til å polarisere vår hjemlige debatt. Det rokker ved robustheten i vårt demokrati. Med mindre det da har vært oljepengene som har bundet oss sammen, og roet stormfullt hav som olje på vann – for når noen har sagt at alle skal med, har det stort sett betydd at alle skal få. Forsøk på å gjøre mindre endringer blir kalt smålige og unødvendige som endring av ordningen med Den kulturelle spaserstokken eller fjerning av en månedlig utbetalingsinformasjon om pensjon. Da kulturbudsjettet økte med over 6 pst. i 2014, kalte Norske Billedkunstnere det en katastrofe og varslet demonstrasjoner fordi 53 stipender likevel forsvant. Det var ingen som demonstrerte da 50 000 arbeidsplasser forsvant i vår mest lønnsomme næring. Det er grunn til å spørre hvor folk tror penger til kunstnerstipender og kulturelle spaserstokker kommer fra særlig når vi skal omstille oss og sørge for lønnsomme arbeidsplasser over hele landet, som bidrar til velferden vi ønsker, i byer og bygd. Selv om forskjellene har økt de siste 20 årene, ligger Norge helt i toppen i verden når det gjelder økonomisk likhet. I Norge har ansvarlige styringspartier over tiår ført en politikk som har bidratt til å endre for å bevare de verdiene vårt samfunn er tuftet på. De som rokker ved dette for å skape kortsiktig partipolitisk vinning – med dagens internasjonale strømninger – leker med krefter som er større enn dem selv. Høyre vil trygge Norge for framtiden og skape et bærekraftig velferdssamfunn med muligheter for alle. Vi mener at samfunnet er til for enkeltmennesket, og at fellesskap er noe mer enn det som kan vedtas i budsjetter. Det er ikke ett fellesskap, men de mange fellesskapene, som gir Norge sosial bærekraft. Noe av det viktigste vi satser på, er en skole som bidrar til like muligheter til alle. De sier at en god barndom varer livet ut. Vår oppgave er å sørge for at en dårlig barndom ikke gjør det. Under Høyre-byrådet ble Osloskolen et begrep – en skole for sosial mobilitet, som løftet dem med dårligst forutsetninger. Nå vil Arbeiderpartiet i Oslo se på inntaksgrensene for skolen og igjen la sosioøkonomisk bakgrunn Det har en betydning hvem som styrer skolepolitikken, både nasjonalt og lokalt. Med denne regjeringen peker resultatene i skolen nasjonalt i riktig retning, der flere fullfører, flere får læreplass, og færre faller utenfor. Jeg håper Oslo får et byråd som sørger for det samme. Det står fortsatt en rød telefonkiosk i Bjørkedalen, men summetonen er borte. Norge er i omstilling, en omstilling som gir store muligheter for framtiden over hele landet – dersom vi velger å bruke dem. Regjeringsplattformen lenker oss ikke fast i fortiden, men legger grunnlag for at vi gjør som generasjonene før oss, som gjennom hardt arbeid foredlet de mulighetene de ble gitt, til å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Og hvis det er noen tvil, er jeg en entusiastisk tilhenger av nettopp det.

og sist – men ikke minst – skulle skatter og avgifter videre ned for folk flest og næringslivet, ikke opp. Når man leser aviser nå om dagen og lytter til debatter her i Stortinget, er det tydelig og klart at det er ikke bare vi i Fremskrittspartiet som mener at vi har fått godt betalt i erklæringen. Det mener også opposisjonen – og i særdeleshet Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre, kan vi lese og høre. Jeg er glad for at Arbeiderpartiet deler vår oppfatning om at plattformen inneholder mye god Vi kan i alle fall være enig på ett punkt. Alternativet til politikken i denne plattformen er en politikk som øker skattene og avgiftene for helt vanlige folk, en politikk som ville reversert de over 11 000 kr som en helt gjennomsnittlig familie har fått i lettelser så langt av denne regjeringen. Alternativet ville vært en politikk som opp promillen på eiendomsskatt, som helt vanlige arbeidsfolk betaler bare fordi de har en plass å bo. Alternativet ville vært økte bil- og bilrelaterte avgifter, som først og fremst rammer dem som ikke har alternativer som trikk, buss og tog – folk utenfor de store byene. Skatte- og avgiftslettelser betyr en romsligere økonomi for den enkelte og for den enkelte familie, men det har Det betyr at folk får litt mer ansvar for eget liv på bekostning av oss politikere. Det går særlig ett skille i denne salen. Det går mellom dem som mener at en politiker alltid er den beste til å ta vare på og bruke folks penger, og oss, som mener at staten ikke skal ta inn mer enn staten strengt tatt klarer seg med. For enkelte partier virker det som at det å kreve inn skatter og avgifter har en verdi i seg Det mener heldigvis ikke flertallet i denne salen. Derfor slår vi klart og tydelig fast i regjeringsplattformen at det samlede skatte- og avgiftstrykket skal videre ned. Eiendomsskatten er en av de mest usosiale skattene vi har i dette landet. Den tar hensyn til verken hva man tjener eller hva man har av verdier på konto, bortsett fra eiendommen man bor i. Vi mener at folks hjem skal være nettopp det – et hjem, ikke et skatteobjekt. Derfor ønsker vi å fjerne hele eiendomsskatten. På veien dit fikk vi i Jeløya-plattformen gjennomslag for å kutte makssatsen fra 7 til 5 promille. Nå går vi videre ned til 4 promille, slik at omtrent én av tre kommuner må kutte i eiendomsskatten. Dette er ikke først og fremst en seier for oss i Fremskrittspartiet, men en seier for landets innbyggere. Jeg ser at noen forsøker å få dette til å handle om at kommuner mister sårt tiltrengte midler til viktige velferdsoppgaver. Da er det verdt å minne om at velferdsoppgavene som kommunene utfører, allerede er finansiert av de skattene som vi alle betaler. Det finnes nok av eksempler på kommuner som klarer seg godt uten eiendomsskatt. Os i Hordaland og Ullensaker er eksempler på gode FrP-kommuner uten eiendomsskatt. Stjørdal og Orkdal, to Senterparti-styrte kommuner fra mitt hjemfylke, er det samme. Disse har ikke dårligere tjenestetilbud bare fordi de ikke har eiendomsskatt – tvert imot. Eiendomsskatten fritar i stor grad politikere rundt omkring i kommunene fra å prioritere. Man sender bare en ekstraregning til kommunens innbyggere i stedet. Det er nok den enkleste måten å drive politikk på, men også den feigeste. Noen andre punkter som Fremskrittspartiet er veldig fornøyd med, er at